Etter ønske fra kommunal- og forvaltningskomiteen vil presidenten foreslå at debatten blir begrenset til 1 time og 30 minutter, og at taletiden blir fordelt slik på gruppene: Arbeiderpartiet 35 minutter, Fremskrittspartiet 20 minutter, Høyre 15 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter og Venstre 5 minutter. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil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

er at det over tid har vært ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Forsyningen av nye boliger har ikke holdt tritt med etterspørselen. Dette har bidratt til en prisvekst på boliger som langt har overgått veksten i byggekostnadene, og som er høyere enn lønnsveksten i samfunnet. Komiteen er enig om at de boligene som bygges i dag, skal stå i mange år framover. Derfor er det så avgjørende at disse støtter opp om viktige samfunnsmessige hensyn. Komiteen har understreket i sine merknader at det er et politisk ansvar å sikre at kvaliteter som aktørene i markedet ikke tar nok hensyn til, blir ivaretatt. Det sentrale virkemiddelet for å sikre disse hensynene er planleggingen etter plan- og bygningsloven. Bruken av innsigelser er sentral når vi diskuterer arealplanlegging i kommunene. Det har vært et tema som svært mange kommuner har tatt opp med komiteen, bl.a. på de mange

Komiteen mener at bestemmelsene om bortfall av retten til å fremme innsigelse bør utnyttes mer aktivt fra kommunenes side. Komiteen har i merknader understreket at kvaliteten på boligen strekker seg utover den byggetekniske løsningen. Kvalitetsbegrepet omfatter også forhold som planløsninger, romslighet, materialbruk, energibruk, uteområder og tilgjengelighet. Den opplevde kvaliteten på boligen påvirkes også av omgivelsene. Derfor må boligbyggingen ses i sammenheng med stedsutvikling og transportløsninger. Det er etter komiteens oppfatning et politisk ansvar å legge til rette for bærekraftige løsninger som ivaretar disse hensynene. Det er også et bredt flertall i komiteen, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, som gir uttrykk for at boligpolitikken i all hovedsak har vært vellykket. Nesten åtte av ti husholdninger eier sin egen bolig, vi har en høy standard på boligene, og vi har romslige boliger. boliger. I Norge er det heldigvis få som står helt utenfor boligmarkedet. For dette brede flertallet er en god bolig sammen med muligheten for arbeid, rett til utdanning og nødvendige helse- og omsorgstjenester, pilarene i det norske velferdssamfunnet. Det er den enkelte som selv har et ansvar for å skaffe seg en bolig. Samtidig er det et offentlig ansvar å legge til rette for et velfungerende marked, slik at alle har muligheten til å skaffe seg en bolig og kan bo godt. Flertallet viser til at det er sentralt å legge til rette for at det bygges nok boliger. Det er statens oppgave å sikre gode rammebetingelser for boligbygging. Kommunene har som oppgave å sikre og regulere nok areal til boligformål, sørge for rask og effektiv byggesaksbehandling og framskaffe kommunale utleieboliger. Kort oppsummert kan en si at komiteen er enig om noen sentrale premisser og utfordringer, men vi er svært uenige om virkemidlene for å nå dit. Jeg forutsetter at representantene for de respektive partier redegjør for sine særstandpunkter og forslag. Jeg er glad for at vi har fått en stortingsmelding som tar opp den brede boligpolitikken, herunder boligforsyningen. For Arbeiderpartiet er det en sentral politisk oppgave å legge til rette for at det bygges nok boliger. Her er det et skille mellom Høyre og Fremskrittspartiet på den ene siden og Norge har i dag et av Europas minst regulerte boligmarkeder. Det er et paradoks at vi i et land hvor mye annet er et offentlig ansvar, ikke har en tydeligere politisk plassering av ansvaret for å sikre folk et sted å bo. For Arbeiderpartiet er nettopp bolig en av de fire pilarene i velferdspolitikken, sammen med utdannings-, helse- og arbeidspolitikken. Til sammen utgjør disse grunnlaget for at alle skal kunne ha muligheten for å skape seg et godt liv. Det er et statlig ansvar å sikre gode rammebetingelser for boligbygging. Kommunene har en oppgave, og staten har en oppgave. Vi ønsker kommuner med en offensiv og framtidsrettet boligpolitikk som møter en konstruktiv og samordnet stat. Kort oppsummert ønsker vi å ta boligpolitikken i en litt annen retning. Vi vil ha litt mindre marked og Boligene som bygges nå, vil være boligene vi bruker i mange tiår framover. Derfor må dagens boligpolitikk være framtidsrettet, også når det gjelder kvalitet på det som bygges. Vi lever stadig lenger, og de fleste av oss ønsker å bo lengst mulig i vårt eget hjem når vi blir gamle. Da må utformingen av boliger ta hensyn til dette. Dersom vi skal øke andelen tilgjengelige boliger, må vi stille krav til tilgjengelighet i de boligene som bygges i dag. dag. På tross av at noen aktører i byggebransjen hevder noe annet, viser flere rapporter at det ikke er spesielt mye dyrere å bygge boliger med god tilgjengelighet. Det er også flere aktører i bransjen som dokumenterer at boliger med god tilgjengelighet kan bygges med marginale merkostnader. Forutsetningen er at det er god planlegging og prosjektering som tar høyde for tilgjengelighet allerede fra starten av. For Arbeiderpartiet er det lite framtidsrettet å ta et steg tilbake og i 2013 begynne å bygge boliger som ikke er tilgjengelige for alle. Det er et overordnet mål å redusere energibruken i bygg. Det debatterte vi bl.a. grundig i forbindelse med behandlingen av bygningsmeldingen tidligere. Da må vi bygge bygg som er energieffektive. Da er det litt underlig å registrere at det største opposisjonspartiet, Fremskrittspartiet, vil tilbake til energikravene fra 1997 – altså mer enn 15 år gamle standarder til energieffektivitet. Det er mulig, slik det ble sagt fra bl.a. representanten Amundsen i debatten vi hadde i går, at Fremskrittspartiet erkjenner at det finnes

ikke enig i. Vi kan selvfølgelig ha en diskusjon om det er mengden av tiltak, eller om det er kvaliteten på tiltak som skal være viktig. For det første inneholder meldingen en lang rekke tiltak, og den angir en hel rekke viktige grep vi skal gjøre for å komme i mål. Men la meg få lov til å nevne noen av de viktigste grepene for Arbeiderpartiet. For det første handler det om studentboliger. Denne regjeringen har hatt en høy utbyggingstakt på studentboliger, og den skal vi fortsette. I løpet av Bondevik II-regjeringens siste år ble det bygd 314 nye studentboliger. Regjeringen Stoltenberg har i sin periode bygd om lag 1 000 nye boliger i året, og vi øker nå takten. For inneværende år er det gitt tilsagn om 1 500 nye studentboliger.

En ting er hva man sier og skriver, men det må følges opp i årlige budsjettvedtak. Det er vår ambisjon å gjøre det. Husbanken har vært, er og vil være et av de aller, aller viktigste verktøy vi har innenfor boligpolitikken. Det er regjeringens mål at alle skal bo trygt og godt. Å utvide lånerammene, slik vi har gjort ved flere anledninger, er derfor ett av flere bidrag til økt Det vil vi også gjøre i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i morgen – en økning i rammen fra 20 mrd. kr til 25 mrd. kr for 2013. Avslutningsvis: Denne stortingsmeldingen tar opp den brede boligpolitikken, herunder også boligforsyningen, som jeg var inne på innledningsvis. Men også det boligsosiale arbeidet har høy prioritet, det har hatt høy prioritet i hele perioden Boliger og tjenester må i stadig større grad ses i sammenheng. For å lykkes i det boligsosiale arbeidet må staten finne sammenhengene. Det er ikke alltid like enkelt, og det kan heller ikke være kommunenes ansvar å se alle disse sammenhengene. En samordnet stat gir bedre kommunale løsninger for den enkelte. Derfor lager vi, og varsler, en ny strategi som samler og målretter den offentlige innsatsen. Det er fortsatt et mål at alle skal kunne bo godt i Norge, uavhengig av størrelsen på

det er mange gonger. Det er 48 forhold som skal vurderast. 98 gonger på 113 sider er det omtalt noko som skal utgreiast vidare – evaluerast, utarbeidast, sjåast på, vurderast vidare – noko som på ein eller annan måte skal jobbast vidare med. Det betyr at regjeringa har brukt nesten åtte år på å vurdere kva som skal at regjeringa har brukt nesten åtte år på å vurdere kva som skal vurderast. Det blir det, som sagt, ikkje mykje handling av. Det blir det stillstand av. Som saksordføraren også var inne på, er Noreg eit land der dei fleste eig sin eigen bustad. Det har det vore brei politisk einigheit om, og det har også vore ein del av det norske lynnet, tradisjonar byggjer på ein måte på at ein skal eige sin eigen bustad – spesielt i Distrikts-Noreg, men også i byane. Cirka 80 pst. eig sin eigen bustad, og ca. 20 pst. leiger. Det er også slik at dei siste åra har utviklinga gått i den retninga at ein ikkje berre eig éin bustad i løpet av livet sitt. Ein kjøper ein bustad og sel, så kjøper ein ein ny og sel, osv. Ein endrar på storleik, kvalitet og plassering av bustaden ut frå det den private familiesituasjonen tilseier. Dei siste 20 åra har ein hatt ei sterk prisstigning på bustader. Det har sjølvsagt vore heilt uproblematisk for dei som i utgangspunktet eig bustad, dei som er inne på Men denne sterke prisstigninga har medført at mange unge har fått problem med å etablere seg på bustadmarknaden. Både bustadprisar og leigeprisar har stige, men bustadprisane har stige mest. Det har også vore sterkare enn i byggekostnadene og den generelle prisstiginga i marknaden. Grunnen til at vi har fått denne stigninga – som andre land ikkje har hatt, andre land har gått motsett veg – er at vi har hatt ei god utvikling i økonomien, og vi har hatt ein høg oljepris. Det er noko som sjølvsagt ikkje

som gjer at prisane blir pressa opp. Det siste punktet, som kjem av regjeringa sin politikk, er at det har kome fleire detaljreglar. Talet på motsegner har auka når det gjeld å regulere til byggjeklare tomter. Det gjer at reguleringa tar veldig lang tid, og ein greier ikkje å møte den auka etterspurnaden før etter mange år. Som saksordføraren var inne på, er det også kome nye krav til bygging av bustadene, f.eks. energieffektivitet – eit krav som har kome, og som både fordyrar og medfører at det blir bygd færre bustader. Det same gjeld også tilgjengelegheit for rullestol – uansett storleik på bustaden. Det uansett storleik på bustaden. Det har medført at dei minste leilegheitene ikkje blir bygde i det heile. Resultatet er at dei minste leilegheitene, ned mot 30 m2, stig mest i marknaden – på grunn av at det rett og slett ikkje blir bygd fleire av dei. Det kjem av at det blir nesten heilt umogleg å tilpasse desse til rullestol. Framstegspartiet er bekymra for stigande bustadprisar. Det er eit faktum at mange unge har problem med å kome seg inn på bustadmarknaden, og at denne utviklinga vil forverre seg når det no blir innført ytterlegare skjerpa krav til energieffektivitet. Det vil medføre forverring, fordi det blir bygd færre og dyrare bustader. Dersom prisene pressar seg ytterlegare opp, vil fallpotensialet vere desto større. Vi meiner at staten ikkje skal gå inn og detaljregulere korleis ein skal byggje ein bustad oppe i Finnmark, på Vestlandet, i Hedmark osv. Vi meiner at det i hovudsak skal vere opp til den enkelte husbyggjar og huskjøpar å avgjere kva for standardar og kvalitetar ein skal stille til det enkelte bygg.

omfattande regelverk og lovverk som ein må rette seg etter når ein byggjer bustader. Ein har desse lovene å rette seg etter når ein skal byggje bustad: plan- og bygningslova med forskrifter og rettleiingar – bygningsdelen – plan- og bygningslova – plandelen – kulturminnelova,

at problemet i Noreg ikkje er for lite bustadpolitikk, men for mykje og dårleg bustadpolitikk. Ein har rett og slett for mange reglar og for mykje detaljstyring, noko som gjer at det går for treigt med å dekkje den auka etterspurnaden etter bustader som vi har sett dei siste åra. Det er det som er poenget: Det offentlege må regulere mindre, ikkje meir, dersom bustadmarknaden skal kome i balanse. Vi meiner at noko er riv ruskande feil når det altså går fem, seks, sju år berre for å regulere til ein byggjeklar tomt. Det fører sjølvsagt med seg at det blir mangel på tomter mange plassar, og at ein dermed får ei eksplosjonsarta stigning i bustadprisane, spesielt i sentrale område. Framstegspartiet meiner derfor at vi må vere svært tilbakehaldne med å påleggje detaljkrav til nye bygg, og at utviklinga der må vere naturleg, utan press frå sentrale styresmakter. Kva er det då som må gjerast for å få ein betre balanse i bustadmarknaden? Jo, det er eit par punkt som Framstegspartiet er opptatt av, f.eks. at byråkrati og Det er altfor mange motsegner, altfor mykje detaljstyring. Det siste som kom inn, var uavhengig kontroll på bustader, noko som gjer det dyrare. Dette må ned til eit langt lågare nivå, det må ned til eit minimum. Det gjeld sjølsagt òg motsegnene – dei må avgrensast. Mange gode byggjeprosjekt har blitt forhindra på grunn av motsegner. No er eg sjølvsagt klar over regjeringa sitt arbeid med å koordinere desse motsegnene, at Fylkesmannen skal ta seg av det. Eg trur ikkje det er noka løysing i det heile. Eg trur rett og slett at det kan gi desse motsegnene endå større tyngd og styrke, slik at det blir vanskelegare å få bygd framover. Kravet til energieffektivitet må Eg trur at viss ein er opptatt av å spare energi, viss ein er opptatt av å auke energioverskotet i Noreg, så kan dette gjerast på heilt andre måtar, med positive verkemiddel: støtteordningar til f.eks. enøk-pumpe og ved å leggje til rette for meir utbygging av

Det seier seg jo sjølv at det vil vere dei minste bustadene som blir tyngst ramma av dette kravet, som vil få dei største problema og dei største kostnadene med tilpassing. Eigenkapitalkravet på 15 pst. må bort. Bankane må få gi ei bankfagleg vurdering av kven som skal få lån og ikkje. Viss ein har studert i mange år og ønskjer å kjøpe seg så mykje eigenkapital, men ein har kanskje ein veldig god inntekt som gjer at det ikkje er noko problem å betene eit bustadlån, sjølv om ein låner 100 pst. Det må altså vere opp til bankane å vurdere kva som er bankfagleg forsvarleg å gi i lån. BSU-ordninga må forbetrast. Ho må auke til kr totalt – 25 000 kr i året og 28 pst. skattefrådrag. Dette er noko som også Høgre og Kristeleg Folkeparti har støtta oss i, og derfor håpar eg at dette kan bli ein realitet dersom vi får eit regjeringsskifte til hausten. Dokumentavgifta må fjernast. Ho blir òg kalla flytteskatten. flytteskatten. Det betyr at dei som er mobile og flyttar og skiftar bustad oftare, må betale ein større kostnad i dokumentavgift enn det andre må. Dokumentavgifta er ei fiskalavgift. Tinglysingsavgifta dekker dei kostnadene staten har med å tinglyse. Dokumentavgifta er då ein ekstra kostnad. Så er det – som saksordføraren var inne på – at det må byggjast fleire Det har vi foreslått. Under behandlinga av statsbudsjettet foreslo vi bygging av til saman 2 000 fleire studentbustader. Det er altså 1 000 fleire bustader enn regjeringa har foreslått. Vårt forslag blei stemt ned. Vi er no veldig glade for at regjeringspartia har kome etter og iallfall kjem oss litt i møte på det, men vi meiner altså at vi må byggje fleire studentbustader, og at vi må auke satsane. Det

byane som gjer at mange trekker inn til sentrum for å etablere seg. Viss vi hadde fått investert i infrastruktur, hadde det blitt mykje lettare å pendle over lengre avstandar. Det ville også ført til at vi hadde fått bustadprisane ned, og at vi ikkje lenger hadde hatt noko som liknar ein politikarskapt tomtemangel. Vi ville fått noko som liknar ein politikarskapt tomtemangel. Vi ville fått tomter å byggje på og bustader, slik at også dei unge kunne etablere seg på bustadmarknaden, som mange er forhindra frå å gjere i dag. Avslutningsvis vil eg på nytt fremje dei forslaga som Framstegspartiet står bak enten aleine eller saman med andre. Representanten Gjermund Hagesæter har teke opp dei forslaga han refererte til.

Det er ganske interessant for oss som har deltatt i boligpolitikken over noen år, at denne meldingen ikke inneholder noen programerklæring eller overordnet visjon for boligpolitikken i Norge. Ja visst, den inneholder mange flotte ord om hvor fint det er å bo trygt, men det behøvde vi vel ikke en stortingsmelding for å bli minnet om. Tidligere opererte boligpolitikken med et nasjonalt mål for hvor stor del av f.eks. disponibel gjennomsnittsinntekt som skulle gå med til å dekke utgiftene ved å bo. Hvis jeg skulle formulert en målsetting for boligpolitikken, ville den blitt omtrent slik: Boligpolitikkens mål er å legge til rette for at alle kan skaffe seg en tjenlig og trygg bolig som kan finansieres gjennom vanlig inntekt, ved at boligmarkedet kan levere en variasjon av boligtyper som passer den enkelte husstand og livssituasjon, og at offentlige boligløsninger og boligsubsidier bør brukes mer målrettet for å hjelpe svakstilte grupper bedre. Noe av det som denne meldingen preges av, er at staten ikke helt har avklart sine styringsambisjoner. Jeg tror det er veldig viktig at staten retter sine styringsambisjoner mot det som politikken er til for å styre, nemlig samordnede beslutninger knyttet til fremføring av veier, av bane, av arealplanlegging i stort. Så kan man spille på en markedsdrevet boligproduksjon med ansvar på de partene som deltar der, og faktisk også med noe større forbrukerinnflytelse ved at de selv gjør sine preferanser om hvilke kvaliteter de ønsker ved sin bolig. Et eksempel på at staten henger seg opp i mange underordnede og detaljerte detaljerte forestillinger om hvordan Norge skal bygges ut, er jo den store bruken av innsigelser. Jeg viser her til kommunenes organisasjon, KS, som har hatt en bredt anlagt undersøkelse som viste at det knapt er noen større arealplan som ikke er blitt møtt av statlige innsigelser. Derfor må statlige etater redusere bruken av innsigelser, og de må koordineres og begrenses tematisk. Brukerne av innsigelse må minnes om grunnen til at man har innsigelsesinstituttet. Det skal altså bare brukes hvis det er av nasjonal betydning eller av sterk regional interesse. Høyre mener at for å nå et mål om lavere boligpriser er det vesentlig at byggenæringen kan kutte sine kostnader. byggenæringen kan kutte sine kostnader. Byggenæringen må også selv bidra til en mer rasjonell produksjon. I dag kan f.eks. 22 000 boliger bygges på ferdigregulerte tomter bare i Oslo. Likevel er mange utbyggere tilbakeholdne fordi den statlige politikken inneholder tvetydige signaler, som gir dem usikkerhet. Byggenæringen har et ønske om å bygge flere boliger raskere. Daglig møter imidlertid næringen utfordringer som står i veien for næringens behov. Bedriftenes hverdag – slik det meldes inn til oss gjennom høringer og annet – preges av at man har et gjennombyråkratisk felt dominert av skjemaer, søknadskrav fra en rekke offentlige organer som ikke er samkjørte. Dette gjelder både små og store prosjekter, og særlig gjør det seg gjeldende for store og viktige prosjekter i og rundt byene. Denne meldingen kommer jo helt på tampen av en stortingsperiode – og helt på slutten av den åtteårsperioden som de rød-grønne har styrt landet – og vi må konstatere at denne regjeringen ikke har hatt noe særlig hastverk med å få frem denne meldingen, noe som dessverre også passer inn i det allmenne inntrykket av at en ikke har ført en aktiv boligpolitikk. Det kommer også til uttrykk en betydelig avstand mellom det man oppnår i form av boligproduksjon, og det som meldes om behovet for boliger. Det er selvfølgelig fint at vi endelig har fått en stortingsmelding om boligpolitikken, men den kommer altså for sent. Dessuten er meldingen veldig utydelig om hva man vil, og for en stor del består jo disse tiltakene i å gjennomføre nåværende politikk. Det varsles nesten ingen konkrete tiltak for å løse boligspørsmålet. Jeg vil reflektere litt – som representanten Hagesæter gjorde – rundt meldingsformen. Det har jo vært mange representantinitiativ her i salen som nettopp har forskuttert boligmeldingen. Vi har hatt forslag f.eks. om å endre reglene om at reguleringsplanene går ut på dato etter fem år, hvilket er med på å skape usikkerhet rundt finansiering av prosjekter. Da ble det selvfølgelig mottatt som interessant og til dels som et innspill som man hadde en velvillig holdning til – og så ble det vist til boligmeldingen. Og så kom jo boligmeldingen, og svaret er akkurat det samme, at dette er interessant, dette skal man se videre på. Da blir jo spørsmålet: Hva bruker man egentlig disse meldingene til? Jeg tillater meg også å trekke inn en annen melding, Barn på flukt, som egentlig gikk ut på å berolige nervøse regjeringspartnere, mer enn å fortelle om man ville ha en ny politikk på dette feltet. Så jeg må nesten være så frimodig å si at en del av meldingene har det klare formål å ikke varsle om hvor man kommer til å ta nye initiativ, men heller å berolige og si at i grunnen er alt såre vel og vi kommer ikke til å gjøre noe særlig med det. Det minner jo litt om samtaleterapi om samtaleterapi – om man ikke får gjort noe med de underliggende problemene, er det ofte fint å få snakket om dem i alle fall. Jeg må også si at under denne regjeringen har vi også andre som driver boligpolitikk. Finanstilsynet ledes av en person som personlig mener at vi nå er i en boligboble, og som i offentlig skrift har trukket inn parallellen til Irland, et land som er preget av en høy grad av arbeidsinnvandring. Da konjunkturene snudde i Irland, flyttet mange naturlig nok tilbake og konjunkturene snudde i Irland, flyttet mange naturlig nok tilbake og etterlot seg da et hull i boligmarkedet, noe som førte til press på prisene. Dette er samme person som – med et slag – økte egenkapitalkravet med 50 pst., i desember 2011, uten – så vidt jeg forstår – at regjeringen var informert om dette, eller at man i hvert fall hadde den respekt for fagstatsråden at hun var involvert i dette. Så byråkratiet styrer Norge, og de gjør det på en måte som har effekter for boligspørsmålet – mens regjeringen da ikke styrer dette. Særlig egenkapitalkravet er et godt eksempel. For å ta ut etterspørselen av noe av markedet rettet man

de eldste, de billigste og de minste boligene i markedet, og som således ikke er den gruppen som presser prisene oppover. Dette har det vært nesten umulig å få en dialog med statsråden om, men jeg vil komme tilbake til dette senere i debatten. Så det er ikke bare å si at man er ansvarlig for

så vi slipper den ansvarstransporten som vi også har sett ved enkelte anledninger her når vi har spurt om sammenhengende boligpolitikk. Høyre har med noe uro merket seg språkbruken i meldingen om hvordan den videre skattleggingen av boliger og annen fast eiendom blir. Jeg tror vi bare skal understreke her i dag at boliginvestering er noe av det viktigste vi gjør i våre liv, og at det er svært viktig for folks trygghet at disse rammebetingelsene ligger fast, så man kan stole på dem over år, og at man altså ikke da skur opp beskatningen av bolig, at våre hjem ikke blir et yndet skatteobjekt. For øvrig har vi sammen med Fremskrittspartiet fremmet syv forslag i saken. Blant dem er noe av det viktigste en presisering i plan- og bygningsloven om at man bare skal holde seg til spørsmål av nasjonal interesse når man har innsigelser.

absolutt også boligdebatter, som virkelig er blant dem. Under overskriften «bolig» kan en ta opp de fleste politikkområder. Derfor er det også viktig at vi i slike meldinger og i debatter før, under og etter at slike meldinger blir lagt fram, også tar ansvar for å ivareta dette mangfoldet og den bredden som et slikt tema fortjener – og det syns jeg meldinga gjør på en god måte. Slik sett – bare for å måte. Slik sett – bare for å kommentere det – undrer jeg meg litt over denne forestillinga om at en bare kan samle alt som på et eller annet vis har med bolig å gjøre, i ett departement. Etter min mening viser det at en ikke har tatt helt inn over seg nettopp den bredden som er i boligtemaet og i boligdebattene – hvis vi ikke da mener at det er nok med ett departement og én statsråd i regjeringa. Takken min inkluderer også absolutt Gjermund Hagesæter og Michael Tetzschner, sjøl om jeg syns at to personer som har vært på Stortinget så lenge, i noe større grad burde ha skjønt hva en stortingsmelding er. En stortingsmelding er ikke et budsjettdokument eller et konkret handlingsdokument. En stortingsmelding skal vise en god situasjonsbeskrivelse, og så vidt jeg har fått med meg i debatten omkring den meldinga, har de fleste nettopp sagt at det gjør den på en god måte. Den skal også vise god og riktig og den skal inspirere oss til videre konkret arbeid der vi ikke syns stortingsmeldinga går langt nok – og det gjør de fleste av oss med alle stortingsmeldinger. Den skal være en inspirasjon nettopp til å arbeide konkret videre. En del av dette mangfoldet som er viktig å ta vare på, går bl.a. på at det er viktig å se at boligutfordringer og dermed boligpolitikk må være noe helt annet i by og storby enn ute i distriktet og på bygda. På dette politikkområdet blir debatten ofte storby- eller Oslo-sentrert, og så glemmer vi litt hva slags boligpolitikk og hva slags boligdiskusjon vi skal ha for å fange opp utfordringene ute på bygda som f.eks. er preget av at det knapt bygges boliger i mange av våre bygder, at det er et behov for utleieboliger, at det er problematikk knyttet til at om en selger en bolig der, får en tilbake veldig lite i forhold til det en kanskje investerte i boligen, hvis en bygde for bare noen få år er også viktig å ta med seg at boligdebatten er en del av velferdsdebatten og velferdssamfunnsdebatten, og så er den absolutt en del av en næringsdebatt, for bolignæringene – det er mange av dem – er viktige sysselsettingsmessig. De er viktige lokalsamfunnsøkonomisk og nasjonalsamfunnsøkonomisk. De er veldig viktige når vi diskutere arbeidsinnvandring, for det er mange arbeidsinnvandrere i disse byggenæringene våre. På velferdssida er dette med kvalitet, pris, trygghet og tilgjengelighet veldig viktig, her som i forbindelse med andre velferdstjenester. Det er også en annen veldig viktig debatt som jeg syns meldinga å arbeide videre med, og det er nettopp dette med forholdet mellom å eie og å leie. Vi har av historiske årsaker i veldig stor grad, oppmerksomhetsmessig både politisk og økonomisk, satt eielinja i fokus, og det skal vi fortsette med. Men vi har kanskje fått en viss ubalanse knyttet til at i et moderne samfunn vil flere av oss – ikke bare såkalt vanskeligstilte være interessert i at det er et velfungerende leiemarked, ikke bare ordinært kommersielt, men absolutt også sannsynligvis utenfor det tradisjonelle kommersielle. Der kan både boligkommuner og boligsamvirke spille en viktig rolle. Før tida mi går ut, er det også en par–tre andre ting som er viktige å ha med seg inn i boligpolitikken. Boligpolitikken er i stor grad en del av

lett tilgjengelige, sikre, energieffektive og sunne bygg og ikke minst bedre og mer effektive byggesaksprosesser. Et bredt flertall, alle unntatt Fremskrittspartiet, mener norsk boligpolitikk har vært vellykket for det brede lag av folket. Det at åtte av ti husholdninger eier sin egen bolig, har bidratt til selvstendighet og en høy boligstandard. Det er få Sammen med annen velferdspolitikk skal boligpolitikken sikre at også de få som faller utenfor, skal få den hjelpen de trenger for å bo trygt og godt. Det er utrolig viktig, ikke minst for unger, å ha stabile rammer rundt sitt liv. Samtidig som vi fortsatt skal legge til rette for at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig, må vi også utvikle leiemarkedet. I ulike livssituasjoner vil mange ha behov for å leie bolig i en kortere eller lengre periode. Studenter er gjerne i en fase av livet der det å leie bolig er mest aktuelt. Til tross for en høy utbyggingstakt på studentboliger i årene etter 2005 er det fortsatt udekte behov.

og en bolig som en trygg ramme for tilværelsen i Norge. Raskere bosetting betyr raskere integrering og en bedre plattform for deltagelse i arbeidsliv og lokalmiljø. Staten skal ikke bygge boliger, men legge til rette for at det blir bygd nok boliger gjennom gode rammebetingelser. Kommunene har på sin side ansvaret for å sikre og regulere nok areal til boligformål, sikre rask byggesaksbehandling og framskaffe kommunale utleieboliger. Jeg vil understreke betydningen av at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett økte lånerammen i Husbanken med 5 mrd. kr. Grunnlån til bygging av boliger skal prioriteres, og da særlig lån til utleieboliger f.eks. til flyktninger og andre vanskeligstilte. Etterspørselen etter bolig er stor mange steder i Norge, mye større enn tilbudet. Det henger sammen med befolkningsvekst, bl.a. som følge av høy arbeidsinnvandring. For Senterpartiet er det viktig at vi jobber på bred front for å øke boligforsyningen. Boligsituasjonen med sterkt prispress i enkelte byområder viser etter vårt syn behovet for en politikk som hindrer sentralisering og sikrer en mer balansert fordeling av folketallsveksten. Regjeringens distrikts- og regionalpolitikk er viktig i så måte. I byregioner er vi avhengige av å bygge tettere og høyere og utnytte tomtearealet mer effektivt, ikke minst for å spare matjord. I pressområder må kommunene samarbeide om å regulere tilstrekkelig antall tomter, og lokale og sentrale myndigheter må sammen bidra til samferdselsløsninger som utvikler større bo- og arbeidsmarkedsregioner. Det er ikke bare i sentrale strøk det er utfordringer med boligforsyningen. Mange distriktskommuner har særlige utfordringer knyttet til lav boligbygging på grunn av lav markedspris på nye boliger, ofte langt under byggekostnaden. Derfor er det nødvendig å videreutvikle ordninger som sikrer boligforsyning også i disse områdene. Det er mange hensyn som gjør seg gjeldende når en skal regulere areal til boligbygging. Det å kunne fremme innsigelser mot utbyggingsplaner er en viktig del av demokratiet vårt og viktig for å ivareta overordnede, nasjonale interesser. Samtidig viser rapporter at ordningen ikke bestandig fungerer slik den var ment. Jeg imøteser derfor regjeringens varslede gjennomgang av innsigelsesinstituttet. Noen hensyn må vi kanskje vekte mer, andre mindre. Dyrkbar jord er en knapphetsressurs både på verdensbasis og i Norge. Jordvernhensyn må derfor vektes tyngre. Tilgang på trygg mat og rent vann, to av de få tingene som er viktigere enn bolig, tas ofte for gitt. Matjord er under så stort press at den trenger strengere vern for å bevares. Hensynet til utbygging av industri, infrastruktur og boliger må derfor balanseres mot det langsiktige hensynet til matproduksjon.
Kristelig Folkeparti mener at hovedformålet i boligpolitikken må være å legge til rette for et stabilt boligmarked, der alle får mulighet til å bo i egen bolig. Vi har lenge manglet en aktiv boligpolitikk i Norge. Dette har skapt et opphetet boligmarked med en enorm prisstigning og stadig høyere terskler for å komme De siste årene har det kun blitt bygget boliger tilsvarende 75 pst. av behovet. Med en så lav boligbygging sier det seg selv at det vil føre til en videre oppheting av et allerede opphetet boligmarked. Det er altså et stadig økende behov for nye grep for å få flere boliger, samtidig som vi må unngå byspredning av hensyn til klima, jordvern og sosial kapital. Nordmenn bor i byer og tettsteder, og det er her veksten er sterkest. Meldingen kunne nok hatt en klarere strategi for økt boligbygging. Kristelig Folkeparti mener at regjeringen i for liten grad tar inn over seg de store konsekvensene en lav boligbygging har. Det stadig økende presset på boligmarkedet presser i all hovedsak ut unge nyetablerere, enslige, innvandrere og vanskeligstilte. Kristelig Folkeparti stiller seg derfor positiv til regjeringens forslag om å styrke Husbanken. Vi trenger også en by- og tettstedsutvikling som i større grad legger til rette for at man kan bo, arbeide og handle på samme sted. Fortetting og høyere hus er viktigst i de store byene, men også mindre tettsteder må utnytte sentraene bedre til boliger, næringsbygg, butikker og restauranter. I dag er det dessverre alt for mange eksempel på mindre byer og tettsteder som planlegger på en måte som ikke er forenlig med hensyn til klima, jordvern og velfungerende lokalsamfunn. Kristelig Folkeparti mener derfor det er behov for skjerpede statlige retningslinjer om fortetting som også gjelder for mindre tettsteder. Det blir stadig vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet. Boligprisene er doblet på ti år uten at beløpsgrensene i BSU har hengt med. Kristelig Folkeparti går derfor til valg på å øke beløpsgrensen til 300 000 kr for totalt sparebeløp, 30 000 kr for årlig sparebeløp og økt fradrag til 30 pst. Dette vil utgjøre en enorm forskjell for unge som strever med å komme inn på boligmarkedet. Dette er særlig viktig i lys av den nylige skjerpingen av egenkapitalkravet til 15 pst. ved kjøp av bolig, som isolert sett synes mer som et tiltak for å styrke bankene snarere enn å legge til rette for et mer velfungerende boligmarked. Egenkapitalkravet vil føre til at flere unge og andre med svak økonomi vil få enda større problemer med å komme inn på boligmarkedet. Reglene presser unge over i leiemarkedet, og så øker spekulasjonen der. Eller de er nødt til å ta opp dyre forbrukslån på toppen av huslånet. Studenter er også en gruppe som har vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet. Høye boligpriser på flere av studiestedene er med på å drive levekostnadene kraftig opp, noe som igjen fører til at studenter bruker mer tid på å jobbe framfor å studere. Kristelig Folkeparti mener tilbudet på rimelige studentboliger derfor må økes, og i Kristelig Folkepartis alternative budsjett ble det foreslått å øke tilskuddet til studentboliger tilsvarende 1 000 nye boliger. boliger. Bygging av studentboliger vil være en viktig del av en bærekraftig boligpolitikk, målrettet mot unge beboere. Jeg er derfor glad for at Kristelig Folkeparti i sitt program for neste periode har som klar målsetting å bygge 3 000 flere boliger i året. Dette er også god boligpolitikk. Til slutt vil jeg nevne at Kristelig Folkeparti er fornøyd med at regjeringen følger etter og støtter oss og det regjeringsoppnevnte Boligutvalget med forslaget om å gjøre

når det gjelder boligpolitikk. Det er behov for handling, tiltak og virkemidler som kan bedre situasjonen på boligmarkedet. Det er vår forventning, det er regjeringens mulighet og også løsningen på problemet. Så enkelt, men så avgjørende for så mange.

i boligmarkedet med en normal lærerjobb eller normal sykepleiejobb. Venstres målsetting i neste periode er at det skal bygges nesten 40 000 boliger per år. Det er 10 000 flere boliger enn det som gjøres akkurat nå. Jeg er meget usikker på om denne meldinga er offensiv nok til å klare å oppnå det. Det eneste nye i meldinga er

Jeg må påpeke at jeg er for universell utforming, og at klimatiltak blir tatt med i boligbygginga, men dette kan gjøres på mye enklere måter enn i dag. Jeg tror det finnes en del drivere innenfor dette feltet som man må ha politisk kontroll på hvis man skal klare å komme videre. Et eksempel på dette oppdaget jeg da jeg besøkte SINTEFs ekspertgruppe på brann der de sa at dagens brannforskrifter betyr at man legger brannforskrifter oppå gamle brannforskrifter oppå gamle brannforskrifter. Så ender man med et system der man har trippel og fire ganger sikring, og de som er fagfolk, er også de samme som leverer veldig mange av disse anleggene. Dermed er det ingen drivere som ønsker at noen av de gamle systemene skal

om mer kollektivtransport, en veldig viktig del av boligpolitikken. Meldinga burde vært tydeligere på mange av disse spørsmålene. Vi trenger flere boliger for å dempe prisveksten. Det betyr at vi trenger tiltak for førstegangsetablerere. Vi trenger 2 000 nye studentboliger årlig. Vi trenger å gjøre egenkapitalkrav veiledende, slik at bankene kan utøve mer skjønn. Vi trenger økning i BSU, og vi trenger å styrke Husbankens rolle.

Vi mener at så lenge krav om rømningsveier, brannsikkerhet og at alt det som gjelder beboernes sikkerhet, er oppfylt, kan man i større grad ha avtalefrihet, og kommunene kan få større handlefrihet til å gi dispensasjoner når de kan vurdere dette objektivt. Det andre forslaget gjelder at vi ønsker å gjøre studentboliger til et eget reguleringsformål. Hadde dette blitt et eget reguleringsformål, hadde det gitt raskere prosesser og dermed flere boliger i markedet. Studentboliger bør være en viktig del av f.eks. byfornyelse. Når Oslo nå bygger ut Fjordbyen sin, har Venstre stått på veldig hardt for at studentboliger skal være en del av den fjordbyutbyggingen. Det skal vi nok klare. Men det kommer ingenting fra regjeringen som hjelper oss, verken i forbindelse med kostnadsrammer eller reguleringsloven hva gjelder reguleringsformålene. I voteringen skal vi stemme for

jamfør representanten Tetzschner, som ikkje hadde lese måla, men som hadde desto større omsut for investorar. Jamt over bur me godt her i landet – særs godt. Fire av fem eig bustaden sin. Me har større bustader enn i dei fleste andre land, og me er flinke på vedlikehald. I fjor brukte me 60 mrd. kr til å pusse opp heimane våre. Bustadmassen i Noreg er verd 600 billionar kr. Det er ein svær sektor i samfunnet, men aller viktigast for den enkelte sitt liv. Bustadbygginga er tilbake på eit høgt nivå etter ein nedgang i samband med finanskrisa nokre år tilbake. Me har høg sysselsetjing. Inntektsutviklinga har vore god. Saman med lett tilgang til lån er dette med på å gjere bustaddraumen mogleg for mange. Folk flest bur bra – likevel Det viktigaste me som styresmakter gjer, er å leggje til rette for å byggje fleire bustader – raskt. Me vil at det skal byggjast meir, raskare og betre. Om kort tid kjem omfattande forenklingstiltak når det gjeld byggjesaker, i plan- og bygningsloven, som oppfølging av bygningsmeldinga frå i fjor. Med bustadmeldinga set me inn støytet mot planprosessane. Langdryge planprosessar og usikkerheit om utfallet gjer bustadene unødvendig dyre, og det forseinkar nødvendig bygging. Difor skjerpar me inn at praktiseringa av motsegner må vere i tråd med intensjonen i lova. Det er viktige regionale og nasjonale omsyn som gjev grunnlag for statleg motsegn. Statlege aktørar skal tidleg inn i prosessen og dei må samordna seg mykje betre. I det biletet inngår òg tidsfristar i plansaker. I seks fylke skal det no praktiserast ny motsegnsordning, som eit pilotprosjekt. Staten skal snakke med éi stemme. Me må betre samarbeidet mellom kommunane og staten og mellom kommunane på regionalt nivå. I dei store byregionane må kommunar og fylkeskommunar samarbeide betre for å sikre bustadbygging og god arealbruk. Fylkeskommunane skal leggje særleg vekt på bustadbygging og god fordeling av bustadbygginga mellom kommunane i dei regionale planane. Me ynskjer at dei regionale planane blir lagde til grunn for frivillige avtalar mellom fylkeskommunen og kommunane. Då får me smart planlegging av bustader og me førebyggjer motsegner. For fyrste gong skal staten lage planretningsliner for bustadbygging. Kommunane og regionane skal sjå nye bustadfelt og fortetting rundt kollektivknutepunkt i samanheng med areal- og transportplanane sine. Me må fortette, me må nytte areala betre, og slik hindre at me brukar verdifulle område, både dyrka jord og andre område med viktige miljøkvalitetar. Meldinga varslar òg andre tiltak for å få fart i bustadbygginga – evaluering av reglane for utbyggingsavtalar, rekkjefølgjekrav i bustadbygginga og femårsfristen for private planframlegg.

Det går greitt for dei fleste – med låge renter og låg arbeidsløyse. Men dersom marknaden snur, kan risikoen for mange vere stor. Difor er det å føre ein sunn økonomisk politikk på den eine sida – og å få opp bustadbygginga på den andre sida – noko av det viktigaste me kan gjere for å hjelpe unge inn på bustadmarknaden. Startlånet skal vere for dei med langvarige bustad- og finansieringsproblem – ikkje for dei som kan spare nokre år før dei har råd til å kjøpe bustad Enkelte vanskelegstilte som likevel har stabil inntekt, kan greie å handtere eit bustadlån. Difor har me forlenga nedbetalingstida, og startlånet kan vere ei viktig ordning for dei. Tida går fort. Eg trur eg må kome tilbake til nasjonal strategi for bustadsosialt arbeid, for det er kanskje noko av det aller viktigaste me skal gjere i tida framover.

tiltak som skal utarbeidast, det er 25 tiltak ein skal sjå på, og det er 48 tiltak som skal vurderast. 98 gonger på 113 sider omtaler ein noko som skal utgreiast vidare på ein eller annen måte. Regjeringa har brukt nesten åtte år på å vurdere kva som skal vurderast. Då er spørsmålet: Kor lang tid treng regjeringa og statsråden på å få desse utgreiingane fram til Stortinget? Treng ein fire, åtte eller tolv år? til Stortinget? Treng ein fire, åtte eller tolv år? Kva slags tidsaspekt er det ein ser for seg for utgreiingane? Det hadde vore fint om representanten Hagesæter hadde brukt tida si på å lese innhaldet i meldinga, i staden for å telje ord. Regjeringa har brukt desse åtte åra til å betre forholda på bustadmarknaden, spesielt for dei som treng det mest. Me gjorde eit stort lyft ved å styrkje bustønadordninga i 2009. I år er løyvingane på nær 3 mrd. kr. Det er 120 000 husstandar som mottek ca. 25 000 kr gjennom denne ordninga. Me har fått ny lov på dette området. Me sikrar personvernet betre. Me har gjort kraftige tak for låneramma for Husbanken. Husbanken. Me byggjer fem gonger så mange studentbustader i år som ein gjorde under Bondevik II-regjeringa. Me har auka tilskottet til utleigebustader, og me har auka tilskottet til etablering, me har auka tilskottet til tilpassing. Me gjer mykje, og me har lagt fram visjonane for den framtidige bustadpolitikken i denne

– at vi kan bevege oss inn i en situasjon med overskudd på boliger? Eg har ikkje sett bakgrunnen for dei analysane som det her vert referert til, så det er vanskeleg for meg å seie meg einig eller ikkje. Eg ville gjerne ha sett bakgrunnsmaterialet, ikkje berre konklusjonane. Men kvar og ein kan tenkje seg til kva som ville skje viss den finanskrisa me ser i Europa, slår inn over Noreg for fullt. Det viss den finanskrisa me ser i Europa, slår inn over Noreg for fullt. Det ville nok bety at mange av dei som i dag er arbeidsinnvandrarar, sannsynlegvis ville returnere til sine heimland. Det ville frigjere veldig mange bustader ikkje minst i det sentrale austlandsområdet. Korleis det vil slå inn i bustadmarknaden, vert spekulasjonar. Men det er klart at Men det er klart at viss ein gjer som Venstre sin representant føreslo, å auke bustadbygginga til 40 000, og ein samtidig får ein slik nedgang i økonomien, kan det kanskje vere noko i det dei seier. Men eg har ikkje sett bakgrunnen for desse analysane, så eg kan ikkje vere meir konkret i det eg svarar. For Kristelig Folkeparti er det viktig å få til

også vedtatt av Senterpartiet. Hvordan skal man kunne klare å se disse to tingene sammen – økt boligbygging, men samtidig ta vare på den viktige matjorda vår i tiden framover? Jeg innbiller meg at Senterpartiet er opptatt av det. Senterpartiet er særs oppteke av det. Men Senterpartiet er sjølvsagt også oppteke av at folk skal ha ein trygg plass å bu. Me må greie å ha to tankar i hovudet samstundes. Derfor må me differensiere mellom dei behova som er i pressområda, og der må me byggje høgare, tettare og utnytte arealet mykje betre enn det me gjer i dag. Det kjem me til å leggje opp til i dei nye rikspolitiske retningslinjene som me no har jobba fram, og som skal kome om kort tid. På den andre sida er det viktig På den andre sida er det viktig – på bygda, i dei mindre tettstadene – at ein òg kan få byggje bustader ute i grendene, viss ikkje vil grunnlaget for skulen, for butikken – for den sosiale infrastrukturen – etter kvart forvitre. Det må vere mogleg å ha to tankar i hovudet samtidig. Ei forsiktig omdisponering, ikkje nødvendigvis av mykje dyrka jord, men ute i grendene, trur me er viktig. Så ei differensiering her er heilt nødvendig. Det å

som leverer mange av de løsningene vi har – som det eksemplet jeg brukte om brann. Vi har ikke noe objektivt miljø som ikke leverer noen av tjenestene, og som kan gå inn og sjekke hva som er effektivt. I SINTEF-miljøet påstår man at man bare legger sikkerhetssystem oppå sikkerhetssystem oppå sikkerhetssystem, og ikke tar bort noen av de gamle kravene når nye og Hva er det statsråden kan gjøre for å minimere de gamle kravene når vi får nye og bedre løsninger teknologisk, og å sikre at det finnes objektive miljøer som kan vurdere dem?

regelverk. Eg kjenner ikkje til den påstanden som er komen på dette feltet, men eg vil tru at mine folk som sit og lyttar her, har merka seg dette, og at ein òg kan ha ein dialog om kva som ligg her. Viss det er slik at det ligg lag på lag, vil det vere fornuftig å sanere, gå gjennom og sjå på kva som bør vekk. Det er jo det som normalt er prosessen når ein lagar nye lovverk.

er enda verre for vanskeligstilte. Utfordringene er selvsagt størst der befolkningsøkningen er størst. Det er lett å tenke på at boligmangel kun er et problem i pressområdene på Østlandet og i de største byene rundt om i landet. Allikevel er det boligmangel rundt om i det ganske land. Vi som er rikspolitikere må evne å se alle sider av I Distrikts-Norge bygges det nesten ikke nye hus. Prisene på boligmarkedet i de fleste distriktskommuner er så lave at byggherren kanskje taper halve investeringen ved et eventuelt salg. En boliginvestering i Distrikts-Norge blir ofte for dem som etablerer seg for livet, andre tør kanskje ikke. Man kan jo spørre seg hvorfor det ikke blir ledige hus der det er fraflytting. Svaret er enkelt – vår velstandsutvikling har bidratt til at vi kan flytte fra barndomshjemmet uten at vi trenger å selge det. Husene blir omgjort til fritidsboliger. De blir godt vedlikeholdt, men de er ikke tilgjengelig for mennesker som ønsker å bo på ett sted året rundt – hele året. Det er paradoksalt at områder som mangler kompetanse, fagfolk og arbeidskraft, ikke får utløst dette på grunn av mangel på boliger. Det er et bevis på at markedet ikke fungerer godt nok. Distriktskommunene må ta boligmangelen på alvor. Uten hus, ingen tilflytting. Det betyr at kommunene som ønsker tilflytting, bør bygge utleieboliger, slik at det finnes boligtilbud tilgjengelig. Husbanken har et tilskudd til utleieboliger som det er mulig å søke på, men det er rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbanken disponerer også et tilskudd rettet mot boligetablering i distrikt hvor det er små og usikre boligmarked. Tilskuddet går til tolv kommuner, som fra 2012 har deltatt i en treårig forsøksordning. Norske kommuner disponerer totalt over 100 000 utleieboliger. Disse boligene er rettet mot ulike målgrupper, som vanskeligstilte på boligmarkedet, kommunalt ansatte og og omsorgsboliger, for å nevne noe. I 2008 ble det etablert en ordning med investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser, og målet om 12 000 heldøgns omsorgsplasser eller sykehjemsplasser fram mot 2015 står fast. Det er regjeringens mål, og det jobbes det mot. Investeringstilskuddet til disse plassene er i løpet av inneværende periode økt ytterligere, noe som er positivt mottatt ute blant kommunene. Boligpolitikk er så mangt og består av ulike deler fordi innbyggerne i kommunene har ulike behov. For å kunne fylle sin oppgave må kommunene sette boligpolitikk på dagsordenen og være aktive aktører. Kommunene kan velge om

utleierne. Det er også viktig å se til at Husbanken har en rolle som informant om ulike måter å gjennomføre dette på, ut fra hva den enkelte kommune ønsker eller har mulighet til. Husbanken er et svært viktig instrument for å kunne påvirke og utvikle boligsituasjonen over hele landet i ønsket retning, og regjeringen tar

og minner om tilsagnet om Fornebubanen og videreføring av Bybanen i Bergen som gode eksempler. Det er eksempler på prosjekter som bidrar til fornuftig byforstørrelse og regionforstørrelse, og som letter presset på sentrale områder i byene. Det er avgjørende å være i forkant med planleggingen. Høyre vil derfor planlegge mer helhetlig og med bedre planleggingsverktøy. Vi må passe på, slik at ikke ordninger som er innført i den gode hensikt, blir deres fiende eller hemsko. Et viktig grep vil være å forenkle plansystemet ved å begrense bruk av KVU og KS1 til kun å omfatte prosjekter der det er klare konseptuelle valg. Ordningen med KVU og KS1 bør samtidig videreutvikles, slik at resultatet av dette arbeidet kan gi klarere føringer for prosjektplanleggingen etter plan- og bygningsloven. Men prosessene bør også kunne forseres betydelig og forenkles slik at de tar kortere tid, uten at dette går ut over kvaliteten. Det bør være en bred medvirkning i planprosessene, og løsninger uten bred støtte bør siles ut så tidlig som mulig. Høyre ønsker også klare nasjonale retningslinjer for vektlegging av jordverninteresser og bolig- og transportutbygginger i storbyområdene. Dette for å avklare hvilke soner som kan utvikles på tross av at det er dyrket mark i dag. I tillegg må det utarbeides en prosedyre for bevaring og flytting av god matjord ved utbygging av dyrket mark. Høyre mener kommunene burde få en garanti eller en slags avtale som gjør at de kan løfte saker opp på et høyere nivå allerede i startfasen av en lokal prosess. En forpliktende avtale med staten må gi kommunene en garanti for at ikke statens system kan forsinke og hale ut utbyggingsprosesser. Staten må i størst mulig grad tale med én stemme, og ikke som i dag, hvor det selv innenfor fylkesmannsembetet er tre forskjellige meninger om en sak. Høyre vil trappe opp bruken av statlig planregulering av større transportkorridorer av stor nasjonal betydning, for å sikre raskere utbygging og arealutvikling. Det bør være et sett med enkle kriterier som automatisk utløser statlig plan og/eller statlig godkjenning av planprogram. Høyre mener Nasjonal transportplan slik vi kjenner den i dag, burde vært en mer helhetlig plan for transportgrenene, hvor disse ses i sammenheng med hverandre, og vurderes opp mot ulike scenarier for utvikling, ikke bare for transportgrenene, men også innenfor bolig- og arealpolitikken. Det følger derfor av dette at vi burde hatt en egen areal- og kollektivstrategi for storbyområdene. Forskning bør også inngå som en viktig del av areal- og transportplanleggingen, slik at man kan legge best mulig kunnskap til grunn for alle avveininger. Høyre mener at det bør etableres et avtaleverk mellom kommune og stat for samarbeid om areal- og infrastrukturutbygging. Samtidig bør innsigelsesadgangen for statlige myndigheter begrenses, slik at denne ikke virker unødig hemmende på boligbygging og lokal handlefrihet. Synergier og gjensidig påvirkning må avklares, for at det skal bli lettere å gjøre de optimale veivalgene. Jeg har konsentrert meg om et lite riss av en del av Høyres nye bolig- og arealpolitikk som dreier seg om grensesnittet mot transportutfordringer, men

Det kom tydelig fram da vi hadde høring på boligmeldingen. For det første var det stor oppslutning, for det andre var spennet i hvem som meldte seg til høringen, stort, med alt fra KS til ulike boligprodusenter og eiendomsmeglere, fagforeninger, bransjeorganisasjoner, representanter for personer med nedsatt funksjonsevne, ungdom, leieboere og frivillige organisasjoner som jobber for rusmisbrukere og folk med dårlig råd.

Både bruktbolig- og nyboligpriser har steget i rekordtempo. Vanlig ungdom som skal etablere seg for første gang, og folk med dårlig råd, er de som rammes hardest i en slik situasjon. Etter de borgerliges deregulering av boligmarkedet på midten av 1980-tallet og omleggingen av Husbanken til en bank for dem med spesielle problemer, har det bare gått én vei: Det har vært bygd for lite. lite. Michael Tetzschners innlegg her i stad viste at sånn vil det fortsette hvis det blir et borgerlig styre. Men når etterspørselen overstiger tilbudet, vet vi hvordan det går. Selv om det har kommet noen signaler om at prisene er i ferd med å flate ut, er prisnivået på et kunstig høyt nivå mange steder. Høye boligpriser og mangel på egnede boliger er med andre ord et grunnleggende velferdsspørsmål som etter flertallets syn ikke kan løses av markedet alene – det er et politisk ansvar. Vi må bygge flere boliger for å unngå økt klasseskille, og for å hindre at unge og svake grupper faller utenfor boligmarkedet. Staten må spille en rolle, men jeg vil påstå at det aller viktigste er hva som skjer, eller ikke skjer, ute i kommunene. Det er et politisk ansvar som kommunene må ta. Tilbakemeldingene fra høringsinstansene var helt entydige på dette punktet: Raskere planprosesser for å skaffe flere ferdigregulerte og byggeklare tomter er myndighetenes viktigste bidrag til økt boligbygging. Det er et kommunalt ansvar. Noen kommuner er svært aktive og tilrettelegger og kjøper opp områder med tanke på framtidig utbygging. De bruker den nye plan- og bygningsloven aktivt, legger boligbygging inn som en viktig del av kommunens planstrategi, utarbeider boligplaner som en videreføring av kommuneplanens samfunnsdel, nedfeller det hele i kommuneplanens arealdel og skaffer seg en planberedskap som gjør dem i stand til å handle raskt når mulighetene byr seg. Dette er gode kommuner å samarbeide med, også for private utbyggere. Andre legger seg på en mer passiv linje, der en i stedet for å være i forkant, ligger på været til en privat grunneier finner at profitten er god nok til å starte utbygging. Det er en dårlig oppskrift. Det fører lett til kronglete planprosesser, der konflikter dominerer. Før den nye plan- og bygningsloven hendte det ikke sjelden at det dukket opp mer enn fem år gamle planer, som først måtte oppheves, før en kunne gå i gang med en ny. Gjennom denne perioden har de borgerlige partiene om og om igjen forsøkt å gi et inntrykk av at det er fylkesmennene og ulike statlige sektormyndigheter som har ansvaret for den manglende boligbyggingen, fordi for mange og sprikende innsigelser fører til en handlingslammelse som kommunene uforskyldt havner i. Det stemmer ikke helt. Kommunene har et handlingsrom i dagens regelverk som de både bør og må ta, men det krever at det er politisk vilje til å gjøre det. har et handlingsrom i dagens regelverk som de både bør og må ta, men det krever at det er politisk vilje til å gjøre det. Ett eksempel på slik manglende vilje – eller evne – lokalt mener jeg er den diskusjonen vi til stadighet ser poppe opp her i hovedstaden når det gjelder skoler med høy andel fremmedspråklige elever. Det er få virkemidler som vil være mer effektive for å løse dette problemet, Helt på tampen en liten visitt til Gjermund Hagesæter, som ramset opp en rekke særlover som kommunene må ta hensyn til i sin planlegging. Det er fristende å returnere den utfordringen: Hvilke av disse hensynene skal vi se bort fra? Er det brann- og eksplosjonsvern? Er det rasfare? Er det framkommelighet? Jeg tror at Fremskrittspartiet skal få problemer med å svare på det. Løsningen på disse problemene ligger snarere i å legge så mange som mulig av plankravene fra særlovene inn i plan- og bygningsloven, slik at kommunene har initiativet og kan involvere de berørte parter på et tidlig tidspunkt. En boligpolitikk for alle er

Alle har krav på å ha en god bolig å bo i – bo både godt og trygt. Det er mange som sliter for å komme inn på boligmarkedet, i form av at en enten har nedsatt funksjonsevne, er arbeidsløs eller har dårlig betalingsevne osv. Derfor har denne regjeringen allerede gjort en hel del på dette området – for å bøte på de utfordringene enkeltmennesker står overfor, spesielt i boligmarkedet. Takten på boligbyggingen har økt, men den må økes betydelig i årene framover for å holde tritt med den befolkningsveksten vi har. Vi har økt bostøtten, noe som gjør at mer enn 50 000 husstander kan få støtte i dag. Startlån til flere ungdommer og andre som har vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet, er også økt. Det bygges flere og flere kommunale boliger. Det er nå flere enn 100 000 kommunale boliger rundt omkring i Norge. For eksempel her i Oslo, hvor behovet og presset er størst, går andelen kommunale boliger nedover. Denne kommunen styres av bl.a. Høyre. En ny undersøkelse fra Norsk institutt for by- og regionforskning viser at det siden 2011 har vært en økning i boligbyggingen i landet. De siste er det gitt statsstøtte til over 5 700 studentboliger. Vi bygger over 1 000 studentboliger hvert eneste år. Under den borgerlige regjeringen ble det bygd i overkant av 300 hvert år. Det viser bare at også denne regjeringen bidrar til at ungdom og studenter på en bedre måte kommer seg inn på boligmarkedet. Vi har nå passert fem millioner mennesker i dette landet. Det er en økning på 10 pst. i de siste ti årene. Folketallet vokser. Det vil vokse bare mer og mer framover i forhold til andre land i Europa. Vi ser at arbeidsinnvandring er den største årsaken til dette. Det fører kanskje til nye behov og nye krav. Ved inngangen av 2012 var det flere enn 880 000 som bodde alene i Norge, og 626 000 husstander med bare to personer. Det sier også noe om hvilke krav

i langt større grad enn tidligere. Vi må være åpne for å ta i bruk dyrket mark, når vi ser at behovet vil øke framover. Skal vi få unge barnefamilier og ungdom til å bosette seg i distriktene, ønsker ikke ungdom fra byene å flytte ut i Kommune-Norge for å bo i leiligheter. De ønsker eneboliger, med flere muligheter for eget hushold og større plass for egne barn. barn. Da tror jeg nok at jordvernet kan være til hinder i mange sammenhenger, men vi må se på mulighetene og finne fleksible løsninger som gjør at ungdom velger å bosette seg i distriktskommuner framfor i byområder. Det offentlige skal legge til rette for en god boligpolitikk. Det handler om infrastruktur som skoler, barnehager, Det handler om å ha gode reguleringsplaner som gjør det mulig å lage store og fine boområder. Det handler om gode nærmiljøer, som er viktige for god folkehelse. Det handler om kvaliteten på hus osv. Den enkelte skal selv velge hvor han/hun vil bosette seg, men det er det offentliges ansvar å legge til rette for at folk kan velge hvor de ønsker å bosette seg. God boligpolitikk er avgjørende for god folkehelse.

der vi har det største presset, de høyeste prisene og problemene. Boligpolitikk og bypolitikk, boligbygging og byutvikling er to sider av samme sak. I fjor viste byplansjef Ellen de Vibe til at i Oslo kommune er det plass til 130 000 nye boliger innenfor dagens byggesone – uten å røre Marka-grensen og med alle grøntområder i behold. Areal er et knapphetsgode, men selv i vår mest tettbygde storby er det altså ingen arealkrise. Det er interessant å lytte til opposisjonens talspersoner her i dag. Framfor å telle ord og rette pekefingeren mot Fylkesmannen, kunne vi kanskje reflektere over hvorfor boligpolitikken er plassert nettopp i denne komiteen. Det handler selvsagt om at kommunene spiller en helt avgjørende rolle, fordi de styrer arealbruken. Høyre, som i dag opptrer som et rent opposisjonsparti, sitter faktisk med ansvaret for boligpolitikken i mange av de kommunene der presset er størst, f.eks. i Oslo, Bergen og Stavanger. Ødelandet på Fornebu i Høyre-styrte Bærum er et monument over elendig arealplanlegging. At kommunestyret i Bærum gjør vedtak om å bygge bare 5 000 boliger der det er plass til mange, mange flere, er ikke statens skyld. I et arealperspektiv er også Oslos nye småhusplan en fallitterklæring – en triumf for veletablerte villaeiere på bekostning av neste generasjons etablerere og klimaet. Prognosesenteret mener det er behov for nesten 40 000 boliger hvert år i Norge, og 90 pst. av dem må bygges i byene. Boligbygging og transport må planlegges samlet. I løpet av 20 år får Oslo og Akershus kanskje 350 000 nye innbyggere. Befolkningsveksten vil gi to millioner flere daglige reiser. Av mange grunner – det handler om bokvalitet, tidsbruk, luftforurensing, klima og nærhet til jobb – er det viktig at disse reisene er korte. Det gjelder alle norske byområder. Det er der folk bor. Fortetting er en del av svaret. Potensialet for fortetting på såkalt grå områder som ligger brakk, er asfaltert eller lignende, er stort. Bare i er asfaltert eller lignende, er stort. Bare i Oslo er det kanskje plass til 5 000 boliger på ledige tomter som allerede er regulert til boligformål, men som av ulike grunner brukes til annet. Kommunene må følge opp bedre og bidra til at regulering til boligformål fører til bygging. Det er ikke mulig å bygge tett uten å bygge høyere. Det handler om å øke fra fire etasjer til fem etasjer, ikke om å bygge skyskrapere. En god miks av boliger, butikker og restauranter i samme område gir areal- og energieffektivitet og reduserte transportbehov. Vi må ta et oppgjør med tanken om at høyere hus gir dårlig bokvalitet. Slik er det ikke. Marienlyst er et godt eksempel. Oslos tettest befolkede område er også et av de mest attraktive, med noen av byens høyeste boligpriser. Kort om innsigelser, siden temaet er reist. Oslo er det fylket i landet der staten legger inn færrest innsigelser mot kommunale reguleringsplaner, men hvor kritikken av staten er sterkest. Det er et tankekors at partiene som styrer i Oslo, konsekvent retter pekefingeren mot staten framfor å ta ansvar lokalt. Innsigelser fungerer ikke alltid slik de bør, men loven gir kommunene rett til å avvise innsigelser som ikke er fremmet på riktig tidspunkt. Kommunene benytter i liten grad denne retten, kunnskapen om plan- og bygningsloven er for dårlig. Hovedproblemet i dagens boligmarked er at det bygges for få boliger i pressområder. Prisveksten er bl.a. et resultat av at etterspørselen over tid har vært større enn tilbudet. Det må være et overordnet politisk ansvar å sørge for at det bygges mange nok boliger. Etter mitt syn er det i boligpolitikken behov for en helhetlig innsats på tvers av fagdepartementer og forvaltningsnivåer. Kommunene må ta sitt ansvar, men det handler også om at staten må opptre mer helhetlig og samordnet, om å se transport og bolig i sammenheng, om at regler må forenkles, og om at vi trenger å supplere det private markedet med offentlig bygging av boliger, sosialboliger og studentboliger. Boligmeldingen

Det er liksom ikke bolig for førstegangsetablerere. Pressområder er det også utenfor byene. Det er utfordringer i byene, men også ute på landet. At vi må bygge flere boliger, og at boligforsyningen må opp, er noe av det meldingen selvfølgelig har fokus på. Jeg ser også at å jobbe videre med leie-til-eie-prosjektet er viktig.

rett vei. Styresmaktene spiller på lag med de private og legger til rette for at det kan bygges boliger. Når det gjelder kommuneplanene, må de være effektive, og det skal være forutsigbart med tanke på dem som har lyst til å bygge i kommunene. Når man kommer til en kommune og har lyst til å komme i gang med boligprosjekt, må man bli møtt med en service, og da kan de som jobber på teknisk etat, være med på å bidra til det. Ikke minst kan – når regjeringen nå legger til rette for forenkling i byggesak – de som jobber i kommunene rundt om i landet, bruke kreftene sine på det som er viktig, de store boligprosjektene, og ikke bli sittende og stange på små, enkle garasjer og tilbygg på hus og bruke ressursene sine på det. En liten kommentar til innsigelser: Jeg tror det er 22 instanser som kan komme med innsigelser når det skal bygges. Jeg mener at innsigelser er noe vi må ha. Representanten Lise Christoffersen var også inne på det. Det gjelder både med transport, Det gjelder både med transport, rassikring og andre ting vi synes er viktig. Universell utforming er ofte et tema. Fremskrittspartiet ynder å snakke om det. Når vi ser at befolkningsgruppen over 80 år blir tredoblet i Norge fram til 2060, og vi vil at folk skal bo lenge hjemme, så gjelder det ikke bare funksjonshemmede, men hele befolkningen – man skal kunne bo i boligen sin hele livsløpet. livsløpet. Til slutt vil jeg si at satsingen på studentboliger er noe av det viktigste vi gjør framover, for det vil også frigjøre boliger for oss andre. Mykje av debatten så langt i dag har handla om å eige bustaden sin, moglegheita til å kjøpe seg ein bustad for folk som er rimeleg ressurssterke. Men det

kanskje i ein kortare eller lengre periode av livet. Ein godt fungerande leigemarknad er nødvendig for mobiliteten i arbeidsmarknaden både i bygd og by. Det er nødvendig på bygda fordi ein kanskje vil flytte dit for rett og slett å «prøvebu» før ein vurderer å byggje sin eigen bustad – i mange distriktskommunar, i motsetning til i byane, veks ikkje verdien av bustaden i takt med kostnadane – og i

eit viktig tiltak for at dei som kanskje i utgangspunktet ikkje har råd til å eige, kan gjere det over tid. Husbanken sitt grunnlån skal òg vidareutviklast for å stimulere til bygging av fleire utleigebustader. Husbanken er det viktigaste verkemiddelet me har i bustadpolitikken. Dei som sit nedst ved bordet, dei som kanskje har problem med både å leige og Mange treng hjelp over lengre tid for å kunne klare seg i eigen heim. Difor vil regjeringa leggje fram ein brei strategi for det bustadsosiale arbeidet. Ein skal samle den offentlege innsatsen, bidra til fleire butilbod for fleire vanskelegstilte, følgje opp dei som treng hjelp for å mestre buforholdet og kvardagen og styrkje det bustadsosiale fagmiljøet. Fem departement er med på å arbeide saman med Husbanken og dei andre velferdsdirektorata i kommunesektoren, og frivillig sektor blir invitert med på å utvikle strategien, som skal gjelde frå neste år. Det er viktig for meg å understreke at regjeringa fører ein bustadpolitikk for enkeltmennesket, for samfunnet og for framtidige generasjonar. Dei bygga me set opp i dag, skal vare veldig lenge. Berre 1 pst. blir bygde nye kvart år,

nybygging. Vi synes å være enige i denne salen om at markedsmekanismer spiller en viktig rolle i boligmarkedet, og at vi skal bygge opp under dem. Men det er et paradoks at det bygges så lite. Her er det stor etterspørsel, det er høye priser og det er et liberalt marked – et lite regulert marked – men det bygges lite. Da er spørsmålet: Hva gjør vi med det? Skal vi styrke etterspørselen, eller skal vi styrke tilbudet? For oss er det viktig å jobbe med tilbudssiden og bidra til ytterligere boligbygging. Det jeg hører opposisjonspartiene er opptatt av – hvis vi ser bort fra studentboliger – er å styrke etterspørselssiden. De er opptatt av egenkapitalkravet, og de er opptatt av å gi skattestimulans til etterspørselen gjennom BSU-ordningen – det er deres svar.

formelle juridiske og økonomiske grunner for å fremme innsigelser. Det er fortsatt ikke klart for meg hvilke innsigelser som skal forsvinne. Denne bestemmelsen er knapt brukt. Er Fremskrittspartiet og Høyre opptatt av at vi ikke skal ha gode nok plankart? Blir det bedre for utbyggerne eller innbyggerne? Høyre at vi ikke skal ha en kvalitetssikring, og at juridiske bestemmelser i planene er gode nok og i tråd med loven? Er det de innsigelsene som er problemet? Er det sånn at Høyre og Fremskrittspartiet mener at Vegvesenet ikke skal få lov til å legge inn innsigelser mot håpløst dyre planer når det gjelder de veiprosjektene de skal gjennomføre? Det har Vegvesenet anledning til i dag, men det ønsker altså ikke Fremskrittspartiet og Høyre at de skal ha i

brilliant kommentert av Håkon Haugli. Og særlig partier som Høyre og Fremskrittspartiet, som er så opptatt av at det skal være større lokalt sjølstyre, bør også være opptatt av at det lokale sjølstyret brukes på en kompetent faglig og politisk måte. Da er det nettopp planlegging som er et stikkord. Du kan ikke bare be om mer makt, du må også vise at du utøver makt på en kompetent måte. Da er hovedproblemet knyttet til planlegging, for lite kompetent god offensiv planlegging og

sjøl om Høyre har sagt at de vil bruke en to–tre år på å gjennomføre det – vil fjerne det regionale nivået nå når vi ikke minst i samfunnsplanleggingssammenheng trenger en god regional planlegging, og når stikkordet er bolig og hvordan vi skal møblere det regionale rommet, og heller ikke når stikkordene er transport og infrastruktur. Disse partiene vil fjerne det politiske organet som skal bedrive den så nødvendige politisk styrte demokratiske planlegginga. Det forutsetter at det er et ideal for Fremskrittspartiet og Høyre også, og ikke bare at det skal være styrt av embetsverk og fagfolk. Det er noe trist over de to politiske partiene som har som hovedbudskap at vi skal renonsere på kvalitet renonsere på kvalitet og på viktige – jeg har lyst til å si – faktisk etiske verdier, som bl.a. jordvern, miljø, universell utforming osv. Det er et defensivt budskap og ikke et offensivt budskap, slik som de rød-grønne har, og som er skrevet i denne stortingsmeldinga.

Statsråden viste til kva ein hadde gjort når det gjeld bustønad og personvern. Det er vel og bra, men det blir altså ikkje fleire bustader av slike tiltak. Eg er bekymra for at ein vil ha dei same utfordringane framover, at ein ikkje får gjort noko når det gjeld det å få bygd fleire bustader raskare. Representanten Lise Christoffersen etterlyste kva for ein lov vi ville forenkle. Ja, det har vi signalisert fleire gonger tidlegare. Eg treng ikkje gå igjennom alle desse lovene, men vil vise til plan- og bygningsloven som er eit betydeleg hinder for bygging av bustader – det går tregt – og den loven har vi sagt vi vil forenkle og avbyråkratisere.

Rusbrukernes egen interesseorganisasjon, RIO, sa det slik: Livet har gitt meg en boerfaring, det er å bo på gata. Vi har store utfordringer – viktige utfordringer – og det er viktig at vi tar tak i dem og tenker helhetlig. Vi vet også at mennesker med rusproblemer ofte har én hovederfaring med det offentlige, det er tillitsbrudd. Ting som var lovet, skjer ikke. I stortingsmeldingen som vi nå har til behandling, står det bra om at det har vært gjort forsøk med koordinerende tillitspersoner, og at dette var et viktig tiltak i opptrappingsplanen for rusfeltet. Det står også at følgeevalueringen viser stor grad av måloppnåelse. Mitt spørsmål blir: Hva så? Hva vil regjeringen gjøre utover dette? Vi har prøvd det – evalueringen viser at dette er viktig, men hva så? Det sier denne meldingen ingenting om. Heller ikke når det gjelder de som er på LAR, legemiddelassistert rehabilitering, der vi også vet at det å lære å bo er en helt avgjørende ting i rehabiliteringen. Det er mye lettere å få medisiner, rehabiliteringen er den krevende delen av LAR. Dette følges heller ikke opp i denne meldingen. Så hører jeg i statsrådens innlegg at det skal komme en strategi – til neste år. Rusmeldingen ble lagt fram for et år siden, den ble avgitt i helse- og omsorgskomiteen for et halvt år siden, og disse menneskene må vente enda lenger for å få en strategi. Mitt spørsmål til regjeringen er: Når vil det komme nye tiltak som hjelper dem vi nå snakker om – mennesker med rus og psykiske lidelser – slik at de får en bedre bosituasjon og slipper å vente? Hvor lenge må de vente? Det å eiga eller disponera fast bustad er de vente? Det å eiga eller disponera fast bustad er ein vesentleg livskvalitet for dei fleste av oss. I Håvamål står det at «lite bu er betre enn inkje, heime er kvar mann herre.» Det er òg slik i dag. Det er ein god tradisjon i Noreg at det skal vera mogleg å eiga sin eigen bustad. Åtte av ti gjer det, men det må òg vera mogleg å leiga. Retten til å bu er overordna. Den store utfordringa er at retten til å bu framleis ikkje gjeld alle. Retten er sosialt ulikt fordelt. dei som i dag står utanfor bustadmarknaden og er i kategorien bustadlause, har 60 pst. eit rusproblem, og 40 pst. har ei psykisk liding. Familiar i låginntektsgrupper flyttar oftare enn andre, og dei bur oftare trongt. Det er mange kommunar som har stort behov for fleire bustader til personar med psykisk utviklingshemming. Delen av yngre bustadlause er aukande. For innsette i fengsel er ein trygg busituasjon og oppfølging av busituasjonen etter lauslating ei utfordring. Bustadsituasjonen for dei som ikkje sjølve maktar å skaffa seg bustad, må vera vår fremste prioritering. Det er òg ei viktig helseprioritering. Derfor er eg veldig glad for at det vert varsla ein eigen nasjonal strategi for bustadsosialt arbeid boligmeldinga. Eg merkar meg at regjeringa gjennom Husbanken spesielt vil stimulera til kommunale butilbud til personar med rusproblem, psykiske lidingar og dobbeltdiagnosar. Det er det stort behov for. Men det hjelper ikkje berre å byggja fleire bustader for å få dette til. Vi må òg ha eit system som sikrar at vi byggjer dei rette bustadane, slik at dei med størst behov får først. I pressområde er det heilt sentralt at kommunane tar politisk ansvar og har ein offentleg tomtepolitikk. Dersom tomtepolitikken vert overlaten til marknaden, er erfaringane at bustader til vanskelegstilte tapar kampen. Da vert det i staden bygd bustader til kjøpesterke grupper – altså det som løner seg mest. Fram til 2040 vil det verta dobbelt så mange personar over 67 år i Noreg. I meldinga vert det slått fast at dei fleste bustadene for dei som skal ta imot helse- og omsorgtenester dei neste ti åra, allereie er bygde. Det gjeld den ordinære, private boligmassen, dei 40 000 sjukeheimsplassane og dei 50 000 bustadene til pleie- og omsorgsformål. I Noreg finst det 240 000 lågblokkar med tre til fire etasjar, men utan installert heis. Det er faktisk eit problem. Det problem. Det er derfor viktig å hugsa på at vi ikkje berre må byggja meir, men òg fornya og byggja om eksisterande hus. Senterpartiet har lenge vore ein pådrivar for økonomisk stønad for ombygging av eksisterande bustader, slik at bustaden vert mogleg mulig å bo i sjølv etter tap av funksjon. Stønad til installering av heis i bustadblokkar er eit døme. Seinare i dag skal vi debattera folkehelsemeldinga. Vi har nettopp vedtatt omsorgsmeldinga. Bustadmeldinga er viktig, både for folkehelsepolitikken og for å få god omsorg i morgondagen. Det har vært kommentarer om at de kravene vi stiller til å bygge så mye dyrere. Så jeg tenkte jeg skulle si litt om innovasjon i byggenæringen, det å være litt kreativ, tenke nye løsninger og være «på». Når det gjelder universell utforming, hørte vi at det skulle bygges en gassferje. Så begynte man tidlig i prosessen å tenke på at her skal det være universelt utformet. Og den ble ikke dyrere enn en ferje som ble bygget uten universell utforming. Så det gjelder å være «på» og tenke kreativt – og at bransjen også er en stor del av våre faste utgifter i Norge. Så vil Fremskrittspartiet at energikravene skal være de samme som i 1997. Er det fremtidsrettet? Regjeringen har i hvert fall større ambisjoner og tenker at folk skal få ned sine strømutgifter. I 2015 ønsker vi at det skal bygges passivhus. Vi skal bygge hus som har og det som er enda mer spennende, er plusshusene, hvor man skal produsere mer energi enn man bruker. Det virker nesten utrolig at man skal få det til. Men komiteen var jo på Kjørbo og fikk se det prosjektet man jobber med der. Og det at folk i bransjen – helt på tvers av ulike sektorer i byggebransjen – jobber sammen for å prøve å få til bygg som går i pluss på energi, er veldig spennende. Jeg delte ut en pris forrige uke til noen arkitektstudenter som hadde jobbet med et slikt prosjekt.

og kompetanse i byggenæringen. Når kostnadene for å rette opp byggskader er 2,6 pst. av det som brukes til å investere i å bygge nytt, så er det for mye. En utfordring er at de som utdannes – både rørleggere, elektrikere og tømrere – ikke er så gode til å jobbe sammen. Og så er det selvfølgelig en utfordring at vi sårt trenger utenlandsk arbeidskraft, men her er det språkbarrierer. Så det å klare å møte utfordringene med byggefeil er

men så er det planløsninger, materialbruk, energibruk og uteområder. Det er også deler av kvaliteten som vi skal ha med oss. Når vi skal bygge så mye som vi skal gjøre framover, må vi ikke glemme det. Arbeiderpartiet mener at også det er et politisk ansvar – hvilken kvalitet vi har på boligene vi bygger.

bygger. Det har på mange måter vært en interessant debatt. La meg konsentrere meg om tre innlegg. For det første vil jeg bemerke at statsråden ikke var kjent med Finanstilsynets analyse av boligmarkedet. Det er jo ganske interessant, og mitt råd til statsråden er at hun holder seg løpende orientert om Finanstilsynet – ikke bare det kan være faglig interessant, men fordi tilsynet lar handling følge ord. De har kunnskap om viktige rammebetingelser for boligfinansieringen, og det er klart at hvis de har et pessimistisk fremtidssyn, er det ikke rart at de øker kravet til nyetablertes egenkapital med 50 så vet hun hva som kommer. Det andre jeg ville stoppe litt opp ved, var representanten Haugli, som har gjort det til noe av et bravurnummer å ønske seg til Bærum kommunestyre, hvor han tydeligvis ville ha gått inn for høyere boligtall. Nå er jo Bærum en av de omegnskommunene som har doblet sitt antall innbyggere i løpet av veldig kort tid, og ifølge mine opplysninger legger de til rette for en utbygging i en helt annen størrelsesorden enn det tallet representanten Haugli nevnte. Siden han også var en visitt innom Oslo, kan jeg jo si at igangsettingstallene for Oslo på 8 200 boliger. Det er ca. 1 000 mer enn summen av de tre andre storbyene i Norge – inklusiv Arbeiderpartiets eget utstillingsvindu, Trondheim. Så er det er sidepoeng – hvis man først interesserer seg for lokalpolitisk adferd – at i Oslo har Oslo SV og Oslo Arbeiderparti systematisk gått inn for lavere boligalternativer, i betydningen boligtall, enn det byrådet har fremlagt forslag om for bystyret. Det siste punktet i denne omgang, var representanten Sivertsen, som gjorde et poeng av at et av forslagene våre var en veldig enkel endring av plan- og bygningsloven § 5-4. Det er ofte i slike lover man gjør store endringer – f.eks. som vi har foreslått: å kutte tillegget om at tilsynsorganet nærmest gir seg selv myndigheten. For i tillegg til at det nærmest gir seg selv myndigheten. For i tillegg til at det er av vesentlig betydning, står det også i dag «eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde». Da er det klart at det er fristende, hvis man synes man driver med viktige ting her i verden, å legge inn en innsigelse, og det er også det som er problemet. Det var representanten

og kanskje omdisponering av et mål eller to med dyrket jord, avgjørende for å opprettholde matproduksjonen. For å ta en liten historie fra min egen oppvekst: Sist på 1970-tallet var jeg med på en studiering som het lokalsamfunnet i grisgrendte strøk. Det var jeg og en gjeng gammelungkarer på 30 år og oppover som var bekymret for folketallsutviklingen i grenda, og da var jeg den yngste innbyggeren. Ville grenda bli avfolket, var det noen som ville ta over gårdene? Folk turte ikke å komme tilbake med unger, for det var ikke noen lekekamerater i bygda. Så var det et par som ønsket å flytte tilbake, som ønsket å bygge på hjemgården, men som ikke hadde noen tilknytning til landbruket. Det ble omdisponert et par mål dyrket jord så de fikk seg hver sin tomt. De flyttet tilbake med og det gjorde at odelsgutter og -jenter til småbruk i grenda faktisk turte å komme. Det var lekekamerater, det var et sosialt miljø, og det var trivelig å komme tilbake til bygda. I 1990 var det så mange unger i denne grenda at de faktisk vurderte om de skulle starte opp barnehage. Ungdommene kom tilbake og tok over småbrukene, de drev med sauedrift. Enten levde de av landbruket, eller så drev de jorda i tillegg til at de hadde andre yrker utenom. Jeg tror ikke denne bygda hadde fått den utviklingen hvis vi ikke hadde vært villige til å åpne for spredt boligbygging. Vi kan ikke ha samme boligpolitikken i Oslo som vi har i Holtålen. Derfor vil jeg absolutt forsvare at vi må ha muligheten til spredt boligbygging i distriktene for å opprettholde det sosiale miljøet, og for at folk skal ville komme tilbake nettopp for å drive den dyrkede jorda så ikke småbrukene blir liggende brakk, og vi går glipp av den viktige ressursen dette er. Bærum kommunestyre er

Men det er ikke staten som er ansvarlig når Bærum kommunestyre bestemmer seg for å bygge 5 000 boliger på Fornebu, i strid med Stortingets forutsetninger da hovedflyplassen ble flyttet, som antydet et boligpotensial der på 12 000. Det er heller ikke statens ansvar at Bærum kommunestyre ikke vil fortette langs Kolsåsbanen. kunne man kanskje forvente at Bærum var sitt ansvar bevisst, og som gjenytelse bidro til at flere fikk et sted å bo, klimavennlig og godt i nærheten av Kolsåsbanen. Nei, dette ønsker ikke Bærum kommunestyre av hensyn til eksisterende bomiljø. Hensynet til veletablerte villaeiere som allerede bor langs banen, veier altså tyngre enn hensynet til dem som skal etablere seg i kommunen. Det er heller ikke statens ansvar at Bærum kommunestyre bestemmer seg for å øke kravet til tomtestørrelse i kommunen, slik at folk som allerede har tomt, må ha større areal til disposisjon for å bygge boliger. Representanten Tetzschner går også inn I 2011 var det slik at Prognosesenteret antydet et boligbehov på 7 000 boliger i Oslo. Kommunens eget måltall var 4 500 regulerte boliger, og det ble bygd 1 846. Det ville vært flott om representanten i stedet for å ønske meg til Bærum kommunestyre, ønsket seg selv til Oslo bystyre, for der er det åpenbart en jobb å gjøre.

Jeg tok ordet fordi Fremskrittspartiet har vært opptatt av, som representanten Hagesæter sa, å avbyråkratisere plan- og bygningsloven. Jeg er litt usikker på hva som ligger i begrepet «å avbyråkratisere» en lov. Men det må jo bety at Fremskrittspartiet er glad for de tiltakene som regjeringen varsler i meldingen, der man vil effektivisere plan- og byggesaksprosessen, bl.a. gjennom å vurdere tidsbruken i plansakene, bruk av rekkefølgekrav, enklere mindre reguleringsplanendringer og se på rollen til private aktører i områdeplanlegging. Dette burde representanten være i stand til å si at er gode, konkrete tiltak, som representanten har etterlyst. I tillegg er representanten vel kjent med at vi har varslet en gjennomgang av innsigelsesinstituttet. Vi vil vurdere de virkemidlene som finnes der for å sikre at loven faktisk blir brukt slik som intensjonen er, fordi vi i komiteen er enige om at loven skal anvendes etter intensjonene. Det trenger vi ikke en forskrift om, men vi tar grep med tanke på det. Det er noen av de tiltakene som Fremskrittspartiet etterlyser. Representanten Tetzschner kan åpenbart ikke ha hørt etter hva jeg sa med tanke på forslaget om endring av plan- og bygningsloven § 5-4, som Høyre og Fremskrittspartiet har fremmet. Poenget mitt var at de to siste årene har de borgerlige partiene brukt mye tid på å forklare manglende boligbygging med at det er innsigelser som er problemet. Så velger de, når vi omsider kommer til den saken der det er relevant å fremme et slikt forslag, tilnærmet null betydning, fordi man velger å fjerne en bestemmelse som er svært lite brukt, og som handler om formelle krav som: Er kartene gode nok? Det er kartene som er grunnlaget for utbyggernes planlegging. Etter min oppfatning kan ikke det fremme boligbygging, det må være til hinder for det. Man velger å gå løs på den bestemmelsen som sikrer at de juridiske bestemmelsene er gode nok. Skal vi spissformulere oss og være tabloide, ville man sagt at det er å sette rettssikkerheten i fare. Og så velger man å gå løs på den bestemmelsen som brukes som hjemmel for Vegvesenet når en kommune f.eks. regulerer en løsning av veien som vil være svært lite lønnsom, svært lite samfunnsøkonomisk lønnsom og sløsing med samfunnets ressurser. Da henger spørsmålet igjen: Hvilke innsigelser er det som forsvinner? Hvordan vil dette bidra til å gjøre boligbyggingen enklere? Det har fortsatt ikke Høyre og Fremskrittspartiet svart på.

tydeligere føringer for hvordan boligbygging skal skje. Det kommer selvfølgelig i det neste dokumentet om dette. Representanten Michael Tetzschner har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til

er ansvarlig for planverket, regional planlegging og kommunestyrene, og selvfølgelig også markedet. En god del utbyggere synes det er usikre signaler og setter ikke i gang. Det kan ikke overprøves. Når det spres myter om at det er lave boligtall i Oslo, har de vært grundig tilbakevist. For øvrig er herr Hauglis antydning om at jeg skal ta en ny

Bustadmeldinga er på 113 sider, og det er 98 forhold som ein skal greie ut vidare på ein eller annan måte. Regjeringa har hatt åtte år på seg til å forenkle. Det å komme etter åtte år og seie at ein nå skal vurdere å forenkle, meiner Framstegspartiet er altfor dårleg. Her må det handling til. Fine ord og flotte formuleringar har vi meir enn nok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

Framlegget av kommuneproposisjonen er en del av maskineriet i dette velferdssamfunnet. Kommuner og fylkeskommuner tilføres penger, men de må gjøre jobben selv. Under stemmerettsjubileet i forrige uke sa parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen at velferdsstaten er kvinners beste venn. Kanskje er også kommunen velferdsstatens beste venn. Det er en venn som utfører mange av de tjenestene vi forbinder med en velferdsstat, og som innbefatter et godt sikkerhetsnett for enkeltmennesket. Det gir trygghet for barnehagetilbud, slik at foreldre trygt kan være i yrkeslivet og bidra til fellesskapet. Velferdsstaten gir skolegang og utdanning. Videre har vi et offentlig helsevesen som ikke gjør forskjell på pasienten etter hvor stor lommeboka er. Vi har eldreomsorg og sosiale ordninger for dem som behøver det. Arbeidslivet er regulert, og både myndighetene, arbeidsgiverne og arbeidstakerne har gjennom et aktivt trepartssamarbeid mulighet til å finne omforente løsninger som avveier alle hensyn. Arbeidsmiljøloven er et ektefødt barn av velferdssamfunnet. Kommuneproposisjonen viser at det er inntekstvekst også i 2014 i Realveksten vil ligge på mellom 6 og 6,5 mrd. kr. Mellom 5 og 5,5 mrd. kr av dette er frie inntekter. Av denne veksten er det satt av 1 mrd. kr til fylkeskommunene, der 0,5 mrd. kr skal gå til fylkevegene. Mange var skeptiske da en mengde riksveger ble overført til fylkeskommunene, ikke Nå ser vi konturene av gode vegeiere, som er i full sving med vedlikehold og oppgradering. Jeg mener at fylkeskommunene er bedre vegeiere enn staten. De er nærmere, og kan prioritere riktigere. Det er ingen lett oppgave, men her har fylkeskommunene startet bra. Det har tidligere vært meldt at kostnadsnøklene for fylkeskommunene skulle men her har fylkeskommunene startet bra. Det har tidligere vært meldt at kostnadsnøklene for fylkeskommunene skulle revideres i 2014. Dette utsettes ett år, og presenteres i kommuneproposisjonen for 2015. Det gjenstår ennå å utarbeide et solid grunnlag for kollektive ruter, særlig båt- og fergesektoren. For kommunene legges det opp til en gjennomgang av kostnadsnøklene i kommuneproposisjonen for 2016. Den varslede veksten for 2014 gir rom for fortsatt høyt Vi vet at kommunesektorens utgifter til demografi og pensjon er store. Derfor må sektoren tilføres flere midler. Det er bred enighet i komiteen om at gode og forutsigbare rammevilkår for kommunesektoren er viktig for landet, for lokalsamfunnene og for den enkelte innbygger, og videre at norske kommuner står i en særstilling sammenlignet med kommuner i de fleste europeiske land. 67 mrd. kr er tilført siden de rød-grønne overtok i 2005. Det er ingen liten sum. Denne summen har bl.a. gitt oss 72 000 flere sysselsatte i kommunene siden 2005. Det er ansatte som jobber i skoler, i barnehager og i eldreomsorgen, og utgjør grunnstammen i den De siste årene har vi hatt en massiv utbygging av barnehagetilbudet i Norge – noe av en barnehagerevolusjon. La meg komme med tall som illustrerer det på en god måte: Antall barn med plass i barnehage har økt med 62 600 i perioden 2005–2012 – en økning på 28 pst. I 2005 var 76 pst. av alle barn i alderen 1–5 år i barnehage. Nå er 9 av 10 barn i barnehage. Antall årsverk i barnehagene har økt med 45 pst. siden 2005. Når vi vet hvor mye vi har fått ut av 67 mrd. kr, kan man holde det opp mot Høyres og Fremskrittspartiets skatteletteløfter, som beløper seg fra 25 til 100 mrd. kr. Disse pengene skal ikke brukes til velferdsproduksjon, men må tas ut av statsbudsjettet. Kanskje det er noe å tenke på for ordførere fra Høyre eller Fremskrittspartiet som sliter med å få budsjettet i hop? Vi skal ikke underslå at noen kommuner strever med å få balanse i økonomien, men i løpet av de siste åtte år har det vært en enorm aktivitet i norske kommuner. Slik blir det mange nye skoler, sykehjemsplasser og ikke minst barnehageplasser. Men det blir også høy gjeld av høy utbyggingsaktivitet. Mange bygg er rehabilitert, og nye skoler og barnehager åpnes. Allikevel er ikke kommunenes økonomiske situasjon ute av kontroll, slik enkelte prøver å gi inntrykk av. En god indikator på det er ROBEK, registeret for kommuner i økonomisk ubalanse. I mai 2005, etter nesten fire år med Bondevik II-regjeringen, var 116 kommuner i ROBEK. I mai 2009, etter nesten fire år med rød-grønn regjering, var 42 kommuner i registeret, og det er en formidabel snuoperasjon. Siden den gang har tallet vært stabilt lavt, og nå er det 49 kommuner i ROBEK. Selv var jeg ordfører mens Erna Solberg var kommunalminister. Den sultefôringen norske kommuner var utsatt for da, unner jeg ingen av mine tidligere kollegaer, og heller ikke de som er ordførere nå, uansett hvilket parti de representerer. Det kommer til å bli en forskjell for norske kommuner dersom vi får et mørkeblått styre bestående av Høyre og Fremskrittspartiet. Grunnen er at Høyre og Fremskrittspartiet ønsker mindre omfordeling av skatteinntektene enn regjeringspartiene. Dette vil få store konsekvenser for kommuner som har lave skatteinntekter. Den rød-grønne regjeringen har i løpet av denne fireårsperioden ytterligere omfordelt skatteinntektene, slik at skattesvake kommuner får overført mer fra skattesterke kommuner. Begrunnelsen for det er å utjevne forskjeller kommunene imellom. Her skiller Arbeiderpartiet og den rød-grønne regjeringen seg totalt fra Høyre og Fremskrittspartiet. Vi vil ha mindre forskjeller Utjevningen av skatteinntektene er et valg basert på ideologi og et ønske om i hvilken retning samfunnet Norge skal utvikle seg. Vi ønsker et samfunn med små forskjeller. Gjennom åtte år med en rød-grønn regjering har vi gjort endringer i det kommunale inntektssystemet for å sikre en mer rettferdig fordeling. Det har vi gjort for på en enda bedre måte å sikre muligheten for Vi vet at det er store ulikheter kommunene imellom når det gjelder skatteinntekter. Ulikheter i skatteinntekter gir ulikhet i tjenestetilbud. Derfor er utjevningen større nå enn i 2005. Skattesvake kommuner har fått mer, skattesterke mindre. Det blir det en jevnere fordeling av. Høyre har stemt imot disse utjevningsforslagene. inntektsutjevning ønsker Høyre en endring som fører til at de som har minst, skal få mindre, og at de som har mest, skal få mer. Beregninger som Kommunaldepartementet har gjort av Høyres forslag, viser at så mye som 90 pst. av norske kommuner vil tape på en slik omlegging. Enkelte mellomstore og store kommuner vil tape millionbeløp, noe som selvsagt vil gå ut over velferden i disse kommunene, uavhengig av om endringen skjer i løpet av ett, tre eller fem år. Høyre klager over at Kommunaldepartementets beregninger ikke er riktige, men jeg har til nå ikke sett noen egne beregninger fra Høyre som tilsier noe annet enn at konsekvensene av Høyres politikk blir slik beregningene viser. Kanskje Kanskje det nå, like før valget, er på tide at Høyre viser kortene sine til norske kommuner og ikke minst til velgerne, slik at de vet konsekvensene av sine valg. Det er virkelig på tide at de ikke bare sier at beregninger gjort av departementet ikke er riktige. Vel, da må de komme fram med konsekvensene av hva deres politikk vil føre til. Derfor blir valget i høst mellom skattekutt eller styrking av kommuneøkonomien, mellom rettferdig fordeling eller mer til dem som har mest fra før. Vi som representerer den rød-grønne regjeringen, ser fram til valget. Vi gleder oss til det, og vi er stolte av det vi har gjort for norske kommuner de siste åtte

der vi har skattelette – der vi har plass til det – utan at vi kuttar i aktiviteten i kommunane. Tvert imot aukar vi overføringane til kommunane. Derimot kuttar vi i byråkrati. Så vi seier i staden at ei krone i skattelette er ei krone mindre til byråkrati. Arbeidarpartiet sin fraksjonsleiar skryter av at utviklinga i kommunane

aukar. Då er mitt spørsmål: Er ikkje representanten frå Arbeidarpartiet bekymra når både gjelda og vedlikehaldsetterslepet aukar? Når det gjelder Fremskrittspartiets økonomiske opplegg, er det faktisk slik at det ikke er noen av de andre partiene som er representert i Stortinget, som slutter seg til det.

det er kommunenes ansvar. Men samtidig er det slik at gjelden er sammensatt av flere ting. Det er låneopptak som skal videreformidles til privatpersoner eller til selskap, det er rentekompensasjonsordninger til skole- og kirkebygg, og det er tjenester som er knyttet til VAR-området, dvs. vann og avløp. Men totalt har gjelden økt på

fortsatt vegrer seg for å innføre en slik rettighet? BPA, brukerstyrt personlig assistanse, som skal gis som et tilbud til dem som har behov for det, er en del av velferdstilbudet. Det er, som representanten Bekkevold sier, riktig at det er et viktig område. Utgangspunktet for kommunene når det gjelder å gi tjenester til sine innbyggere, er at Utgangspunktet for kommunene når det gjelder å gi tjenester til sine innbyggere, er at man skal gi penger til dem, slik at de kan øke velferdstilbudet. Vi har gjort det på svært mange områder ved å øke midlene til kommunene. Når det gjelder BPA, har det vært mye diskusjon rundt hvor langt man skal gå, og hvordan man skal gjøre det. Jeg vet ikke om saken nå er på høring – det er jeg litt usikker på, for det ligger til en annen komité – men dette er et område som regjeringen har vært opptatt av, og som vi vil komme tilbake til, for vi ønsker at også disse brukerne skal få

bruke en hel valgkamp på å kritisere en avgått regjering, vil man kanskje ikke ha oppmerksomheten på riktig sted. Når det så gjelder den såkalte sultefôringen, er det slik at hvis man ser disse periodene under ett, viser det seg at det har vært en litt større vekstprosent for kommunene under den rød-grønne regjeringen. Den er på 2,55 pst. i gjennomsnitt per år, mot den borgerlige regjeringens Mitt spørsmål til saksordføreren er: Synes hun virkelig at denne forskjellen, på 0,3 pst. i gjennomsnitt, over så mange år forsvarer Ja, jeg gleder meg til valgkamp, og det registrerer jeg at de andre rød-grønne partiene også gjør. Og det er flott at også opposisjonen gjør det, for da blir det spennende. Det valgkampen kommer til å handle om, er at det blir et retningsvalg. Vi ønsker ulike ting. Vi ønsker noe annet enn opposisjonen, og det har vi vist når det gjelder kommunene. Vi har tilført penger, som har gitt aktivitet. Det har blitt mange flere ansatte i kommunene som utfører tjenester, slik at enhver innbygger rundt omkring i landet faktisk kan føle på sin egen kropp at ja, i løpet av de åtte siste årene har det blitt bedre å bo i min kommune, jeg har fått bedre tjenester, jeg har et bedre liv. Det er utgangspunktet vårt. Vi ønsker ikke å gi penger til skattelette, vi sier nei til det. Vi ønsker

men treng ikkje ta på seg oppgåver som private kan løyse like godt eller betre. Vi ønskjer også valfridom for innbyggjarane. Derfor har vi eit anna finansieringssystem. Vi ønskjer behovsstyrt statleg finansiering av grunnleggjande velferdstenester i kommunane. Det betyr at dersom det er eit behov, så utløyser dette ei finansiering. Det betyr at det spelar inga rolle om ein Det betyr at det spelar inga rolle om ein bur i ein fattig eller i ein rik kommune, tenestene skal vere finansierte av staten. Dermed konstaterer ein eit behov, og så får ein den finansieringa. Dette er på same måte som barnehagane tidlegare blei finansierte ut frå talet på barn i barnehagen og timetalet. Oppgåver som kommunane tar på seg utover desse grunnleggjande velferdstenestene, skal hovudsakleg finansierast av lokal Men inntil vi får gjennomslag for dette, tar vi sjølvsagt utgangspunkt i dagens rammeløyvingssystem og dei utfordringane som det gir. Det er tydeleg at dei rammene som regjeringa har signalisert gjennom kommuneproposisjonen for 2014, langt frå er tilstrekkelege i forhold til dei utfordringane kommunane står Regjeringa skryter av at opplegget i kommuneproposisjonen 2014 gir ein realvekst på 6–6,5 mrd. kr i overføringar til kommunane. Det var også ordføraren for saka inne på. Det kan skape eit inntrykk av at den reelle, den verkelege, faktiske veksten for kommunane er i den størrelsen. Det er sjølvsagt feil. Og kvifor er det feil? Jau, i den summen er det stort sett berre tatt omsyn til lønns- og prisvekst. Ein har ikkje tatt for seg dei auka kostnadene som den reelle befolkningsveksten tilseier. Historia viser at ein alltid har budsjettert med lågare befolkningsvekst. Det som går på aldrande befolkning og auka kostnader på grunn av det, auka pensjonskostnader og auka kostnader på grunn av nye pålagde oppgåver som ikke er finansierte frå staten, er det heller ikkje tatt omsyn til. Det betyr at kommunane ikkje har noko rom for å auke og forbetre tenestetilbodet. KS seier også at ein vil kunne halde det på same nivå. Vi meiner at vedlikehaldsetterslepet og dei auka oppgåvene i kommunane gjer at vi er nøydde til å styrkje kommunane, og det meiner vi skal øyremerkast. Vi går inn for at kommunerammene neste år skal styrkjast med 2,5 mrd. kr meir, og det skal gå til følgjande fordeling: 1 mrd. kr til driftsmidlar til kommunal eldeomsorg, 0,5 mrd. kr skal øyremerkast grunnskulen,

som Samhandlingsreforma, utan at tilstrekkelege midlar har følgt med. Det har medført – og vil medføre – betydelege utfordringar for kommunane i tida framover. Framstegspartiet fryktar at ein allereie anstrengt økonomi i mange kommunar kan Det betyr at dei enorme etterslepa mange kommunar opplever når det gjeld rehabilitering av kommunal bygningsmasse og infrastruktur som følgje av ein anstrengt kommuneøkonomi, ikkje blir reduserte, men kan for mange kommunar auke ytterlegare. Det er noko som Framstegspartiet er bekymra for, og det burde også fleire vere bekymra for. Vi har blitt lova at vi skal få ei eldreomsorg som Vel, når vi snakkar med lokale kommunepolitikarar, er det ikkje det biletet ein får. Når ein ser oppslag i pressa, er det heller ikkje det biletet ein får. For å få til ei verdig og god eldreomsorg, trengst det handling og ikkje berre valkampprat. Framstegspartiet synest det er eit stort paradoks at eit av verdas rikaste land

til trengsel for omsorg av pleietrengande eldre. Når det ikkje er automatikk i at det blir stilt opp med midlar til eit veksande behov og ei veksande eldrebefolkning, blir køar, ventelister og høgare tersklar for hjelp resultatet mange plassar. Sjølv om

beste. Heldigvis er det nokre kommunar som viser veg på dette området. Austevoll kommune var ein kommune som var på ROBEK-lista då Framstegspartiet overtok styringa i 2003 – for ti år sidan. I dag er Austevoll ute av ROBEK-lista, har nedbetalt det framførte underskotet og leverer gode tenester til innbyggjarane. Nyleg blei også pleie- og omsorgstilbodet i Austevoll konkurranseutsett. Ein baserte konkurranseutsetjinga 60 pst. på kvalitet og 40 pst. på pris. I dag kan dei eldre i Austevoll spise når dei ønskjer det, og dei kan velje mellom fisk og kjøtt til middag kvar einaste dag. Vi meiner at dei som har bygd dette landet, fortener slik valfridom som dei får i Austevoll. Vi har også eit budsjetteringssystem/rekneskapssystem som er forelda og tildekkjer den reelle økonomiske situasjonen i kommunane. Her har vi ikkje avskriving, men avdrag er då ein kostnad. Dersom vi hadde endra det til avskrivingsreglar og fått det inn som ein kostnad, ville det medført at fått raude tal. Dette er altså realiteten. Vi meiner at det rekneskapssystemet som vi har i dag, berre tildekkjer dei faktiske forholda. Vi har i dag ein kommunestruktur som består av 428 kommunar. Dei burde blitt reduserte, helst til under 100 kommunar. Derfor må det først og fremst sikrast at kommunar som slår seg saman, ikkje taper økonomisk på det, slik som dei gjer i dag. Det har blitt litt betre. Ein får kompensasjon fullt ut i 15 år, pluss nedtrapping over fem år, men framleis er dagens ordning ikkje god nok til å få fortgang i Færre kommunar ville også betydd at vi kunne avvikle fylkeskommunen som eit eige politisk og administrativt nivå, og frigjort ytterlegare milliardar av kroner som kunne ha blitt nytta til grunnleggjande velferdstenester i kommunane. Færre og større kommunar ville gjort det lettare å konkurranseutsetje og også å ta i bruk moderne velferdsteknologi og ytt kvalitativt gode innbyggjarane. Framstegspartiet ønskjer robuste og handlekraftige kommunar som løyser sine oppgåver til beste for innbyggjarane. Derfor er det både kortsiktige og langsiktige grep. Det kortsiktige vi går inn for her, er å tilføre meir pengar til kommunane, slik at ein kan sikre gode tenester. Det langsiktige er å endre rekneskapssystemet, leggje til rette og stimulere til sunn konkurranse og stimulere til sunn konkurranse og leggje føringar frå Stortinget om at vi får færre og større og meir robuste kommunar. Meir og betre velferd for kvar krone kommunane disponerer, er viktig, og det må vi arbeide for. Til slutt vil eg fremme dei forslaga som Framstegspartiet står bak, enten aleine eller saman med andre.

Finansieringsansvaret skal tas vekk fra dem som er nærmest innbyggerne i kommunen, og legges over på staten. Lokaldemokrati skal byttes ut med byråkrati. Men det som er interessant, er at Høyre allerede har avlyst denne politikken. Selv om det skulle gå så galt at Fremskrittspartiet kommer i regjering til høsten, vil de ikke kunne gjennomføre det Fremskrittspartiet skriver i innstillingen, eller det Hagesæter snakker om i sitt innlegg, fordi Høyre sier nei. Hva synes Hagesæter om at Høyre gang etter gang også på kommuneområdet legger ned veto mot Fremskrittspartiets politikk? Dette spørsmålet er ein gjengangar når Framstegspartiet får spørsmål, nemleg korleis behovsstyrt statleg finansiering fungerer. Då vil eg berre seie at det fungerer. Då vil eg berre seie at det var slik barnehagane fungerte tidlegare. Då fekk ein statleg finansiering ut frå talet på barn i barnehagane og talet på timar i barnehage. No er dette endra, slik at ein får finansiering til kommunane i rammer basert på utdanningsnivået til mødrene. Når det gjeld ressurskrevjande tenester, er det også finansiert i dag Når det gjeld regjeringsplattform – eg registrerer at Ingalill Olsen legg til grunn at det blir eit regjeringsskifte til hausten, og det er bra – går eg ikkje ut og seier kva vi skal prioritere, og kva vi skal setje øvst og nedst på prioriteringslista. Men uansett, jo større Framstegspartiet blir, jo meir sannsynleg er det at vi får gjennomslag for finansieringssystemet vårt. Det er tydeligvis krise i Kommune-Norge. Men spørsmålet mitt går ikke på det, det går også på finansieringsopplegget. Jeg skal innrømme at jeg er imot det, men jeg er faktisk mest nysgjerrig på hvordan det går an å være fanebærer for lokalt sjølstyre og samtidig gå inn for et slikt finansieringssystem. Er det de lokale politikerne som skal vurdere behovet til enkelte før det eventuelt utløser statlig finansiering, eller er det et fagbyråkrati som skal sitte der, eller er det slik at en kan ta en telefon direkte til Finansdepartementet og si at nå er jeg klar til å ta imot penger? Her er ikke SV og de rød-grønne alene, også de borgerlige samarbeidspartnerne mener nok at her trengs det de rød-grønne alene, også de borgerlige samarbeidspartnerne mener nok at her trengs det ei avklaring, mildt sagt. Det gjør ikke bildet klarere når de ekstra 2,5 mrd. kr som nå kommer, faktisk skal øremerkes – for det foreslår Fremskrittspartiet. Det at vi øyremerkjer midlar, er jo å trekkje i retning av behovsstyrt statleg finansiering. Vi vil ha det inn på enkelte område som vi ønskjer å prioritere i finansiering, må ein konstatere at det er eit behov, og då er det ei fagleg vurdering som må gå føre. Det blir også gjort langt på veg i dag når ein skal få sjukeheimsplass, heimesjukepleie osv. Men poenget her er behovet, og det er viktig å ta med seg her at Framstegspartiet set ikkje byråkratar og lokalpolitikarar i sentrum, vi set innbyggjarane i kommunane i sentrum. Det er og det er viktig å ta med seg her at Framstegspartiet set ikkje byråkratar og lokalpolitikarar i sentrum, vi set innbyggjarane i kommunane i sentrum. Det er mogleg at det kan vere nokre byråkratar der ute som ikkje synest dette er ei god løysing, men innbyggjarane vil automatisk få dekt dei behova som det etter ei fagleg vurdering er sagt at dei har behov for å få dekt. Etter mitt syn er barnehage, eldreomsorg og

Er det å få lengre skjenketider og sørge for at det blir mer sprit tilgjengelig på de lokale butikkene som er de grunnleggende oppgavene for kommunene? Eg vil først seie at eg heiter ikkje Siv Jensen – eg heiter Gjermund Hagesæter, så spørsmål i tilknyting til det sitatet du viser til, får du eventuelt ta ved ei anna anledning. Men det som er poenget her, er at vi går inn for eit anna finansieringssystem, som eg har forklara om og om igjen, altså ei behovsstyrt statleg finansiering av grunnleggjande velferdstenester i kommunane. Tidlegare var det altså slik at barnehagane var finansierte på denne måten. Eg har ikkje høyrt nokon lokalpolitikarar seie at dei mista lokal handlekraft og at lokaldemokratiet forsvann då dei hadde statleg finansiering. No går dette inn i rammeløyvingane. Det er akkurat dei same kostnadene med barnehagane, men det er altså ikkje noka automatisk finansiering. Så

Det tror jeg er et forhold enhver politisk ledelse må ta på det dypeste alvor, uansett hvordan resultatet av valget faller ut. Det er jo slik at statens ukoordinerte sektorpolitikk har overført mange av sine ambisjoner til kommunene, og så har de betraktet kommunene som gjennomføringsorganer for statlig overlate mer delegert myndighet til kommunene, slik at de kunne prioritere mellom berettigede behov, men nærmere den befolkningen som de er satt til å tjene. Jeg tror staten også har gått glipp av mange muligheter til å bruke den lokale innsikten som ligger i et kommunestyre, og den nærheten det har til de lokale forhold, nettopp på å få hjelp til å prioritere de å prioritere de samlede samfunnsmessige ressurser som brukes på f.eks. helse og velferd. Denne regjeringen har tidligere fått ros for å ha avviklet videre de øremerkede tilskuddene. Men så har det dukket opp nye hindre for det lokale selvstyret, nemlig at man har bidratt til å rettsliggjøre også denne samfunnssektoren ved at man bruker lov og forskrift. Man presser kommunene inn i spesielle måter å løse oppgavene på. Det gir mindre fleksibilitet. Så gir man også rettigheter direkte til brukerne. Alle brukere som fyller visse objektive kriterier, og melder seg for kommunen, vil jo da utløse ressurser, uansett hva kommunestyret måtte mene om det. det. Vi ser også hvordan man har liten forståelse for at veldig mange tjenester skjer på en vanlig arbeidsplass, hvor det faktisk er ganske viktig at ledelsen får anledning til å lede og bruke ressursene sine best mulig. Men der har man også falt for fristelsen til å pådytte den enkelte barnehage eller institusjon eller hva det måtte være, detaljerte bestemmelser om hvordan de skal drive, f.eks. detaljerte bemanningsnormer. Lokalsamfunn bør ha større frihet enn i dag til å ta beslutninger som gjelder dem selv, og det lokale folkestyret på sitt beste ville sikret nærhet mellom folkevalgte og velgere og faktisk bygget opp under interessen for politikk og demokrati. Et annet problem er at det fremstår som nokså uklart hvem som har ansvaret for en tjeneste. Her kan jeg si at i tillegg til de ukoordinerte statlige sektorinteressene vet også mange kommunepolitikere å delta i den sporten som heter «hver gang de har lyst til å gjøre noe nytt, må staten ta et medansvar». Dermed blir det et lappeteppe av spleiselag, hvor staten selvfølgelig velger hvor lenge den vil være med, og så sitter kommunene igjen med uoppfylte forventninger. Man kan gjøre mer for å få til en klarere arbeidsdeling, slik at velgerne i en kommune vet hvilke politikere de skal holde ansvarlige hvis det er svikt i tilbudet. Vi vil mene at kommunesektorens evne til å løse sine oppgaver svekkes gjennom sterk statlig, detaljert styring. Vi ser også at

under tittelen «Hvem tar regningen?», hvor bl.a. barnehagereformen og dens finansiering ble evaluert. Samtidig ser vi ytterligere utfordringer i forbindelse med gjennomføringen av Samhandlingsreformen og finansieringen av denne. Under dagens regjering har kommunene og fylkeskommunene fått stadig flere lovpålagte oppgaver uten at finansiering har fulgt med. Dette må kutte i sine øvrige ansvarsområder eller, om man ikke klarer det, ta opp lån. Det er slik at kommunesektoren har vært gjenstand for en betydelig gjeldsoppbygging under denne regjering, som er ganske alarmerende, og KS har beregnet gjelden til, hvis man ikke gjør korrektive tiltak og korrigerer kursen, å utgjøre 75 pst. av av driftsutgiftene årlig. Frihetsbehovet for Kommune-Norge må også innebære frihet fra underfinansierte reformer. Det er faktisk regjeringen som er den største trusselen mot kommunenes frihet gjennom denne manglende finansiering og løfter på vegne av lokalpolitikerne som setter dem i en umulig situasjon av forventninger, fordi de ikke klarer å levere. Jeg tror vi kan slå fast at friheten til å kunne prioritere i tråd med lokalpolitiske ønsker er blitt systematisk svekket. Den viktigste friheten for kommunene er likevel frihet til å gi gode nok tjenester og frihet til lokal tilpasning. Det som truer denne friheten, er først og fremst at det ikke er ressurser til å utvikle og vedlikeholde kompetansebaserte, stabile, lokalt tilpassede tjenester på de områdene som vurderes som de mest sentrale: skole, helse og omsorg. Det er selvfølgelig en god del man kan oppnå gjennom en kommunereform. Man kan få ned utgiftene til administrativt personale hvis man har en noe større befolkning å fordele de administrative kostnadene på. Men de som tror at organisatoriske endringer vil være nok for å gjenopprette den manglende tilliten i Kommune-Norge, vil nok være for optimistiske. Det er også et problem at det kommunale selvstyret står rettslig svakt. Det jeg da tenker på, er at i mange sammenhenger ser kommuner og stat ulikt på både beregningsmetode og også rettslige konflikter. I dag fungerer konfliktløsningen slik at staten bestemmer som den vil, gjerne etter utstrakt bruk av tid. Vi ser behovet for å få etablert en uavhengig tvisteinstans mellom stat og kommune. Det var faktisk også forutsatt da Norge ratifiserte europarådskonvensjonen om lokalt selvstyre i 1989. Så vi har en folkerettslig forpliktelse til å gi kommunene et middel til å få prøvd sin sak i en diskusjon eller konflikt med statlige etater av en uhildet instans. Vi hadde også sett frem til at man fikk etablert et slikt uavhengig tvisteløsningsorgan, og jeg viser til representantforslag, Dokument 8:32 for om nettopp å innføre et slikt tvisteløsningsorgan. For å oppsummere: Høyre ønsker mer makt til kommunalt folkevalgte, mindre makt til statlige myndigheter. Da kommunene ble fratatt inntekter fra selskapsskatten, mistet de et viktig incentiv til lokal næringsutvikling og verdiskaping. Vi ønsker å la kommunene beholde en større del av egne inntekter gjennom selskapsskatten, da det vil utløse interesse for å legge forholdene til rette for lokalt næringsliv. Det rød-grønne alternativet er å behandle kommunene mer og mer som velferdsstatsklienter, og da er det ikke rart de vil innta den rollen. Da vil de bruke mer av sin tid til å påvirke statlige bevilgningsetater og overbevise dem om sine manglende muligheter, fremfor å se de mulighetene som er lokalt for å stimulere næringsliv og bringe vekst i den enkelte kommune. Derfor ønsker Høyre en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunesektoren, endringer som skal sikre og stimulere til en positiv utvikling i kommunenes inntekter. Målet er å bygge opp under det lokale selvstyret ved at kommunene får beholde en andel av selskapsskatten og en større del av egne skatteinntekter. Dette skal selvfølgelig skje under hensyntaken til inntektsgarantiordningen, som innebærer en garanti for at kommunene alltid får en tidshorisont for å tilpasse seg nye regimer og nye inntektsregler. Det blir replikkordskifte. Høyre ønsker en annen fordeling av skatteinntektene til

Høyre skriver i sine merknader at de ønsker at kommunene skal få beholde «en større del av egne skatteinntekter». I dag er andelen av kommunenes inntekter som kommer fra skatt, 40 pst. Betyr det Høyre ønsker, minst halvparten, slik Høyre har ment gjennom hele denne stortingsperioden? Betyr det 45 pst.? Eller kanskje 55 pst.? Kan representanten Tetzschner konkretisere hvilken prosentandel «større del» betyr? Et veldig godt mål hadde vært å nå 50 pst., for i det øyeblikket du får 50 pst. av egne inntekter, skjønner du at du må bruke hoveddelen av tiden din til å pønske ut hvordan du fremmer vekst og vekstvilkår, bl.a. for næringslivet i din egen kommune, og bli noe mindre opptatt av det kontaktarbeidet som ligger i å utløse statlige overføringer. Ideelt sett burde det ligget enda høyere, men det er klart at her er det også snakk om en gradvis tilvenning, så kommunene får anledning til å skifte fokus fra å være klient til å legge til rette for næringslivet.

slik at de allerede før valget kan forberede seg på de årene de skal trappe ned aktiviteten sin. Jeg regner med at Tetzschner er enig i det, men hvis han også har navn på noen kommuner som allerede nå skal tilpasse seg den nye, litt negative virkeligheten, kan vi ta det nå. For det andre: Jeg syns Tetzschner har et veldig godt lokaldemokratisk innlegg. Jeg mener at Høyre trenger et tilsvarende innlegg om det regionale nivået, for hvis Høyre oppriktig er opptatt av samfunnsutvikling nedenfra, vil de også trenge tilsvarende refleksjoner og betraktninger om organisering på det regionale nivået. Takk for rosen som gjaldt det som innlegget var ment å være, nemlig en tro på det lokale selvstyret. Men vi kan ikke lukke øynene for det faktum at fylkeskommunen aldri har hatt legitimitet blant velgerne. Folk oppfatter at det er to politiske nivåer som har ansvaret i landet. Det er deres primærkommune – som de har et mer direkte forhold til, for de kjenner ordføreren og omgås lokalpolitikerne i sin hverdag – og så er det staten. Vi ønsker å styrke kommunene som robuste enheter, og vi ønsker klare ansvarsforhold hvor også staten skal ta sin del av ansvaret. Så til første del av spørsmålet: Så til første del av spørsmålet: Fordelingen mellom det å få overført inntekter til en kommune sammenliknet med hva man selv klarer å legge til rette for av egne skatteinntekter, går jo ikke på den totale summen av penger man har til rådighet – og da vil selvfølgelig innbyggernes interesser veie

tror spørreren undervurderer at også det å vokse krever kommunale investeringer. Derfor ønsker vi også at vekstkommuner i større grad blir tilgodesett når de må gjøre investeringer for å ta imot en økende befolkning. Ellers har vi det generelle virkemiddelapparatet på statlig hånd, som skal hjelpe til med næringsutviklingen i næringssvake strøk. næringssvake strøk. Overføringssystemet mellom kommunene er ikke det mest velegnede og målrettede når det gjelder å sikre bosetting i landet. Vi tror at det er en egenverdi i at de lokale politikerne forstår at det er lokale skatteinntekter de i større grad disponerer enn i dag. Det vil også føre til at de oppdager et par andre ting som ikke har med i vokabularet for tiden, og det er at man kan få mer ut av de skatteinntektene man tross alt får, dersom man kan gjøre omprioriteringer. Replikkordskiftet er omme. Dette er en innstilling som temamessig favner bredt. Det er noe som bekrefter hvor viktig kommuner og fylkeskommuner er i den norske velferdsstaten – særlig når de

gir oss – i utgangspunktet er svært godt fornøyd. For oss politikere, både i posisjon og opposisjon, er det krevende å balansere klokt mellom det å være fornøyd og rose alt det gode arbeidet som blir gjort, samtidig som en skal både makte og tørre å se det som ikke fungerer, og i neste omgang sjølsagt også både makte og tørre å gjøre noe med det. For i dynamiske tider, i dynamiske samfunn som vårt, er det ingen svar, løsninger Denne innstillinga kan leses nærmest som en tverrpolitisk hyllest til videre vekst og utvikling av kommunene våre. Fylkeskommunen er det langt mer splittede oppfatninger om: Noen ønsker den en rask død – andre ønsker en langsom seigpining. Andre igjen ønsker status quo, mens noen av oss ønsker fylkeskommunene en ny vår, i form av store, kraftige regioner. Men samtidig er det per i dag i denne salen stor oppslutning om de fylkeskommunale aktivitetene. Det er jo et godt utgangspunkt. Ellers er forskjellene i innstillinga mye et uttrykk for den klassiske forskjellen mellom posisjon og opposisjon på Løvebakken: Opposisjonen vil mer og raskere, mens posisjonen er mer preget av «problematiske begrensninger» som budsjett og handlingsregelen, som synger bak det hele. Jeg skal ikke kommentere enkelttjenesteområder her i mitt første innlegg, men jeg er jo en klassiske SV-er og rød-grønn politiker. Mye er bra, og noe er utrolig bra, men sjølsagt kan og skal en del bli bedre. I et samfunn som vårt, som er så rikt, som har så mange dyktige folk der ute i de fylkeskommunale og kommunale apparatene, som er så oppdatert kunnskapsmessig, som har i seg mye fellesskapsfølelse, tillit og gjensidig respekt, er det klart at vi har alle forutsetninger for å videreutvikle gode velferdssamfunn rundt omkring i Norge. Jeg skal heller ikke prate om kommunestruktur. Det kunne jeg gjort, for vi prater veldig mye om kommunestruktur, og jeg syns det er interessant og viktig nok. SV vil jo også nå smøre kommunesammenslåingsprosesser, der kommuner ønsker å gjøre det. Men jeg tror vi overvurderer når det gjelder kvalitet, effektivitet eller demokrati. Og hvis en prater med praktikerne, er det også delte syn på dette. Samtidig ser vi nå at flere og flere sier at det ser ut som om en strukturendring er ønskelig og nødvendig. Jeg skal konsentrere meg mest om denne stat–fylkeskommune–kommune-diskusjonen, som vi allerede har vært så vidt inne på. Den er viktigere og vanskeligere, og heller ikke her gir forskningen oss – i den grad jeg kan påberope meg å følge med på alt som er kommet av forskningsrapporter på dette området – noe entydig råd. Men for meg som SV-er er det viktig å påpeke følgende: Vi har ofte en debatt av typen: Skal vi ha mer stat og mindre kommune eller mindre stat og mer kommune? Jeg tror dessverre vi nå ser en utvikling i det offentlige som tyder på at vi faktisk får mindre stat og mindre kommune. Det skyldes at svært mange kommuner har rigget seg veldig klar – det har ikke skjedd så mye til nå – til å gå fra en situasjon der de i stor grad driver med egenproduksjon av tjenester, til nå å være mer en bestiller av tjenester. Det tror jeg ikke minst er problematisk lokaldemokratisk. Én ting er at en får mer makt, myndighet og ansvar ned fra staten, men hvis du tar alt dette og gjennom bestillinger setter det ut til private, tror jeg det ikke minst er en veldig krevende øvelse. Det er vanskelig nok for en lokalpolitiker å drive god politisk styring av egen aktivitet, men hvis den lokalpolitiske styringa først og fremst skal være knyttet til å utforme anbudsdokumenter, velge en leverandør og deretter forholde seg til rapportering fra den leverandøren, tror vi at dette i praksis vil svekke lokaldemokratiet. I tillegg – dette I tillegg – dette har allerede vært nevnt i debatten i dag – er jeg overbevist om at dette bestiller–utfører-byråkratiet nettopp er et byråkrati i ordets negative forstand; et stort og problematisk byråkrati, som gir oss byråkrativekst. Det blir replikkordskifte. KS har regnet ut at kommunenes utgifter i gjennomsnitt er

gjennomføres. Da er det vel også naturlig at staten dekker de faktiske utgiftene. Så mitt spørsmål til representanten Hagen er: Hvorfor vil ikke regjeringen og SV dekke kommunenes faktiske utgifter som de blir pålagt gjennom introduksjonsordningen? Et svar, som er et litt sånn standardsvar når SV og Fremskrittspartiet debatterer, er at vi har noen budsjettbegrensninger å holde oss til, mens Fremskrittspartiet stort sett ikke har det. Nå har heldigvis stat og kommune møtt har laget en god avtale og sagt at dette må vi løse i fellesskap. Staten har ikke bestridd disse regnestykkene. Samtidig har ikke minst mange kommuner sjøl sagt at disse i mye større grad er en ressurs enn det en ofte har betraktet dem som. Vi ser at det er mange enkeltkommuner, bl.a. den Høyre-styrte kommunen Molde, som har funnet ut at hvis en jobber offensivt med dette, hvis en ser på dette som en del av de ordinære driftsoppgavene, klarer en fint å finne gode løsninger også innenfor de økonomiske rammene som en har i dag. Så jeg er optimist. Sjøl om jeg ikke klarer å få til mer friske penger, er jeg optimist, for jeg tror Kommune-Norge er i ferd med å få mer og mer tak på dette. Det gjelder representanten Hagens advarsel mot i det hele tatt å sette ut offentlige tjenester til

Så delte man byen inn i fire konstruksjonsområder og eksponerte for konkurranse. Da sparte man 10 mill. kr for hver av de fire områdene som byen besto av. Det interessante var at de private busselskapene betalte skatt til kommunen, og folk var mer fornøyde enn før, i tillegg til at kommunens eget selskap etter hvert måtte bli like effektivt. Hvilke landsulykker mener representanten Hagen fulgte av dette bortsett fra at det ble betalt mer skatt? Dette er for en SV-er ikke en landsulykke. Jeg har vært gjennom den samme prosessen tidligere i mitt eget fylke, Oppland, der det var helt klart at vi hadde en utgangssituasjon som ikke var bra, i den forstand at monopolselskapet tok seg for godt betalt. Så ble det konkurranse. Der vi har levd med konkurranse en stund, ser vi dessverre at dette også blir problematisk, for i praksis er det så få tilbydere at prisen er i ferd med å gå veldig opp igjen. Så det som først var en besparelse – viser det seg i ettertid – er i ferd med å forsvinne. Det jeg la hovedvekt på i innlegget mitt, er det lokaldemokratisk problematiske knyttet til at når en setter ut tjenester og aktivitet, er det som politiker veldig vanskelig

til over 40 pst. av inntektene ved utgangen av 2011. I årene 1997–2000 var nettogjelden så lav som rundt 10 pst. av inntektene. Gjelden der renteutgiftene netto belaster budsjettene og regnskapene, kan anslås til godt og vel 170 mrd. kr. Dette gjør kommunene svært sårbare for eventuelle renteøkninger, og for eventuelle renteøkninger, og kommunene går en usikker framtid i møte rent økonomisk. Kommunenes handlingsfrihet, beslutningsmyndighet og selvstyre kan også begrenses på grunn av dette. Når jeg hører de rød-grønne partiene snakke om dette, virker det på meg som om dette ikke bekymrer dem i det hele tatt. Gjelder det også for SV? Det gjelder ikke for SV, og det gjelder ikke for de andre

Jeg er glad for å tilhøre et regjeringsflertall som satser på kommunen som tjenesteleverandør – ikke bare med fine ord, men med en betydelig økning i overføringene. Fra 2005 til 2013 har overføringene økt med bortimot 68 mrd. kr. Veksten har gitt 59 000 flere årsverk i kommunesektoren – i all hovedsak innenfor barnehage, skole, pleie og omsorg. Sytten av atten årsverk går til tjenesteproduksjon, bare ett av atten til Inntektsrammene for kommunesektoren for 2014 gir rom for et fortsatt høyt nivå på velferdstjenestene i kommunene. Samhandlingsreformen innebar nye oppgaver for kommunene. Så langt har dette gått langt bedre enn mange spådde. Erfaringene er hovedsakelig i tråd med målene for reformen. Foreløpige anslag viser at avviket mellom faktiske og budsjetterte utgifter til medfinansiering er forholdsvis beskjedent, om lag

Partiet har tvert imot de fleste stedene vært i front for slike prosesser. Men vi har vært, og vil fortsatte være, en garantist for lokalt folkestyre og mot bruk av tvang for å presse gjennom slike utraderinger av småkommuner. Det kan virke som om enkelte nærmest skammer seg over at vi har så mange kommuner som vi har i dette landet. Over tid har man dyrket et sett med myter og forvekslet dem med vedtatte sannheter. Sammenlignet med mange andre land har vi ikke spesielt mange kommuner i Norge. Myten om at vi vil spare store summer på en storstilt strukturreform, stemmer kun hvis man ønsker en storstilt sentralisering av kommunale tjenester. Det kan godt være at det er nettopp det som ligger bak. Min hypotese er at de som ønsker tvangssammenslåing av kommuner, i realiteten ikke er fornøyd med at folk bor der de bor i dag, og vil tvinge dem til å flytte mer sentralt.

Mye tyder på at Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å gå motsatt vei. Fremskrittspartiet tar til orde for å fjerne småkommunetilskuddet. Høyre ønsker å øke skatteandelen og redusere graden av utjamning mellom kommunene. Ved å ta fra de fattige og gi til de rike vil det store flertallet av kommunene – 90 pst. – tape. Vi vil få store kvalitetsforskjeller på kommunale tjenester. Etter at fylkene overtok ansvaret for riksveiene, har det skjedd et taktskifte i investeringsnivået. Fylkeskommunene har vist seg å være gode veieiere, ofte bedre enn staten. Etterslepet på vedlikehold er imidlertid stort, og det vil kreve at fylkesveiene blir prioritert i mange år framover. Det har regjeringen tatt konsekvensen av. I Nasjonal transportplan ble det lagt opp til 10 mrd. kr ekstra den neste tiårsperioden Fylkene har også fått en viktig rolle som regional utviklingsaktør og koordinator, i et samarbeid mellom kommunene og andre offentlige og private aktører. I motsetning til Høyre og Fremskrittspartiet, som ikke ønsker dette regionale nivået, mener vi at nettopp rollen som regional utviklingsaktør – herunder støtte til næringsutvikling og ansvar for et omfattende veinett – er et område der nettopp fylkeskommunen

store interkommunale selskap for å ta seg av det, for ein innser at ein ikkje har kompetanse sjølv til å gjere det. Eg vil spørje representanten for Senterpartiet: Vil ikkje dette vere ei innrømming av at små kommunar rett og slett ikkje har ressursar og kompetanse, og vil ikkje dette på sikt føre til ei enorm sentralisering til udemokratiske forhold med interkommunale selskap? Nei, tvert imot tror jeg at dette fører til bedre tjenester for innbyggerne. Min erfaring med Samhandlingsreformen er at det har vært veldig mye godt interkommunalt samarbeid om spesielle tjenester. De store, grunnleggende områdene er det kommunene selv som tar seg av. Når det gjelder intermediære plasser f.eks., er det helt naturlig at flere kommuner samarbeider om sånne spesialiserte oppgaver. Det er ikke bare de små kommunene som samarbeider, også bykommunene samarbeider for å få på plass et enda bedre kompetansemiljø og enda bedre tilbud til innbyggerne. Jeg tror det er en styrke at vi har et godt interkommunalt samarbeid rundt omkring. Det er ikke Det er ikke noen hemsko for demokratiet at kommunene finner sammen, og kommuner kan finne forskjellige samarbeidsregioner, helt ut fra oppgavene. For noen passer det å være i en region når det gjelder Samhandlingsreformen og de oppgavene, og så kan det passe å være i en liten, annen konstellasjon når det gjelder helt andre oppgaver som de har felles med andre nabokommuner.

rentekompensasjonen for transporttiltak i kommunene. Så her gir man med den ene hånden og tar med den andre. Mener virkelig Senterpartiet at denne pakken er det verdt å ta bølgen for? Det er riktig som representanten sier, at det er gjort endringer i rentekompensasjonsordningen. Det vil jo ha virkninger de Etter det vil denne økningen slå fullt ut. Det med rentekompensasjonsordning er jo egentlig å forskyve utgiftene fram i tid. Så nå tar vi dem altså løpende. Jeg vil påstå at fylkesveiene og takten i utbygging av fylkesveiene har blitt helt annerledes etter at fylkene overtok dette ansvaret. Jeg ser at i mitt hjemfylke er det en annen sammenhengende utbygging, en helt en helt annen felles regional planlegging, og vi har fått en helt annen takt i fylkesveiutbyggingen, som viser at staten ikke er den rette til å drive fylkesveiene i distriktene. Replikkordskiftet er avsluttet. Kristelig Folkeparti legger til grunn at politiske beslutninger skal tas på lavest mulig hensiktsmessig nivå. Dette forutsetter at maktfordelingen og finansiering er
Representanten Trine Skei Grande

Gjennom undersøkelser blant ordførere og rådmenn har det kommet fram at innbyggernes forventninger overstiger kommunens økonomiske gjennomføringsevne. Dette er konsekvensen av at en stor del av tjenestetilbudet og førstelinjen legges under kommunal styring, uten at det følger tilstrekkelig med midler. Det er avgjørende for et godt tjenestetilbud i kommunene og for opprettholdelsen av tilliten mellom kommuneforvaltning og innbygger at nye tjenestetilbud som underlegges kommunene eller overføres fra stat til kommune, må fullfinansieres fra dag én. Gjeldsnivået i kommunesektoren har økt kraftig de senere årene. Hovedårsaken til denne utviklingen er et høyt investeringsnivå og lånefinansiering knyttet til dette. Samlet utgjorde langsiktig gjeld ved utgangen av 2012 om lag 330 kr. Gjelden, der renteutgiftene netto belaster budsjettene og regnskapene, kan anslås til godt og vel 170 mrd. kr – eller oppunder halvparten av samlet gjeld. Kristelig Folkeparti er bekymret for den stadig økende gjelden i norske kommuner, og, som jeg har redegjort for tidligere i en replikkordveksling, har nettogjelden steget til over 40 pst. av inntekten ved utgangen av 2011, mot 10 pst. for årene 1997–2000. Dette gjør kommunene svært sårbare for en eventuell renteøkning. Vi i Kristelig Folkeparti ønsker et levende lokaldemokrati som har både handlefrihet og selvstyre. Vi ser at regjeringen har lagt oppgaver til kommunene og i tillegg gitt kommunene regningen for oppgavene. Regjeringen skyver ansvaret over på kommunene og lar kommunepolitikerne ta støyten for manglende finansiering og kutt i tjenester. Derfor mener jeg det er behov for å presisere at dersom kommunene pålegges nye oppgaver, må kommunene få tilsvarende økte tilskudd. Kun det vil sikre kommunene reelt selvstyre. Det er veldig positivt at regjeringen nå endelig følger i våre fotspor og iverksetter tiltak for å få på plass raskere bosetting av flyktninger. Rask bosetting etter at oppholds- og arbeidstillatelse er innvilget, er av stor og deltakelse i det norske samfunn. Kommunene bosetter i dag færre enn det IMDi anmoder om, og andelen kommuner som sier nei til bosetting, øker. Ifølge IMDi må landets kommuner bosette 28 000 flyktninger i perioden 2014–2016. I utgangen av mars 2013 ventet om lag 4 400 personer i asylmottak for å bli bosatt i en kommune. Av disse er 700 barn. barn. Dette er et urovekkende høyt tall. For Kristelig Folkeparti er det uakseptabelt at bosettingsmålene ikke oppfylles. Det er sikkert mange årsaker til at flere kommuner har utfordringer knyttet til bosetting. Mangel på bolig, skoletilbud, arbeidsplasser, tidligere erfaringer og fare for omfattende familiegjenforening – som jeg hører også blir brukt – kan være mulige årsaker til det. En hovedårsak som stadig trekkes fram, er et for lavt investeringstilskudd til bygging av boliger samt et for lavt integreringstilskudd. Integreringstilskuddet er i dag lavere enn kommunenes kostnader knyttet til tilretteleggingen som behøves. Derfor er det positivt at regjeringen nå varsler økt integreringstilskudd, økt tilskuddsramme og inntil 40 pst. tilskudd til utleieboliger til flyktninger og andre prioriterte grupper. Kristelig Folkeparti mener likevel at disse tiltakene alene ikke vil være nok til å få bosatt alle som venter på bosetting. Det krever en videre styrking av kommunens kapasitet og ressurser til bosetting for å komme i mål med bosettingen av alle dem som nå sitter og venter på mottak. Som sagt: Når det ved utgangen av mars i år satt om lag 4 400 personer i mottak – dette er mennesker som har fått opphold og skal bosettes i en kommune – er det et urovekkende høyt tall. Jeg håper at alle partier vil være med på en dugnad som gjør at denne uverdige situasjonen for disse menneskene kan opphøre raskt. Det

valg». Det å hjelpe Fremskrittspartiet til å komme til makten har Kristelig Folkeparti tenkt å gjøre. Ifølge Fremskrittspartiet selv er Fremskrittspartiets fremste kandidat til kommunalministerposten deres ordfører i Austevoll kommune, som har privatisert hele pleie- og omsorgssektoren i kommunen. Hvilke tanker gjør representanten Bekkevold seg om å være et eventuelt støtteparti for en regjering som lover storstilt privatisering i Kommune-Norge, eller endog være medlem av en slik regjering? Aller først må jeg jo si at i motsetning til Arbeiderpartiet har ikke Kristelig Folkeparti allergi mot enhver form for privatisering. Det kan nok være noen oppgaver som kunne egnet seg

Ellers må jeg si at Fremskrittspartiet selvfølgelig får all mulig anledning til å snakke om sin politikk. Kristelig Folkeparti skal snakke om sin politikk, og så skal dette være et område som vi sikkert skal kunne samtale om når den tid kommer.

som på mange måter er å sette den norske modellen ut i praksis, at en får dette trepartssamarbeidet mellom stat, kommune og fagforeninger. Er Kristelig Folkeparti og representanten Geir Jørgen Bekkevold klar til å hylle Saman om ein betre kommune, og slik sett si at dette er et prosjekt en vil arbeide videre med også i neste periode? Jeg vil gjerne være med og hylle alle prosjekter som gjør at kommunesektoren kan blomstre og videreutvikle seg. seg. Dette og sikkert flere andre tiltak og prosjekter skal Kristelig Folkeparti være med og løfte fram. Vi er et parti som gjerne ønsker at beslutninger skal tas på lavest mulig nivå. Derfor blir kommunesektoren en viktig sektor. Det å ha en kommunesektor som blomstrer og videreutvikler seg, er svært, svært viktig også for Kristelig Folkeparti. Til trepartssamarbeidet: Vi har ikke på noen som helst måte utfordret det, vi ser at dette er ting som sikkert kan videreutvikles. Men det viktigste av alt er jo at alle gode krefter går sammen for å styrke kommunesektoren. Det er der velferdstjenestene først og fremst skapes og leveres, og derfor er det viktig at vi har en robust

Folkeparti. Jeg forstår det, for jeg tror det faktisk er ganske ubehagelig. Jeg skal gå over til et annet felt. I vår komité har vi også ansvar for integrering og innvandring. Representanten Bekkevold var opptatt av bosetting. Det er vi alle sammen, for vi ønsker den dugnaden som representanten etterlyste. Det støtter vi representanten veldig på, og vi er glad for at representanten har den holdningen. Men er representanten Bekkevold med å samarbeide med Fremskrittspartiet på det feltet som omhandler asyl og innvandring, og støtter Kristelig Folkeparti de holdningene Fremskrittspartiet har på dette området, ikke minst når det gjelder de menneskene dette berører? Det er ingen grunn til å legge skjul på at det er stor avstand mellom Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet når det kommer til asyl-, innvandrings- og integreringsspørsmål. Det er et av de områdene der jeg ser at avstanden kan være så stor at det er en grunn til at vi fra Kristelig Folkepartis side har sagt at det er lite sannsynlig at vi sitter i regjering med Fremskrittspartiet. Men alt skal kunne snakkes om, og det har vi vært veldig tydelig på. Vi ønsker en ny regjering, og vi ønsker etter valget – når velgerne har talt og sagt sitt – å sette oss ned med alle partiene og snakke om også de vanskelige områdene. Så får vi se hva vi klarer å komme fram til når de samtalene er gjennomført. Replikkordskiftet er avsluttet. Vi behandler nå kommuneopplegget, noe som egentlig er etterfølging av debatten vi har hatt om distrikts- og regionalpolitikken. Essensen i det innlegget jeg holdt i forrige uke, var at velferdsstaten møter vi

de regler, direktiver, forskrifter og statlige foranstaltninger som kommer over alle de lokale avgjørelsene som skal tas. De fleste av verdiene våre skapes lokalt, og det er viktig at som gjør at vi kan sørge for en sterk verdiskaping. I forbindelse med distriktsmeldinga hadde vi sju konkrete forslag. Det ene var forslag om en kommunereform for nye, færre og sterkere kommuner, større bevilgninger til frie midler, friere kommunal skattøre, tilbakeføring av en del av selskapsskatten, deling av Innovasjon Norge, styrking av SIVA – ingen av disse forslagene fikk flertall i salen. Det er synd. La meg først få utdype behovet for en kommunereform. Det er ikke sånn at beskrivelsen som Senterpartiet har lagt seg på i sin valgkamp for ikke å endre noe, er riktig. Det er faktisk sånn at det er stor bevegelse ute blant folk, der man ser de strukturene som vi hadde da både tilbudet fra kommunene var annerledes, fagbehovene var annerledes, og kommunikasjonen var annerledes.

Vi har for små enheter til å kunne flytte makt nedover. Vi har for små enheter til å styrke lokaldemokratiet. Den politikken som regjeringa nå står for, svekker lokaldemokratiet, svekker muligheten til å flytte makt nedover og svekker muligheten til å ha de gode lokale løsningene. Det er derfor Venstre kjemper for en kommunereform. Dette kommer til å være de viktige oppgavene å ta tak i for en ny kommunalminister. Til slutt vil jeg gjøre oppmerksom på forslaget fra Venstre, som er omdelt i salen. Det er ikke noe nytt forslag. Vi har fremmet et tilsvarende forslag i forbindelse med behandling av kommuneproposisjonen de siste to–tre årene, men har beklageligvis ikke fått flertall. Det betyr at det fortsatt er like aktuelt. Kommuneøkonomi er så utrolig mye mer enn penger. Det er sammenhengen mellom oppgaver, reguleringer, overføringer og frihet til å finne løsninger som er til beste for innbyggerne. Problemet i dag er at vi har et lovregulert lokaldemokrati. Vi styrer med så mange lover, pålegg og rettigheter for hver enkelt borger at det snart ikke er mulig for lokalpolitikere å finne de gode Det finnes inntil 7 000 paragrafer og forskrifter og et meget avansert inntektssystem som basis for det lokaldemokratiet vi har i dag. Det er et stort paradoks – med så mange paragrafer og så mange forskrifter færre enn 5 000 innbyggere som i det hele tatt har en jurist til å tolke alle de lovene, reglene, rundskrivene og forskriftene som kommer fra denne regjeringa. Det er med andre ord 200 kommuner som ikke engang har ansatt en fagperson til å lese alle de beskjedene de får. Det er en del av det kompetansegapet vi ser mellom stat og kommune, det er den tappinga av lokaldemokratiet som vi ser. Vi ville hatt en gjennomgang av hele lovverket som organiserer lokaldemokratiet vårt i dag, sånn at vi forhåpentligvis kunne sanert, ryddet opp og gjort forventningene til kommunene mye klarere, enklere og med større handlingsrom. Til slutt vil jeg si at Venstre kommer til å stemme for forslagene nr. 1–3 og selvfølgelig for vårt eget forslag, som er omdelt i salen, og som jeg med dette tar opp.

kanskje driste seg til å sjå litt framover. Der den førre regjeringa stramma inn i kommunane sine budsjett, har me gitt handlingsrom. I snitt har kommunane tilsett 10 300 personar kvart år medan me har styrt. Det er i hovudsak folk som er i direkte dialog og gir direkte tenester til Under Bondevik II-regjeringa, med Erna Solberg i stolen, var snittet 1 800. Skattelette var viktigare enn lokal velferd. Der den førre regjeringa svekte distriktssatsinga, har me sikra småkommunane moglegheiter, m.a. gjennom småkommunetilskot og regionale utviklingsmidlar. Desse verkemidla går ei usikker framtid i møte ved eit regjeringsskifte. Der den førre regjeringa lét rike kommunar verte rikare og dei fattige sakke akterut, har me utjamna skatteinntektene meir. Alle kommunar skal ha moglegheit til å yte gode tenester. Difor tek me litt frå kommunane med dei høgaste skatteinntektene for å gi til dei med dei lågaste. Dette har Høgre sagt at dei vil reversere. Eit skifte til hausten vil verte dramatisk for dei

tenestene. Frå enkelte vert det forsøkt med ei svartmåling av situasjonen i kommunane. Sanninga er, som Kommunal Rapport hadde skrive på heile framsida for ei tid sidan, at det går betre. Det går eigentleg veldig bra. Ein yter gode tenester. Inntektene til sektoren har reelt auka med 67,6 mrd. kr frå 2005 til 2013, og kommunane har brukt

Me har fått betre lege- og fysioterapidekning, og fleire av bebuarane på sjukeheim har fått einerom. Ei anna teneste som har auka kraftig, er barnehage. Vårt mål er å sikre alle ungar eit barnehagetilbod med høg kvalitet til låg pris. Sidan 2005 har 62 000 fleire ungar fått plass i barnehage, og barnehagedekninga har auka monaleg. Det betyr noko for dei ungane, og det betyr noko for foreldra, som veit at ungane har ein Regjeringa held fram satsinga på kommunesektoren. I kommuneproposisjonen for neste år varslar regjeringa vekst i samla inntekter på mellom 6 mrd. kr og 6,5 mrd. kr – av dette mellom 5 mrd. kr og 5,5 mrd. kr som frie inntekter. Den føreslegne inntektsveksten legg til rette for styrking av det kommunale tenestetilbodet – igjen. Fylkeskommunane får 1 mrd. kr av den varsla veksten i frie inntekter, og dette er 0,5 mrd. kr i opptrapping til satsing på fornying og opprusting av fylkesvegane. Mellom 4 mrd. kr og 4,5 mrd. kr av veksten går til frie inntekter til kommunane – som dei kan disponere til det den enkelte kommunen har mest behov for. Det er historisk låg øyremerking. Når eg høyrer Framstegspartiet frå denne talarstolen, må eg spørje meg kva framtid kommunane går inn i viss leiaren i Framstegspartiet skal verte finansminister, og kanskje skal dei òg ha kommunalministeren.

me skal få til eit studium i innovasjon, og me skal utvikle kommunane til å verte endå meir nyskapande enn dei er i dag. Det er slik at dei fleste statlege reformene har starta i ein eller fleire kommunar – sist no Samhandlingsreforma, som me har innført i landet. Det blir

Fylkesordføraren i Sogn og Fjordane, frå Arbeidarpartiet, og fylkesvaraordføraren i Sogn og Fjordane, frå Senterpartiet, har uttalt at dette er ei djupt urettferdig ordning. Vil statsråden ta initiativ frå regjeringa for å få endre fordelingsnøkkelen, slik at Sogn og Fjordane fylkeskommune ikkje vil vere i den situasjon som fylkesordføraren orienterte fylkestinget om no sist, at ein ikkje har midlar til vegar i Sogn og Fjordane dei neste ti åra? Då desse riksvegane vart overførde til fylka, var Sogn og Fjordane kanskje det fylket som kom aller best ut, for det vart teke omsyn til dei fylka som hadde prosjekt under utbygging. Sogn og Fjordane fekk heile 10 pst. av ramma – langt over det ein elles skulle hatt. Difor har ein no kunna opne Bremangersambandet, og difor skal ein snart opne Dalsfjordsambandet – takk vere denne regjeringa som har sytt for mykje meir midlar til fylka. Det skal lagast kriterium for samferdsle som skal inn i inntektssystemet. Det er varsla i 2015. I overgangsåret, 2014, er det gitt ei fordeling, som beskrive av representanten. Det er eitt år. Den varige løysinga, den varige fordelinga, kjem i inntektssystemet for 2016, og ho vert ikkje slik som dette. Det har heile tida vore klart at dette var ei ordning for 2014.

Rentekompensasjonsordningen skal tas bort. Høyre syntes det var en god ordning og vil videreføre denne. Syns ikke statsråden det var en god ordning, og er hun ikke bekymret for forfallet? Då fylket overtok resten av riksvegane, vart det òg gjort ein del tilpassingar, slik at staten har behalde ein del meir av dei vegane enn det som vart nemnt då vi diskuterte dette i ein annan setting. Ja, rentekompensasjonsordninga var ei god ordning, men då var ikkje budsjettet til fylkeskommunane på det nivået det er i dag. For det fyrste la me inn 1 mrd. kr ekstra i 2009, i tillegg til det som var ramma på vel 5 mrd. kr som skulle overførast. Så har me lagt inn ei opptrapping på 1 mrd. kr årleg i den neste Nasjonal transportplan. Det er klart at det er meir for kommunane enn rentekompensasjonsordninga, for dei midlane kan dei bruke enten til å investere direkte, eller til å ta opp lån. Me føreset at denne regjeringa vert sitjande. Det vil bety at opptrappinga kjem på plass, og at dei vil få 1 mrd. kr ekstra, som vil vere varig, og som kan brukast enten til låneopptak, eller

bruker mer av sine egne penger til denne reformen enn andre kommuner som har kommet lenger i gjennomføringen, eller som har en annen økonomi. 220 kommuner har altså en høyere kostnad enn den de får kompensert. Dette kan jo være en anledning til å spørre statsråden om det ikke er tilfellet at denne reformen allerede nå bør etterberegnes. Hva ønsker hun å gjøre for at også de kommunene som må bruke mer av egne penger, skal kunne oppleve at dette er en reform som både fungerer, og som er fullfinansiert fra statens side? Når me overfører midlar til kommunane, må me rekne på makronivå. Det vert heilt umogleg viss ein skal sitje og rekne på kvar enkelt kommune. Og ser me på makro, vil eg seie at 120 mill. kr er ganske godt treft. Ser me på andre reformer, har dei slått litt ulikt ut. Kvalifiseringsprogrammet slår den andre vegen. Der har ein ikkje brukt den ramma som vert overført til kommunane, og det er ingen av kommunane – ettersom eg har høyrt, eller KS – som krev at me skal dra inn igjen dei midlane. Det hadde vore naturleg viss me hadde ei ordning med etterrekning, at me òg dreiv inn igjen det som gjekk i pluss. I fjor var demografiutviklinga slik at vi hadde ei for høg stipulering av demografi i forhold til det som vart realitetane. Me krev heller ikkje inn igjen dei midlane – det er fleire hundre millionar. Ein fekk med seg over 2,5 mrd. kr i varige skatteinntekter som vert jamna ut, takk vere ei regjering som jamnar ut mellom rike og fattige kommunar, slik at alle får del i dei. Totalt sett meiner eg at dette jamnar ut meir enn dei 120 mill. kr, men eg har sagt at me skal følgje nøye med på dette

statsråden mener med at Høyre i sine alternative budsjetter har ligget under regjeringens forslag til rammer for kommunene i denne perioden. Eit parti og ei regjering sin vilje til å stimulere enten kommunesektor, samferdsle eller andre sektorar kjem til uttrykk i stortingsproposisjon nr. 1 som regjeringa legg fram for Stortinget. Viss me ser på gjennomsnittleg realvekst i den tida Høgre satt i regjering og hadde makt, var gjennomsnittet ganske lågt: 1,6 pst. frå 2002 til 2005. At Stortinget, mot Høgre sin vilje, plussa på dei skrantne budsjetta så det i alle fall vart litt meir når det skulle fordelast til kommunane, kan ikkje vere Høgre si forteneste. Kva eit parti gjer når det sit i opposisjon,

Norske kommuner omsetter for 400 mrd. kr hvert år. Det meste av det er omfordeling over statsbudsjettet, men det er også noe i egeninntekter. Til sammenligning er statsbudsjettet på i overkant av 1 000 mrd. kr. Én av fem sysselsatte her i landet er ansatt i en kommune. Én av fem høres ikke så mye ut, men når vi vet at det er 463 000 sysselsatte, skjønner vi at kommunesektoren er viktig. Og som det har vært sagt tidligere her: innbyggere møter kommunen på daglig basis, enten gjennom at vi – som jeg – overlater barna i trygge hender i barnehagen, eller ved å gå på skole, har behov for helsetjenester eller har behov for omsorg på andre måter. Representanten Michael Tetzschner forsøker å skape en tillitskrise og forteller at det er en krise mellom staten og kommunene i Norge. Det er en fortelling jeg overhodet ikke de deler av landet der jeg oppholder meg mest, er det altså ikke sånn. Tvert imot er det et godt samarbeid. Det er et godt ekteskap, der kommune, stat og fylke arbeider sammen for å nå målene til beste for innbyggerne. Som i alle ekteskap er det selvfølgelig noen diskusjoner og noen uenigheter, men dem lever vi også med.

kommuneøkonomien. Representanten Tetzschner sa også en ting i sitt innlegg som jeg er nødt til å arrestere ham på, fordi han påstår at økningen i handlingsrommet i den norske økonomien vil komme enhver regjering til gode. Nei, det er ikke sant. Vi har altså ikke gått til valg på skattelettelser i størrelsesorden 25 mrd. kr per år, som Høyre har gjort. Det ville ha innskrenket handlingsrommet med 25 mrd. kr i Vi hører at de borgerlige skal gå til valg på å danne regjering sammen. Fremskrittspartiet lover skattelettelser i størrelsesorden 100 mrd. kr. Det er 50 pst. mer enn det vi har styrket kommuneøkonomien med. Nei, de borgerlige har ikke det samme handlingsrommet, det kommer ikke enhver regjering til gode. Det handlingsrommet som vi har, har vi skapt fordi vi har gjort en prioritering – vi tror at de største oppgavene skal vi løse i fellesskap.

den økningen skyldes at opposisjonen i Stortinget – herunder Arbeiderpartiet – la på de budsjettforslagene som regjeringen kom med. Hvis vi legger til grunn Bondevik II-regjeringens proposisjoner, så ville veksten ha vært på 1,5 pst., som er anslagsvis 60 pst. av den veksten vi har hatt nå. Jeg er veldig glad for at representanten Tetzschner også ga oss en avklaring på Høyres fordelingspolitikk, og at det forslaget man fremmet i fjor, men som man tydeligvis glemte å fremme i kommuneproposisjonen i år, står ved lag. De ønsker altså en skatteutjevning på ca. 50 pst. – og endog er det ønskelig med mer. Det er veldig greit å få en avklaring på det, for da vet vi at Høyres politikk fortsatt står fast. Fortsatt er det uklarheter som jeg mener velgerne har krav på å få vite noe om. Det handler om Høyres forundringspakke, som er kombinasjonen av kommunenes økonomiske opplegg og skattefordelingen. Det er kommunestrukturdebatten – hvor mange kommuner skal vi ha, og hvilken prosess skal det være, og skal det være frivillig eller ikke? Og det er ikke minst oppgavefordelingen – hvilke oppgaver skal gå til kommunen og hvilke skal gå til staten? Velgerne må få en avklaring på dette før valget.

På meg verker det slik at det er umåteleg viktig for kommunalministeren å fortelje kor mykje pengar ho har løyvd til kommunane dei siste åra – i håp om at folk skal tru at det er sant – utan å nemne kostnadsauken som har vore i denne tida. Den raud-grøne regjeringa har oppnådd éin ting, og det er å auke byråkratiet vesentleg, mens dei varme hendene i omsorgsyrka og lærarane på skulane og andre

Framstegspartiet viser til at kommunesektoren har eit sjølvstendig ansvar overfor sine innbyggjarar for å løyse oppgåver ved å yte tenester, drive samfunnsutvikling, utøve myndigheit og vere ein lokalpolitisk institusjon. Samtidig har staten eit ansvar for å tilby kommunesektoren dei rette føresetnadene for at oppgåvene kan løysast til det beste for

spesielt i ei tid der Kommune-Noreg har hatt redusert driftsresultat og innskrenka økonomisk handlingsrom. Framstegspartiet meiner at det sentrale spørsmålet i dag er om kommunesektoren si evne til å løyse sine oppgåver til beste for innbyggjarane, best kan styrkast gjennom ei sterkare statleg styring eller gjennom eit og større likeverd mellom kommunesektoren og staten. Eg meiner det siste er løysinga. Under dagens regjering har kommunar og fylkeskommunar fått stadig fleire lovpålagde oppgåver, utan at fullfinansiering følgjer med, noko som medfører at kommunane må kutte i andre viktige ansvarsområde. Framstegspartiet meiner at fridomsbehovet for også inneber fridom frå underfinansierte reformer. Regjeringa truar på mange måtar kommunane sin fridom gjennom manglande finansiering og gjennom løfte som stiller lokalpolitikarar i utfordrande situasjonar, fordi dei ikkje er i stand til å levere det som vert forventa av dei. Fridom til å kunne prioritere i tråd med lokalpolitiske ønske har dermed som har svekt denne fridomen er først og fremst at det ikkje er ressursar til å utvikle og vedlikehalde kompetansebaserte, stabile og lokalt tilpassa tenester på dei områda som vert sette på som dei mest sentrale, nemleg skule, helse og

før reformen ble innfaset. Vi mener derfor at det må satses på et kompetanseløft i omsorgssektoren for å gjøre kommunehelsetjenesten i stand til å påta seg stadig større oppgaver. Videre mener vi at innfasing av rus- og psykiatrioppfølgingen i Samhandlingsreformens neste fase må gjøres først kommuner har utviklet pilotprosjekter og høstet viktige erfaringer som kan komme hele sektoren til gode. Høyre var imot innføring av ordningen med kommunal medfinansiering som virkemiddel for å styrke forebyggende tiltak og behandlingstilbudet i kommunene. Svært mange kommuner har for lavt befolkningsgrunnlag til å kunne etablere reelle alternativer til spesialisthelsetjenesten. Videre vil kommunens muligheter til å begrense utvikling av sykdom og behov for spesialisthelsetjeneste være begrenset på en rekke områder. Høyre frykter også at ordningen med generell kommunal medfinansiering i praksis svekker pasientens rett til spesialisthelsetjeneste fordi kommunene vil ha et sterkt incentiv, eller motiv, for å begrense bruk av slike tjenester. Jeg minner her om rapporten fra Senter for økonomisk forskning ved NTNU som på oppdrag fra KS undersøkte årsakene til at kommunene kommer så ulikt ut i Samhandlingsreformen. I rapporten avdekkes systematiske avvik mellom hvor store utgifter de enkelte kommunene har hatt til medfinansiering, og hvor store inntekter de har fått gjennom inntektssystemet. Høyre vil vise til at selv om lovnaden var at Samhandlingsreformen skulle være fullfinansiert, viser foreløpige tall fra Helsedirektoratet at dette ikke stemte, og at de faktiske utgiftene for kommunene ble om lag 150 mill. kr høyere – og det er alvorlig. KS uttaler at «for de kommunene som rammes, er det snakk om store beløp, som innebærer mindre penger til skoler, barnehager, og omsorg». Når det også er en kjensgjerning at regjeringens valgløfter om tilsagn på 12 000 nye heldøgns omsorgsplasser ikke innfris, er jeg fristet til å ta ord som «valgflesk» i min munn. I alle fall er dette å gjøre opp regning uten vert. Høyre er og har vært kritisk til skapte forventninger om 12 000 nye plasser når dette løftet i realiteten inkluderer rehabilitering og erstatning av sanerte plasser uten noe mål for hvor mange flere plasser det skal bli. Det er grunn til bekymring for at mange kommuner i forbindelse med Samhandlingsreformen har fått et stort trykk på korttidsplasser på sykehjem til utskrivningsklare pasienter, noe som gir en høyere terskel for å få sykehjemsplass. Spesielt er det alvorlig at det er økende utfordringer knyttet til psykiske plager. Vi er bekymret for den sterke fokuseringen på Samhandlingsreformens krav og utfordringer, og at dette har bidratt til at kommunene ikke makter å gi et godt nok tilbud innen rus og psykiatri til personer som sliter. Høyre har foreslått å etablere et tilbud av allmennpsykologer i kommunene, i samlokalisering med fastlegene. Også i kommunal sektor kan vi lære av hverandre. I denne sammenheng vil jeg henvise til den vellykkede etableringen av et såkalt drop-in-tilbud med offentlige psykologer i Tvedestrand. Dette fungerer godt som et viktig lavterskeltilbud for tidlig innsats

Innovasjon kan være et viktig virkemiddel for å utvikle tilbudet i dag og tilpasse tilbudet de utfordringer som kommuner og fylkeskommuner kommer til å møte i årene framover. Norge har en omfattende offentlig sektor som sikrer velferd, omsorg, helse og utdanning, et velorganisert arbeids- og næringsliv, et betydelig offentlig eierskap og høy Det pekes i proposisjonen på at innovasjon i offentlig sektor vil ha stor betydning for landets samlede verdiskaping. For å oppnå en mer effektiv ressursbruk i offentlig sektor, kunne tilby bedre og tryggere tjenester og møte samfunnets framtidige utfordringer arbeider regjeringen for bl.a. å digitalisere offentlig sektor satse særlig på innovasjon i hele helse- og omsorgssektoren fremme innovasjon i kommunesektoren øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Med innovasjonsstrategien ønsker regjeringen å bidra til nytenkning, fremme en innovasjonskultur og motivere til innovasjonsarbeid i kommunesektoren. Innovasjon skal være en integrert del av virksomheten og drives kontinuerlig. Kommunene skal i større grad benytte innovasjon og utvikle nye løsninger for å sikre gode tjenester for innbyggerne sine i tiårene som kommer. Det er også viktig at erfaringene fra innovasjonsprosessene spres mer systematisk enn det som blir gjort i dag. En skal i større grad se på innbyggerne som en ressurs for samfunnet. Dette gjelder ikke minst de eldre. Kommunene skal bli enda flinkere til å trekke med innbyggerne og frivillige i arbeidet med å finne nye og gode løsninger. Hva er så innovasjon i kommunene? Innovasjon i næringslivet har i St.meld. nr. 7 for 2008–2009 blitt definert slik: «en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier» Men denne definisjonen er ikke helt treffende på offentlig sektor, så da er det i proposisjonen foreslått: «Innovasjon er prosessen med å utvikle nye ideer og realisere dem slik at de gir merverdi for samfunnet.» Da blir kortversjonen at det skal være noe nyttig, og det skal være nyttiggjort. Innovasjon blir da kjent eller ny viten som kombineres på en ny måte eller brukes i en ny sammenheng. Det påpekes i proposisjonen at det kommer til å bli et stort behov for kommunal innovasjon de neste tiårene. Innovasjon og nye ideer er ikke noe nytt for de norske kommunene. En rekke velferdstilbud som vi i dag ser på som selvsagte, vokste fram fra gode ideer i enkelte kommuner. Ta f.eks. Samhandlingsreformen, der kongstanken er å få bedre samhandling mellom kommunesektoren og sykehusene. Kommuner som hadde gjort innovative ting på dette området før reformen, var bl.a. Alta og Ål. Det er stemmerettsjubileum i år, og jeg har lyst til å si noe om lokaldemokratiet med tanke på at kvinnene fikk stemmerett for 100 år siden. Er det en liten svakhet for demokratiet at en femtedel av ordførerne er kvinner? Skal vi også være innovative her, tenke på muligheter for å få flere kvinner til å engasjere seg i lokalpolitikken? Er det kanskje noe med møtestrukturen og måten man organiserer det på? Det samme gjelder Stortinget. Her har vi en kvinneandel på snart 40 pst. – veldig ujevnt fordelt i de ulike politiske partiene. Noen har 50 pst., noen har en veldig lav andel kvinner, og noen har over 50 pst. i Kanskje man skal se på valgloven, se på hvordan man nominerer til Stortinget? Dette har noe å gjøre med å tenke framover, og for 100 år siden sto disse kvinnene og kjempet en kamp for stemmerett for kvinner. Det gjør seg ikke selv – når man ser hvordan sammensetningen er i kommunestyrene og i stortingssalen. Så dette er en oppfordring til å være innovative og nytenkende i det politiske arbeid, slik at også kvinnene skal få en oppfordring til å være innovative og nytenkende i det politiske arbeid, slik at også kvinnene skal få en større andel i lederposisjoner i politikken. i stortingssalen. Så dette er en oppfordring til å være innovative og nytenkende i det politiske arbeid, slik at også kvinnene skal få en større andel i lederposisjoner i politikken. Denne regjeringen skryter av tidenes satsing på samferdsel, og det har også denne samferdselsministeren gjort når det gjelder fylkesveinettet. Men jeg har lyst til å si at hvis man skal ta æren for et såkalt samferdselsløft – som ikke er så veldig rart, fordi alle regjeringer har forfallet på fylkesveinettet heller aldri har vært større enn mens denne regjeringen har sittet. De skryter av tidenes satsing, men forfallet på fylkesveinettet er nå et sted mellom 45 og 75 mrd. kr. Statens vegvesen sier at man bør regne med 55 mrd. kr som et slags mål for kanskje å ta det

Da er vi nesten 1,4 mrd. kr på etterskudd etter fire år. Da har vi hatt et valg, en ny rullering av Nasjonal transportplan, og vi har hatt et valg til, gitt. Da er det sånn at de milliardene er nesten 1,4 mrd. kr mindre totalt i løpet av den fireårsperioden enn det regjeringen har vært ute og skrytt av land og strand rundt, spesielt Senterpartiets politikere. Men ikke nok med det: Man tar bort som gjorde at fylkeskommunene kunne låne 2 mrd. kr i året. Det er 1 mrd. kr mer enn det man nå egentlig skulle fått hvis man hadde fordelt de 10 mrd. kr på ti år. Så tar man bort den ordningen og sier at det får dere ikke lov til lenger. Det er jo flott. Det betyr at til fylkeskommunene, som nå har et forfall som er oppe i et sted mellom Så tar man bort den ordningen og sier at det får dere ikke lov til lenger. Det er jo flott. Det betyr at til fylkeskommunene, som nå har et forfall som er oppe i et sted mellom 45 og 75 mrd. kr, sier man: Lykke til, det får dere ordne opp i selv. Og de to milliardene er da blitt til 651 mill. kr, hvis man ikke låner de pengene også. Men man kan ikke fortsette å låne hvis man ikke får penger til å sørge for å betale det tilbake. Jeg skjønner at statsråden har vært i Sogn og Fjordane og kjørt bil. Vi har også registrert at men kanskje burde hun ta en tur rundt omkring i landet og se på det dårlige veinettet; sette seg bak rattet og kjøre rundt på mye dårlig fylkesveinett, se hvordan det står til ute i den virkelige verden, også her på Østlandet, og kanskje litt i Nord-Norge også – forfallet bare i Nordland er på 7,8 mrd. kr. Vi spør om å få vite hvordan de 651 mill. kr skal fordeles mellom fylkene, nei, det skal vi komme tilbake til i statsbudsjettene. Da skal man kanskje få vite hvordan man har tenkt å la fordelingen være mellom de forskjellige fylkene. I Norge sier bilverkstedene, spesielt trailer- og vogntogverkstedene, at de skifter deler som de ikke skifter noen enn på Brunkeberg i Telemark eller andre steder rundt omkring i distriktene i Hedmark og Oppland. Kanskje statsråden burde begynne å gjøre noe med det enormt dårlige fylkesveinettet. Det er kommunalministerens ansvar, sammen med samferdselsministeren. Jeg vil be statsråden ta seg en tur for å se hvordan det ser ut der ute. ute. Kanskje vi bør prøve å ha en større ambisjon enn å få mindre penger til fylkesveinettet i 2014 enn i 2013. Det forventer fylkespolitikerne. Det forventer næringslivet i distriktene. Dette handler om distriktspolitikk. I Telemark får man beskjed fra tyske turistmesser, som sier at de anbefaler tyskerne å ikke kjøre via Telemark. Det er god distriktspolitikk for hotellene i Kanskje statsråden bør ta seg en tur til Vrådal og prate med hotelleieren der, som mister busslast på busslast med turister, fordi veiene er så dårlige at turistselskapene ikke vil kjøre med bussene sine der. De ødelegger bussene, og de har 40 pst. mer vedlikeholdskostnader. Dette er virkeligheten. Jeg håper statsråden begynner å gjøre noe med det. Det er

mye! Jeg vil ta opp tråden fra forrige sak da vi diskuterte boligpolitikk. Det har noe med kommuner å gjøre, og det har noe med flyktninger å gjøre. Vi har lenge hatt en uholdbar situasjon når det gjelder bosetting av flyktninger. Mange kommer seg ikke ut av mottakene. Det er ingen kommuner som vil ta imot dem. Det er uverdig for verdens rikeste land. Dette er mennesker som har flyktet fra alt – flyktet for livet. De får plass på mottak – de kommer dit, men men ikke lenger. Da Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for en tid tilbake sendte på høring et forslag om sterkere statlig medvirkning til bosetting av flyktninger, ble det et ramaskrik. KS protesterte heftig på det man oppfattet som tvang. NTNU fikk i den forbindelsen i oppdrag fra KS å gjennomgå hele prosessen fra innvilget søknad til bosetting i en kommune. kommune. En hovedanbefaling var å legge spørsmålet om flyktningeboliger inn som en del av kommunens ordinære boligforsyning og boligformidling. I april i år kom en ny avtale mellom KS og staten om bosetting av flyktninger, der begge parter skal bidra. I år er det bevilget 5,1 mrd. kr til integreringstilskuddet. Nye 250 mill. kr kommer i 2014. Tilskuddet til utleieboliger til flyktninger og andre prioriterte grupper økes med inntil 40 pst., fordi mangel på bolig er det ordførere og rådmenn oppgir som viktigste grunnen til å si nei til flyktninger. Men fortsatt er vi i den situasjonen at antallet som blir sittende fast i mottak, øker. I år er 360 kommuner bedt om å ta imot Vedtakene hver for seg summerer seg til 5 812, altså en manko på nesten 4 000. Så ser vi i samfunnet rundt oss stadig et sterkt engasjement blant ordførere og andre for personer som ikke har fått opphold i Norge. Jeg syns egentlig det er flott at folk bryr seg. Men jeg hadde mange ganger ønsket at engasjementet hadde vært like stort for dem som er her forfulgt og trenger beskyttelse, som ikke kan reise noe sted, men blir parkert på et venterom av varierende kvalitet. Det går ikke, og det er helt nødvendig at kommunene tar imot flere. Ja, det er helt nødvendig at kommunene tar imot alle hvert år. Dette er ikke et engangsprosjekt, men en varig oppgave som må med i kommunenes løpende planlegging. Vi ser at det er stor forskjell på kommunene. Nesten 30 pst. tar ikke imot noen i det hele tatt. 54 pst. tar imot noen, men ikke alle de blir bedt om. men ikke alle de blir bedt om. Bare 17 pst. sier ja til hele anmodningen. Det er en fordeling kommunene imellom som kanskje er litt urettferdig. Jeg mener det er grunn til å stille seg et spørsmål: Hva er det som gjør at forskjellen er så stor kommunene imellom? Mye tyder på at det først og fremst handler om vilje og evne til å finne løsninger ute i kommunene. Jeg har noen få eksempler. Molde kommune vant Bosettingsprisen i 2012. 2012. Begrunnelsen var at kommunen har vist vilje til å bosette mange flyktninger over flere år. Flyktningene får kurs i hvordan de skal anskaffe egen bolig. Startlån brukes aktivt, og boliger frigjøres til nye flyktninger. Molde kommune er en kommune med 25 000 innbyggere. Den ble anmodet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi, om å bosette 55 personer i 2012. De vedtok å bosette 55 personer, og 53 personer ble bosatt. I I 2013 ble kommunen anmodet om 55 personer, og 55 personer ble vedtatt bosatt. 79 pst. er i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram i 2012. Vi kan si at Molde er en stor kommune. Men vi kan ta turen til Kvinesdal, en kommune på 5 800 personer, den eneste kommunen i Agder-fylkene som har svart positivt på anmodningen fra årene. Der betrakter politikerne bosettingen av flyktninger som en berikelse for bygda. De bygger boliger, samarbeider tett med det lokale næringslivet og satser bevisst på utdanning for nyankomne flytninger som et tiltak på veien mot å bekjempe barnefattigdom. De ble i 2012 anmodet om å bosette 15 personer, og 15 ble bosatt. Tilsvarende i 2013: De ble anmodet om å bosette 25, og tar imot 25. De har en positiv holdning til å fortsette med det. Vi kunne gått videre til andre kommuner, men det har jeg ikke tid til. Jeg mener dette illustrerer et viktig poeng. Her handler det også om vilje og evne ute i kommunene, og ikke bare om penger fra staten. Det er viktig at folk kan bo, leve og

er her de lokale folkevalgte hver eneste dag bidrar til å utvikle samfunnene og de velferdstjenestene som vi er avhengige av. Siden vi tok over regjeringsmakta i 2005, har det blitt flere tusen nye årsverk i kommunesektoren og i offentlig sektor. Dette er årsverk som har gått til flere ansatte i barnehagene som gir barn og Det er flere tusen ansatte i skolene som gir bedre lærevilkår for barn og unge, og som nå viser gode resultat også på internasjonale prøver. I tillegg er det også mange flere som jobber i helse- og eldreomsorgen, i skolehelsetjenesten osv. Kvaliteten på de kommunale tjenestene må ytterligere forbedres. Det er derfor riktig at det også satses på økt kompetanse og økt rekruttering. kompetanse og økt rekruttering. Kompetansehevingen kan være desentralisert, slik at folk i distriktene kan gjøre dette kombinert med arbeid. Ett av flere tiltak den rød-grønne regjeringen har iverksatt, er «Saman om ein betre kommune». 110 kommuner arbeider med viktige problemstillinger som sykefravær, heltid/deltid, kompetanse, rekruttering og Det er riktig og viktig at kommunene selv finner lokale løsninger på sine behov og sine utfordringer. Det gjøres best i et samarbeid mellom ansatte, arbeidstakerorganisasjoner og det offentlige. Det er dette som kalles «den norske modellen». Jeg ser i Kommunal Rapport for 13. juni 2013 under overskrifta «Vil ikke være «saman om ein betre kommune»».

Lokalt samarbeid mellom folkevalgte, den administrative ledelsen, medarbeidere og tillitsvalgte er en forutsetning for å utvikle lokale velferdstilbud av høg kvalitet. Nylig ble innbyggerundersøkelsen lagt fram. 96 pst. av dem som bor i landet, er fornøyd med å leve og bo i Norge. Det er små forskjeller mellom ulike landsdeler. Innbyggerne er mer tilfredse med offentlige tjenester enn noen gang tidligere. Det er tjenester av høy kvalitet, og det offentlige er en god leverandør av disse velferdstjenestene. Norge er i tillegg år etter år kåret av FN til et av verdens beste bo og leve i. De problemene vi har, enten det er i offentlig eller privat sektor, må løses i fellesskap, og markedet kan ikke løse alle disse utfordringene alene. Det er vi både på Stortinget, i fylkeskommunene og i kommunene – som må legge til rette for god utvikling sysselsettingsmessig og ikke minst bomessig, slik at folk ønsker å bo og leve rundt omkring i hele landet vårt. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Det er

de som ønsker å bidra til store skatteletter for dem som har mest, må også ta etansvar for å påvise hvor man vil kutte hvis man skal gjøre dette innen handlingsregelens regime. Vi sier fra vår side at man kutter ikke i skattene før det skinner av eldreomsorgen. Man kunne også si før det skinner av mange av de andre omsorgsoppgavene som finnes. For det tredje har jeg lyst til å nevne, noe jeg synes er viktig, og som jeg også synes at vi har fått en viss avklaring på i denne debatten, Høyres tilnærming til hvordan vi skal fordele skattekronene – skatteutjevningen. Hvis det virkelig er Høyres tilnærming til hvordan vi skal fordele skattekronene – skatteutjevningen. Hvis det virkelig er slik at Høyre vil at skattens andel av kommunens totale inntekter skal være på 50 pst. – representanten Tetzschner var i sitt svar til Ingalill Olsen i replikkordskiftet inne på at skatteandelen ideelt sett skulle vært høyere. Hvis det er slik at man har man da tatt konsekvensen av hva den type fordeling og retning av skatteutjevningen vil bety, bl.a. for de skattesvake kommunene? For å ta mitt eget fylke: Det ville innebære at samtlige kommuner får betydelige kutt – Ringsaker 30 mill. kr, Elverum 16 mill. kr, og jeg kunne nevnt flere. Den type skjevhet synes jeg absolutt det er grunn til å få belyst. Jeg er i så måte glad for at vi fra representanten Tetzschners side har fått en viss klarhet i denne

en tjenesteyter og en serviceinstitusjon. Politikk er prioritering, og vi prioriterer å øke den økonomiske handlekraften til kommunene, slik at innbyggerne kan finne trygghet i at kommunene deres leverer gode velferdstilbud med topp kvalitet. Ja, politikk er prioritering. Regjeringen prioriterer bl.a. 3 mrd. kr til regnskogsfond – vi prioriterer 2,5 mrd. kr til kommunene.

Jeg representerer Møre og Romsdal, og jeg syntes det var herlig å høre representanten Christoffersen skryte av den politikken Fremskrittspartiet og Høyre har ført når det kommer til flyktninger i Molde kommune. Men dessverre ser vi i mitt fylke realitetene av regjeringens politikk – nedslitte skolebygg, kutt i antall lærere og lange ventetider i BUP og PPT. Enkelte steder ville inneklimaet på skolene – inneklimaet for barna våre ikke blitt godkjent i landets fjøs engang. Regjeringen påstår at den har ambisjoner for skolen, men gir ikke skolen økonomiske ressurser til å nå dem. Hovedtillitsvalgte i skolelederforbundet i Molde, Terje Røvik, sa det så treffende: «Det er som å bli bedt om å stille opp i sprint og så få utdelt tresko». Et annet problem er manglende oppfølging av Samhandlingsreformen. Flere kommuner har allerede mer enn brukt opp midlene de fikk overført til utskrivningsklare pasienter og behandling i sykehus, fordi de ikke har tilstrekkelig med sykehjemsplasser. Eldre, syke og pleietrengende blir kasteballer i et system som er så presset økonomisk at man ikke har mulighet til å yte et godt nok tilbud. De blir kasteballer i et system som blir tvunget til å legge ned sykehjemsplasser fordi regjeringen ikke prioriterer å gi nok midler. et system hvor alle skal med, bortsett fra skolebarn, syke, eldre, pleietrengende, psykiatripasienter, rusavhengige eller andre som ikke passer inn i regjeringens skapte A4-mal. Ja, politikk er prioritering. Vi prioriterer 2,5 mrd. kr mer til kommunene. Det tilsvarer over 119 mill. kr bare til mitt fylke, Møre og Romsdal. Dette gjør vi nettopp for å sikre at vi når ambisjonene vi har på vegne av norsk skole, nettopp for å sikre at de eldre ikke blir kasteballer i velferdssystemet, og for å sikre at vi har gode velferdsordninger til alle landets innbyggere.

Jeg er en varm forsvarer av at kommunene samarbeider både for å bedre tjenestetilbudet til innbyggere og for å få mest mulig ut av hver krone de bruker. Samarbeid fører til fornyelse, forsterking og nødvendige endringer i tjenestetilbud og til bedre rettssikkerhet for innbyggerne, spesielt innenfor sårbare områder som barnevern. Det som imidlertid må ha stor oppmerksomhet i slikt samarbeid, er åpenhet og innsyn for folkevalgte og innbyggere. Det er en stor utfordring både i interkommunale selskap og interkommunale aksjeselskap. Økt privatisering og konkurranseutsetting av tjenestene, som Høyre og Fremskrittspartiet ivrer så kraftig for, vil garantert føre oss i feil retning når det gjelder åpenhet og innsyn i kommunal sektor. Det interkommunale samarbeidet har imidlertid en grense, og gjelder selvfølgelig i de store og sentrale kommunene, der det er kort avstand mellom rådhusene. Men det gjelder også i høyeste grad i de minste kommunene våre. Men det er ingen enkelt debatt, og vi må ikke forsøke å få det til å virke sånn. I mitt hjemfylke, Nord-Trøndelag, har vi flere kommuner med under 1 000 innbyggere. En av dem er Leka, en øykommune med ca. 600 innbyggere. Det er et av de mest naturskjønne og spennende øysamfunn man kan oppdrive, der det ligger helt på grensen til Nordland. Men det er store utfordringer der – ikke bare økonomisk, men også i mangel på menneskelige ressurser i administrasjon og i helse- og utdanningssektoren. I et oppslag i regionavisen sa en eldre arbeiderpartihøvding på sagaøya at nå var tiden inn for å slå seg sammen med en av nabokommunene, på tross av lange avstander og kronglete reiseveier. Han fikk svar fra ordføreren at det aller viktigste for Leka nå var å bestå som egen kommune. Han begrunnet det med at ved sammenslåing med en annen kommune, ville både skole og sykestue forsvinne. Det ville bety katastrofe for innbyggerne og for lokalsamfunnet Leka. Det er den erfaringen ordføreren har. Sammenslåinger fører til at tjenestetilbud og dermed lokalsamfunn forsvinner. Jeg håper statsråden og andre tar en tur til Leka i løpet av sommeren. Samfunn som dette har behov for oppmerksomhet og noen å legge fram sine synspunkter for.

synspunkter for. Kommuneproposisjonen for 2014 viser at regjeringa i løpet av dei siste åtte åra har satsa sterkt på kommunesektoren. Dette har òg vore eit av Senterpartiet sine fremste politiske mål. Frå 2005 til 2013 har inntektene til kommunesektoren reelt økt med 67 mrd. kr. Også for 2014 er det lagt til rette for framleis utbygging av kommunale tenester, både i omfang og i kvalitet. Det er bra. Den demografiske utviklinga vil føra til auka behov for offentlege velferdstenester dei neste åra. Fram mot 2040 vil det nesten verta dobbelt så mange menneske over 67 år. Skal vi klara å halda oppe dagens innretning og nivå på tenestene, vil det vera behov for mange fleire tilsette i helse- og omsorgssektoren. Betre tilrettelegging slik at folk kan bu heime lenger, meir bruk av teknologi, større innslag av frivillige, ny pårørandepolitikk og auka satsing på førebygging og kvardagsrehabilitering vil vera blant dei viktigaste satsingane i åra som kjem. Det er òg viktig å minna om at pårørande yter stor innsats – ja faktisk har omsorgsinnsatsen utført av frivillige og familie vore om lag like stor i talet på årsverk som den offentlege innsatsen på det kommunale pleie- og omsorgsfeltet. Representanten Gjermund Hagesæter kritiserte eldreomsorga i Representanten Gjermund Hagesæter kritiserte eldreomsorga i Noreg og meiner det er eit paradoks at eit av verdas rikaste land har slike – etter utsegna hans – dårlege tilstandar. Kanskje representanten Hagesæter kan visa til eit anna land i Europa som har betre utbygd offentleg omsorg, og som er like godt tilgjengeleg uansett inntekt, arbeid og sosiale forhold? Vi ligg på topp i sjukeheimsdekning. Vi er også blant dei landa med høgast dekning av offentleg heimesjukepleie og heimetenester. Faktum er at i mange andre land, ja kanskje dei aller fleste, må familien ta eit mykje større ansvar enten økonomisk eller personleg, eller begge delar, for eldreomsorga og for sine foreldre enn det tilfellet er i Noreg. I Noreg er det det offentlege som er berebjelken i pleie- og omsorgstilbodet. Det skal vi vera stolte av, og det skal vi snakka opp. Visst er det utfordringar i eldreomsorga i Noreg likevel, men nettopp derfor har vi starta Samhandlingsreforma, som er ei tillitserklæring til kommunane og kommunehelsetenesta. Det er ei retningsreform i helsevesenet med vekt på førebygging og desentralisering av tilbod. I tillegg har vi vedtatt stortingsmeldinga Morgendagens omsorg, som legg strategien for ei vidareutvikling av pleie- og omsorgstilbodet. Senterpartiet har tru på at dei som har ansvar for tenestene, òg må ha det økonomiske ansvaret. Statleg sjekkheftepolitikk for omsorgstenester til eldre vil premiera sjukdom og funksjonsnedsetjing. Det vil ikkje gi eitt øre til førebygging og tiltak som hindrar sjukdom og funksjonstap hos den enkelte. Fremskrittspartiet har alltid mer til alle gode formål enn alle andre partier, sånn er

om KS. For KS har sagt at opplegget i kommuneproposisjonen for 2014 og veksten er nødvendig. De ønsker seg selvfølgelig mer – det er deres jobb.

Det er forskjell på det, og det viser helt tydelig den retning at kommuneøkonomien er blitt forbedret. Hagesæter var inne på eldreomsorgen. Han sier at rammebevilgning er et sosialistisk system, og at det er helt uakseptable forhold i eldreomsorgen. Alle partiene i vår

av at Austevoll har måttet ansette tre til fire personer for å administrere denne konkurranseutsettingen? Det å kunne velge mellom fisk og kjøtt til middag hver dag – er det valgfrihet, og er det det som er hensikten? Jeg har ikke vært på sykehjem, men jeg har ligget på et offentlig sykehus her i byen, og for å si det rett ut: Jeg kunne velge mellom mange middagsretter – og det på et offentlig sykehus. I Austevoll har de hatt en fremskrittspartiordfører i ti år. Det tok ti år å få velge mellom kjøtt og fisk. Hvorfor kunne de ikke få det da det var offentlige ansatte der? Jeg vil kommentere noe av det som Michael Tetzschner tok opp. Han sier at det er mistillit mellom stat og kommune. Det er mulig det er avmakt mellom deler av kommunene og andre. En følt likevekt er muligens helt umulig å få til, men det er et mål å strebe etter. Jeg skal komme tilbake i et senere innlegg med hvorfor det er sånn. Jeg håper jeg klarer å holde et innlegg som gjør at Ingalill

Kommunene har fått større utfordringer etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft. Pasientene som skrives ut fra sykehusene, er sykere. De kommunale ansatte har strukket seg langt for å gjøre overgangen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten så god som mulig for den syke. For å hindre raske og unødvendige reinnleggelser mener Kristelig Folkeparti at kommunene må settes i stand til å møte utfordringene ved at de får mer og bedre kompetanse. Selve intensjonen med Samhandlingsreformen var at den skulle være fullfinansiert. Foreløpige anslag viser at utgiftene til kommunal medfinansiering blir om lag 120 mill. kr høyere enn det som er overført kommunene fra sykehusene. Nærmere 220 kommuner har høyere kostnader enn de får kompensert, noe som gir utfordringer i det øvrige tjenestetilbudet i kommunene. kommunene. Dette gjør at kommunene får mindre handlefrihet og begrensede muligheter på andre områder. Derfor er vi så opptatt av at denne reformen må fullfinansieres. Jeg synes det er bra at statsråden i hvert fall signaliserer at hun vil følge nøye med på denne reformen også i tiden framover. I tillegg til at kommunene går økonomisk usikre tider i møte, somler også regjeringen med å rettighetsfeste elementære tjenestetilbud til befolkningen. Regjeringen somler bl.a. med å legge fram et forslag til individuell rett til brukerstyrt personlig assistanse. Denne ordningen har vært svært viktig for å fremme selvstendighet og uavhengighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi i Kristelig Folkeparti mener at alle med nedsatt funksjonsevne som har behov for det, må få individuell rett til denne tjenesten helt fra fødselen av. For mange er det helt avgjørende for å føle selvstendighet og verdighet. Derfor tok jeg også det opp i en replikkveksling tidligere i dag. Helt til slutt: Representanten Ingalill Olsen hadde en liten visitt til meg i sin replikk, der hun utfordret Kristelig Folkeparti angående samarbeid med Fremskrittspartiet når det gjelder asyl- og innvandringspolitikk. I forrige uke ble Venstre og Kristelig Folkeparti kritisert av Fremskrittspartiets første nestleder, Per Sandberg, i Klassekampen, fordi han mente at vi hadde skylden for at de lengeboende asylbarna var i den situasjonen de var. Han brukte begrepet «den uverdige situasjonen som disse asylbarna er i». Det synes jeg er interessant – og det kom fra Fremskrittspartiet. Jeg lurer på: Når skal vi få høre sentrale arbeiderpartipolitikere bruke begrepet «den uverdige situasjonen som disse barna er i»? Det savner jeg, og det tror jeg også flere av samarbeidspartiene

Det handler om kultur, boligarealer, veier, rent vann i springen – noe vi for øvrig tar som en ren selvfølge – ja, nesten alt i livene våre utenfor vår private sfære og jobben. Kommunene ble sultefôret under Bondevik II-regjeringen. Målet var at de skulle slå seg sammen, men jeg forsto aldri helt hvorfor. Under den rød-grønne regjeringen har kommunenes økonomi blitt styrket, og vi har fått en mer rettferdig fordeling kommunene imellom. Når kommunene likevel må spare i Når kommunene likevel må spare i disse økonomiplantider, er det fordi de ikke har satt pengene på bok. De har opprettet nesten 60 000 nye årsverk i kommunal sektor. Det insinueres fra opposisjonen og media at det er byråkratiet som har økt – det hørte vi på radioen så sent som i dag. I kommunal sektor er 17 av 18 nytilsatte i produksjon, kun 1 av 18 er i administrasjon. Kommunens tjenester er viktige for folk, men alle opposisjonspartiene vil nå slå sammen kommunene med tvang. KS, med en leder som er tidligere profilert høyrepolitiker, går tydelig ut og vil slå sammen kommuner. Senterpartiet er ikke imot kommunesammenslåing der lokalsamfunnene ønsker det, men det må avgjøres lokalt. Høyre vil ha fire kommuner i Hedmark. Hva vil en oppnå med det? Kommunen i nord vil bli større i areal enn Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold til sammen. Hvorfor vil man fjerne dyktige småkommuner? Kommuner som er små i antall mennesker, men store i areal. Kommunebarometeret viser at disse småkommunene nord i Hedmark er av de beste i landet til å yte kommunale tjenester. Jeg mener at noe av hemmeligheten er at små kommuner har kort vei mellom innbyggerne og kommunens ledelse og folkevalgte. De har god oversikt over innbyggernes behov og driver effektivt. I går kunne vi lese i Dagens Næringsliv om seks ordførere i Follo, og deres holdning til kommunesammenslåing for deres kommuner. De fleste av dem er høyreordførere, og de var også sterkt tvilende til sammenslåing, enda avstandene der er veldig korte. Jeg vil sitere én: «Stordrift, javel. Men det finnes mange ulemper. Vi har allerede sett dem når det gjelder Nav og politi». Jeg vet ikke hva Høyre og de andre opposisjonspartiene vil oppnå med en massiv kommunesammenslåing, men lurer faktisk på om de ønsker dårligere kommunale tjenester. I forrige debatt, boligmeldingsdebatten, var ikke minst Høyre og Fremskrittspartiet veldig opptatt av eie-linja, framfor leie-linja. Den er

eie er hovedlinja i boligpolitikken. Når vi går til debatten her, om temaet kommune, drift av kommune, kommunal tjenesteproduksjon, er det plutselig mer og mer feil å satse på eie-linja. Nå er idealet å eie minst mulig – kjøpe tjenester eller leie mest mulig. Så nå er plutselig god forvaltning og effektivitet knyttet til det ikke å eie, nå er det knyttet til det å være en god bestiller. god bestiller. Lokalpolitisk aktivitet blir da knyttet først og fremst til å bestille tjenester. Ikke eie og drive sjøl, sier både Høyre og Fremskrittspartiet når temaet ikke er bolig, men kommunal tjenesteproduksjon. OPS er slik sett det optimale – en bestiller, og deretter leier en i 30, 40 eller 50 år, med en tilnærming av typen «ute av syne, ute Men nei, for når vi tenker oss om, er det jo slik at Fremskrittspartiet egentlig samtidig har sagt noe stikk motsatt. Det er ikke lokalpolitikerne som skal bestille, det er brukerne som skal bestille, ut fra sine behov. Etter min mening er det nettopp dette som truer lokaldemokratiet i dag. Det er ikke staten som truer lokaldemokratiet. Det er enten det såkalte brukerdemokratiet – for å ta Fremskrittspartiets variant der det skal bli en samhandling mellom bruker og stat, eller «tilbydermakttilnærminga», der det er den private tilbyderen av disse tjenestene makta først og fremst blir overført til, eller det «bestillerbyråkratiet» som en kommune, eller en offentlig institusjon, må bygge opp for å drive nettopp dette spillet hvor en ikke lenger skal eie, men kjøpe og leie.

Dette må på ett eller annet tidspunkt Fremskrittspartiet avklare: Er det staten som skal ha mer penger, er det brukeren som skal koordinere med staten, eller er det lokalpolitikerne som skal få mer frihet til å bestemme både innholdet i og omfanget av kommunale

Men det ein legg inn frå Framstegspartiets side, er jo øyremerka. Det er ingen moglegheit til å prioritere lokalpolitisk når ein øyremerker midlane, og i tillegg skal ha statleg overtaking av dei viktigaste områda kommunane har. Eg òg ber om at dette vert avklart. Det er viktig for veljarane og for det politiske miljøet å vite kva Framstegspartiet eigentleg meiner. Det er òg andre ting som er eigna til å forvirre. Tidlegare i dag tok representanten Gjermund Hagesæter opp det at vi regulerer kommunane for mykje gjennom lov og regelverk. Men i spørjetimen i same salen har Framstegspartiet etterlyst meir innblanding, nemleg strengare reglar for å hindre bustadbygging i område der det er fare for flaum og skred. Den eine dagen vil ein ha mindre regelverk, den andre dagen vil ein ha meir – det kan det òg vere greitt å få Så til brevvekslinga med Høgre om skatteutjamning, som har vore ein gjengangar. Høgre teiknar eit feil bilde av kva dei spurde meg om, og kva me skreiv i vårt svarbrev frå departementet. Det har vorte teke opp i mange samanhengar, og eg tenker at det kan vere greitt å gjere greie for det. Høgre bad oss om å berekne effekten av alle endringar som var gjorde i inntektssystemet sidan 2005. Det har me sjølvsagt sagt ikkje er mogleg, for det har vore mange endringar i utgiftsutjamninga. Det er heller ikkje har vore mange endringar i utgiftsutjamninga. Det er heller ikkje interessant å sjå på utgiftsutjamninga, for ho er basert på objektive kriterium. Det som me har vore presise på heile tida, er at våre tal viser effekten av dei politiske delane av inntektene til kommunane – i praksis dei ulike regionaltilskota og ulike modellar for fordeling av skatteinntekter. Skatteinntektene utgjer over halvparten av dei frie inntektene til kommunane. Skatteinntektene er ulikt fordelt mellom kommunane. Viss me gjer endringar når det gjeld kor stor del av inntektene som kjem frå skatt, kva for skatteinntekter kommunane skal få, eller graden av utjamning av skatteinntekter, vil det gi endringar i inntektene til kommunane, og det er nett det me har vist med våre berekningar. Høgre har sagt at tala er feil. Eg har gong på gong tilbode Høgre om å kome med sine tal, slik at vi kan gjere nye berekningar. Enno har ingen svart. Høgre hadde stått seg på å vere ærlege om kva dei står for. Dei bør innrømme at mindre skatteutjamning gjer at mange kommunar vil tape pengar. Det er ikkje så vesentleg om Fredrikstad og Sarpsborg tapar 87 eller 93 mill. kr – men dei tapar. Det er ikkje så vesentleg om Ringerike tapar 21 eller 23 mill. kr – men dei tapar. Slik kunne vi ramse opp mange kommunar.

For det andre kan jeg ikke komme på en eneste kommunesammenslåing de siste årene uten at det vært tatt initiativ av en senterpartikommune. I Sør-Trøndelag har vi nå to kommuner, senterpartistyrte Ørland og Bjugn, som er inne i en prosess for å vurdere kommunesammenslåing. Senterpartiet, med kommunalministeren, har gjort endringer for å gjøre det enklere å slå seg sammen. Staten betaler nå alle kostnader ved kommunesammenslåing, og kommunene får beholde inntekten fire år lenger enn før. Det er ganske spesielt å høre alle opposisjonspartiene snakke om at de vil ha mindre statlig styring, færre innsigelser, større handlingsrom, mindre detaljert lovverk. Kommunestyrerepresentantene er i stand til å ta vare på

og dagen etter, da jeg gikk opp trappa her? Det hadde liksom skjedd et under: Jeg var blitt i stand til å tegne det nye kommunekartet for hele Norge. Jeg fatter ikke logikken her. Alle har «færre kommuner» som et mantra. I fjor var det halvering av antallet kommuner, i år skal det være godt under venter jeg virkelig på kartet. Jeg tror innbyggerne i de 329 kommunene som skal bort, er veldig interessert i hvilke kommuner det gjelder. Til representanten Hagesæter: Jeg kan berolige ham med at riktignok er jeg nærsynt, men jeg ser forskjell på ham og Siv Jensen. Jeg beklager at jeg levde i den villfarelse at de to hadde noenlunde samme virkelighetsoppfattelse når det gjelder kommunenes grunnleggende oppgaver. Jeg får stille spørsmålet til Fremskrittspartiets medlemmer i kommunalkomiteen på en annen måte: Støtter dere partilederens uttalelse, at skole og eldreomsorg ikke er grunnleggende oppgaver? Hvis svaret er ja, kan dere klargjøre for meg hva som er grunnleggende kommunale oppgaver? Er det bare å sørge for at det er mer sprit i lokalbutikken, at det eller er det noen andre oppgaver dere mener er grunnleggende for kommunene? Presidenten vil i all vennskapelighet vise til forretningsordenens § 53, at all tale skal rettes til presidenten. Det hadde vært utmerket for kvaliteten i ordskiftet om man konsentrerte seg om det som faktisk var foreslått, og om det som faktisk ble sagt. Jeg merket meg at Navarsete – ut fra svaret på spørsmålet mitt i en tidligere replikkrunde, hvor jeg ba henne redegjøre for forskjellen mellom regjeringens rammer for Kommune-Norge og Høyres – forsto og nok hadde følelsen av det som var fasiten, nemlig at vi har hatt akkurat den samme rammen. Dermed mener jeg at det ikke er grunnlag for å videreføre denne sultefôringslegenden. Enhver politisk ledelse av landet må selvfølgelig ta utgangspunkt i konjunkturene, det makroøkonomiske bildet, når den fordeler penger videre i systemet. Det fikk representanten Syversen til å ta ordet. Han mente at makroøkonomien ville bli påvirket hvis regjeringen, dvs. Stortinget, ikke beskattet befolkningen høyt nok. Det er en misforståelse. Pengene blir ikke borte om de ikke trekkes inn fra privat sektor – de går jo ikke tapt for samfunnet av den grunn. Jeg vil fastholde at det i stor grad er konjunkturene og makroøkonomien som legger grunnlaget for finansieringen av velferdsstaten generelt – og av kommunesektoren spesielt, som vi diskuterer her i dag. Til spørsmålet om målet – et rimelig arbeidsmål – 50 pst. egne inntekter og 50 pst. overføringsinntekter. Vi har ikke fremstilt dette som noen tvangstrøye, men det er rimelig over tid å arbeide i den retningen. Av samme grunn vil vi også at individene stort sett skal utnytte sine egne inntektsmuligheter, og ikke leve på overføringsinntekter fra det offentlige. Man blir tross alt mer opptatt av de mulighetene man har, enn av begrensningene. Det var greit å få fastslått at mellom en tidligere borgerlig regjering og den nåværende, rød-grønne, regjeringen kan koke ned til å være en forskjell i vekstbane på 0,3 pst., som til og med Arbeiderpartiet skal ha ros for å ha brakt i den retningen. Man kan ikke argumentere med begge deler, at man først unngikk en ulykke – og deretter argumenterer som om det var en ulykke. For øvrig vil jeg si til representanten Hilde Magnusson at innovasjon ikke bare er nye teknikker, det kan være gamle teknikker organisert eller mikset på en ny måte. Det kan til og med være slik at det å nedlegge ting og slippe dobbeltbehandling av f.eks. fylkeskommunen – kvitte seg med fylkeskommunen – er et stort, innovativt Med Samhandlingsreformen har norske kommuner fått et tydeligere ansvar for folkehelsearbeidet og lokale helsetjenester. Ved besøk i mange kommuner ser jeg at denne muligheten til å gi innbyggerne bedre tjenester er grepet, og Helsedirektoratets nøkkeltall for 2012 bekrefter dette. Samhandlingsreformen skal hindre at pasienter ligger sykehus etter at behandlingen er ferdig. Det er bra for rehabiliteringsarbeidet og forebygger sykehusinfeksjoner. Allerede første året er vi halvveis mot målet. For å gi et godt faglig tilbud til pasienter som ikke kan skrives ut direkte til hjemmet, har kommunene de siste årene øket antall korttidsplasser. Helsedirektoratets tall viser at kommuner med mange korttidsplasser har færre liggedager for øyeblikkelig hjelp på sykehus blant sine eldre. En del av folkehelsearbeidet er hjelp til endring av levevaner ved helsesamtale, aktivitetstilbud, kostholdsendringer og røykeslutt. Dette skjer bl.a. på at antallet frisklivssentraler er mer enn doblet fra 2008 til i fjor. Innen 2016 skal alle kommuner etablere tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Det vil redusere antallet lange reiser til sykehus for sykdom som like godt kan behandles med tilbud i kommunene. Selv om fristen er 2016, har 111 kommuner allerede søkt om og fått tilskudd til å starte i 2012. Tre av fire kommuner planlegger å samarbeide om de nye løsningene. Det er viktig at sykehusene ikke skriver ut pasientene for tidlig til kommunen, slik at antallet nye innleggelser øker. Her viser Helsedirektoratets tall at det er behov for forbedringer. I 2010 var tallet for reinnleggelser 16 pst. og i 2012 19 pst. Begge tallene er for høye, og sykehus og kommuner må gå gjennom sine faglige rutiner. Vi er et svært friskt folk med høy levealder. En gutt født i 2011 kan forvente å bli 79 år gammel, mens jenter kan forvente å bli vel 83 år Hvorfor? Rent vann, god arealplanlegging, gode barnehager og gode helsestasjoner med vaksiner er avgjørende. Alt er kommuneoppgaver, alt gjøres i våre kommuner. No er det fleire, m.a. representanten Aksel Hagen, kommunalministaren og representanten Heidi Greni, som har problem med å skjønne vårt finansieringssystem og korleis vi tenkjer rundt det. Vel, eg trur ikkje eg har lang nok tid til å forklare det, for det verkar som om ein har litt tungt for å forstå det. Vi har i alle fall forsøkt i fire år no å forklare det, men eg skal prøve ein gong til. I utgangspunktet ønskjer vi at grunnleggjande velferdstenester i kommunane skal vere statleg finansierte. Skule, eldreomsorg, helse – dei grunnleggjande velferdstenestane – skal vere statleg finansierte. Då treng kommunane sjølvsagt ikkje så mykje pengar, i og med at dette blir finansiert ikkje så mykje pengar, i og med at dette blir finansiert frå staten, så då vil dei ha pengar til å utføre dei andre oppgåvene. Inntil vi får gjennomslag for dette, held vi oss til det rammeløyvingssystemet vi har i dag, som eg hevdar er eit sosialistisk system, som ikkje fungerer slik eit meir marknadstilpassa system ville fungert. Eg vil også understreke at det er ingen som helst ueinigheit mellom partileiinga og kommunalfraksjonen til Framstegspartiet på dette området. Vi er heilt på linje, vi er heilt einige om dette. Dette er ein politikk som er godt forankra i Framstegspartiet. Olsen var inne på at Framstegspartiet alltid har meir til alle formål. Det er ikkje riktig. Vi har ikkje meir til byråkrati, vi har ikkje meir til finkultur, og vi har heller ikkje meir til bøndene enn det Senterpartiet har. Vi har litt andre prioriteringar, som kjem fram i Ein av dei tinga vi har vore inne på tidlegare, er konkurranseutsetjing. Austevoll har konkurranseutsett pleie og omsorg. Det var basert på 60 pst. kvalitet, 40 pst. pris. Det har gitt eit betre tilbod til innbyggjarane. Vi har tru på konkurranse fordi det stimulerer til innsats, noko monopol ikkje gjer. I Os, derimot, har vi òg konkurranseutsett, men der var det kommunen sjølv som vann anbodet. I motsetning til dei raud-grøne partia, spelar det ikkje nokon rolle for oss om det er det private eller det offentlege som driv det. Det viktigaste for oss er at innbyggjarane får dei
flere representanter fra partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre vil ha det enkelte kaller en kommunereform. Det er et fint ord for en storstilt rasering av kommunestrukturen i dette langstrakte landet. Representanten Gjermund Hagesæter vil helst ha færre enn 100 kommuner, altså legge ned minst 329 kommuner. Om vi forutsetter at det gjelder de minste kommunene, vil knapt 1,3 millioner innbyggere bli berørt direkte fordi de bor i en kommune som da blir lagt ned. Alle vet at Senterpartiet er garantisten for at det ikke blir tvangssammenslåing i neste periode. Vi er for frivillighet, vi er for mer og bedre samarbeid mellom kommunene, vi er opptatt av effektiv drift av kommuneadministrasjonene – vi har mange dyktige ordførere og kommunestyrerepresentanter i dette landet som bidrar til det – og vi er for gode tjenester. Men vi har tillit til at innbyggerne evner å forstå og ta stilling til det spørsmålet, og vi tror at de selv skal bestemme over egne kommunegrenser, over egen kommunal framtid. For Senterpartiet handler dette om grunnleggende verdier, om demokrati, om nærhet mellom politikk og administrasjon, mellom folk og politikere. Med Høyre og Fremskrittspartiet – og med støtte fra Venstre – vil spørsmål om kommunestrukturen avgjøres i denne salen. Folk flest skal altså ikke ha det avgjørende ordet gjennom folkeavstemning. Det kaller Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre demokrati. Folk skal ikke bestemme selv lenger. Hvorfor gjør man det? Jo, selvsagt fordi man skal spare penger. Man skal legge ned skoler, sykestuer, endre eldreomsorgen og sørge for at man driver mer effektivt, som det så fint heter. Partiene Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre vil frata minimum 1,3 millioner mennesker muligheten til selv å påvirke valg av kommunestruktur og kommunetilhørighet. De 1,3 millioner brysomme – for de partiene – menneskene som mottar tjenester i kommunene, som mottar eldreomsorg, som bruker skolene, som bruker barnehagene, skal altså ikke få bestemme hvordan de ønsker å organisere det. Det skal gjøres i denne salen. Kaller vi det demokrati? Ja, jeg kaller det elitens demokrati – elitens demokrati, som Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre står for i denne saken. Jeg vil kommentere noe av det Høyres representant Tetzschner tok opp. Han sa at det var stor mistillit mellom stat og

Statens rolle er bl.a. å utjevne, føre til at det blir mer likhet mellom landets innbyggere, og at vi kan gi likeverdige tjenester når vi diskuterer området kommuneøkonomi. Det er utgangspunktet, og der har staten en helt annen rolle enn kommunene. Tetzschner sier det er bra at vi ikke øremerker. Det er historisk lav øremerking i i det forrige budsjettet og i denne kommuneproposisjonen. Det Tetzschner sier, spriker helt fra det Fremskrittspartiet mener. De ønsker mye mer rettighetsfastsetting. Også på dette området er det stor forskjell mellom samarbeidskameratene på borgerlig side. Tetzschner har også tatt opp at de ønsker et tvisteløsningsorgan. Vi har to tvisteløsningsorgan: Det ene er rettet mot barnevern, og det andre er knyttet til Samhandlingsreformen, for utskrivningsklare pasienter. I tillegg har vi andre konfliktløsningsorganer. Fylkesmannen er et organ som kan løse konflikter, og vi har konsultasjoner med KS. Vi ønsker ikke et tvisteløsningsorgan. Vi ønsker ikke at politikk skal bli juss, vi ønsker at politisk skjønn skal brukes – av det blir det de beste resultatene. Det ser ut som denne debatten går mot slutten, og jeg skal ikke dra den ut lenger – hvis ikke noen andre bidrar til det – så jeg har lyst til å si tusen takk for debatten. Det har vært spennende og gode innlegg, og det har vist seg å være tydelige forskjeller mellom partiene på dette området – sånn skal det være. Jeg tillater meg også å si tusen takk til kommunalkomiteen for det gode samarbeidet vi har hatt – på tross av Noko av det som fascinerer mest med denne og tilsvarande debattar i denne sal, er det havet av forskjell som er mellom representantar frå partiet Høgre her – altså på Stortinget – og dei representantane ein møter frå partiet Høgre rundt i lokalsamfunna og kommunane. I mitt fylke, Sogn og Fjordane, er det verken kommunesamanslåing, endring i selskapsskatten eller innretningar i kommunenøkkelen til fordel for dei rikaste kommunane som er tema når eg møter Høgre-folk i Sogn og Fjordane. Nei – kva er det dei er opptekne av? Dei er opptekne av ei rammefinansiering som tek omsyn til dei utfordringane som dei aktuelle kommunane har, ofte med fokus på geografi og avstandar – og nettopp det at Noreg ser forskjellig ut. Eg har to råd til partiet Høgre. For det fyrste: Å lytte meir til lokale forkevalde, men ikkje minst vere ærlege overfor dei. Kva vil den innretninga som partiet Høgre føreslår i dag og i budsjetta år etter år, bety for mange av kommunane rundt om i dette landet – òg for mange Høgre-styrte kommunar? Eg trur det hadde vore bra om folket på Bulandet og Værlandet i visste at dette opplegget vil bety meir enn 7 mill. kr mindre årleg til Askvoll kommune. Korleis skal Askvoll kommune dekkje inn desse midlane? Vi kan sikkert diskutere ulike tal, men retninga er jo heilt eintydig. Dei er ein av dei kommunane som vil kome dårlegare ut med det opplegget som Høgre Ja, kva vil det bety? Det vil bety eit dårlegare tilbod for ungane i skulen og for dei eldre i den kommunen. Dette burde Høgre vere ærlege nok til å seie. 23 av 26 kommunar i Sogn og Fjordane taper på dette opplegget. Du kan kanskje slå i hop ein del kommunar, men du får ikkje plusstal ut av det. Eg vil avslutte med å gjenta dei to råda: Lytt meir til lokalpolitikarane, og ver for all del ærleg overfor dei for kva dette opplegget vil bety for mange menneske, òg for Høgre-styrte kommunar rundt om i landet Representanten Tetzschner sa at det var makroøkonomien som bestemmer fordelinga eller overføringa til ulike sektorar. Ja, til dels, men storleiken på prioriteringa av ulike sektorar vert òg bestemt av politiske prioriteringar. Høgres Michael Tetzschner får det til å høyrast som om Bondevik II-regjeringa gjorde store kutt i statsbudsjettet sine rammer. Det ein kutta i, var skatt. Ein kutta i skatten – det fekk utslag for kor mykje pengar ein hadde til å prioritere til andre område. Eg registrerer òg at Høgre framleis ikkje vil halde seg til fakta. Erna Solberg sine kommuneopplegg – som ho la fram for Stortinget – var ikkje 2,23 pst. vekst, men 1,6 pst. Det utgjer ganske mange milliardar i forskjell når du får nokre år på så store summar. Det er òg ei politisk prioritering som gjer at regjeringa fordeler rammene slik at alle skal kunne gi likeverdige tenester. Og som representanten Erling Sande sa, er det ikkje noko rop rundt om i landet i dei 373 kommunane som taper på Høgre sitt opplegg, om at dei skal gjere om dette. Det er heller ikkje noko rop der ute om at Framstegspartiet sin kommunepolitikk skal innførast – der ein 11,2 mill. kr for kommunane i Nord-Troms og Finnmark, 5,2 mill. kr for mange kommunar rundt om, f.eks. Leka, som vart nemnd her – 600 innbyggjarar på ei lita øy. Det er mange slike kommunar langs kysten. Du kan ikkje taue dei inn til land og slå dei saman med andre, dei må ha moglegheiter for utvikling. Eg har hatt besøk av ordføraren på Leka, og fleire unge jenter derifrå som gjorde eit veldig sterkt inntrykk på meg med omsyn til korleis dei ynskjer å kjempe for sin kommune, sitt lokalsamfunn, der dei har tilhøyrsle, og som dei ynskjer å flytte tilbake til og realisere sine livsprosjekt ein gong. Det er mange slike ungdommar der ute, og dei fortener å få vete kva slags politikk ei Høgre–Framstegsparti-regjering vil føre og kva kart dei vil teikne. Dei fortener å få vete korleis økonomien skal vere – enten kommunen vert slått saman eller dei skal

i Noreg. Eg lurte litt då eg høyrde debatten her før i dag, for det høyrdest ikkje sånn ut på alle innlegga. Men det er eit faktum at Noreg er som ei øy i eit Europa i krise. Det har verkeleg kome midlar til kommunane under den raud-grøne regjeringa – og dette merkar ein. Eg var sjølv kommmunepolitikar under Høgre siste gong dei var i regjering, og det var ikkje alltid like triveleg å sitja og skjera ned og skjera ned. Eg trur nok òg det er mange Høgre-ordførarar som er veldig glade for at vi skifta regjering i 2005. Med Høgre sitt kommuneopplegg ville 23 av 26 kommunar i Sogn og Fjordane tapa nesten 100 mill. kr totalt det er alvorleg mange sjukeheimsplassar og lærarar i skulen. Det ville verkeleg gått ut over velferda i kommunane våre. Er det verkeleg det vi kan forventa oss av ei regjering der Høgre har handa på roret? Eg trur svaret er ja, og eg kjem tilbake til det. Så vert eg òg litt forundra då eg høyrde Framstegspartiet seia at dei er bekymra over regjeringa sitt opplegg svekka kommunane sin fridom til å prioritera sine ønske. Eg trudde jo det var øyremerking Framstegspartiet stod for og gjekk inn for. Eldreomsorg er eit godt eksempel på kva dei meiner her. Det er litt vanskeleg å veta om Høgre vil ha øyremerking eller ikkje. Men det er vel i kjent stil for tida. Så vil eg seia litt om vegløyvingane til Det seier seg sjølv at for eit fylke som vårt, Sogn og Fjordane, ville det slå dårleg ut når det er folketalet som er eit av kriteria – i alle fall når det tel så mykje som 50 pst. Dette punktet er nok noko vi bør sjå på og ta ein ekstra runde på når vi ser på fylkeskommunane og finansieringa av dei. Vedlikehaldet av tunellar bør bl.a. gjerne vektast inn her. Det er mykje dyrare å vedlikehalda vegar med mange tunellar enn vegar som ikkje har tunellar. Eg er heilt trygg på at dette punktet nok opptek oss raud-grøne mykje meir enn det vil oppta ei blå-blå regjering. Det er heilt riktig som representanten Hagesæter frå Framstegspartiet sa i innlegget sitt: Framstegspartiet har ikkje meir pengar til alt, ikkje til jordbruk og bistand, noko som Kristeleg Folkeparti bør leggja spesielt merke til – og alle som er opptekne av levande bygder og busetnad over heile landet. vil eg nemna ein post som Høgre tømde siste gong dei sat i regjering: dei kommunale næringsfonda. Vi raud-grøne fylte dei opp att. Ja, det er stor skilnad på partia. Representanten Michael Tetzschner har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Det er innlegg av den kaliber som vi hørte av den kaliber som vi hørte av de to siste representantene, altså statsråden, nemlig at forholdet mellom stat og kommune er dessverre preget av en viss gjensidig mistillit. Det var det jeg innledet mitt hovedinnlegg med. Det er nettopp fordi man sier at man gir mer penger til kommunene, i virkeligheten følger det flere plikter med enn det følger penger. Det har vi tillatt oss å påpeke. Jeg mener også at hele sultefôringslegenden kan man trygt legge død i dag. Til og med statsråd Navarsete sa at det hadde vært en vekst, og det kan da umulig være det samme som at man bryter sammen i kommunesektoren. Man må huske på at de skattelettelsene som den gang ble innført, var som oppfølging til det nye skattesystemet, hvor man måtte ned i inntektsskatt for å likestille med kapitalbeskatning – og vel å merke slik at den rød-grønne regjeringen ikke økte disse skatteprosentene da de hadde anledning til det. Representanten Gjermund Hagesæter har også hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Det er kanskje fåfengt, men presidenten vil likevel minne om at vi har en lang kveld foran oss. Eg registrerer at dei raud-grøne ikkje heilt har koordinert angrepa sine på Framstegspartiet. Mens representanten Ingalill Olsen seier at Framstegspartiet alltid har meir til alle, seier representanten Ingrid Heggø at Framstegspartiet ikkje har meir til alle. Fasiten er våre alternative statsbudsjett. Der blir det nøyaktig vist korleis vi prioriterer, og det er god, nyttig lesnad for alle. Elles registrerer eg også at enkelte samanliknar Noreg med resten av Europa og seier: Sjå kor bra det går i Noreg, og kor dårleg det går i Europa! Vel, det er altså ikkje takka vere regjeringa. Det er takka vere at vi har vore heldige og funne olje, og at vi har ein oljepris på over 100 dollar fatet. Eg trur at viss Hellas og Italia hadde hatt tilsvarande rikdommar som Noreg har, hadde dei også greidd seg bra. Grunnen til at

Brekk. Han påstår at grunnen til at man ønsker kommunesammenslåing, er at man ønsker å spare penger. Jeg tror ikke man kommer til å spare noen penger på å slå sammen kommuner. Man sparer kanskje en ordførerlønn. Det er mulig det går ut over partiapparatet til Senterpartiet, men jeg tror ikke det er den store, avgjørende delen. Grunnen til at Venstre er for å slå sammen kommuner, er at vi tror det blir mer lokaldemokrati fordi vi kan delegere flere oppgaver hvis enhetene er store nok. Vi vil delegere mye makt til kommunene, derfor må vi ha større enheter. Hvis vi skal gjøre det vi mener – innenfor mange felter i den norske velferdsstaten – med å flytte mer makt til kommunene, må vi ha kommuner som er i stand til å ta de oppgavene, akkurat slik som Senterpartiet skriver i innstillinga til meldinga fra regjeringa, som jeg refererte til i mitt hovedinnlegg. Det dette er en kamp om, er hvorvidt vi skal delegere mer makt til kommunene eller fortsette som før, slik at de utvikles mer og mer til grendautvalg. Jeg skjønner at det blir mange heldags politikere i Senterpartiet av å ha denne grendautvalgsstrategien, men jeg tror det er dårlig for lokaldemokratiet. Venstre har alltid fra denne talerstol kjempet for et sterkt lokaldemokrati. Vi har aldri kjempet for at man først og fremst skal spare penger med sånne modeller, men vi vil flytte makt ned – mye mer makt ned enn det man har klart under denne regjeringa. Så skjønner jeg ut fra gårsdagens pressekonferanse til Senterpartiet at hovedstrategien er at alt skal være akkurat sånn som det er, og at Senterpartiet nærmest er i ferd med å innta Høyres konservative ideologiske tradisjon. Det får de gjerne drive valgkamp på, men de må være så ærlige at de refererer til det vi andre faktisk mener. Det er ingen av oss som har sagt et ord om at vi skal spare penger gjennom denne reformen, men vi skal lage bedre tjenester og mer lokaldemokrati. Det kommer til å være Venstres utgangspunkt. Til representanten Tetzschner: Ja, det var òg vekst under Bondevik-regjeringa, men han dekte jo ikkje kostnadene me hadde til endra folkesetnad – demografi. Difor var det store kutt i kommunane. Til liks med representanten Heggø var eg òg lokal- og regionalpolitikar i dei åra, og det kjende ein rett og slett på kroppen. Difor kom 118 kommunar på på talarlista, representanten Lars Myraune, hadde eit heilsides oppslag i Trønder-Avisa 15. oktober 2005, der han sa: «Jeg sa det til Erna Solberg for lang tid siden at dersom regjeringen ikke forbedrer kommuneøkonomien, så taper vi valget.» «Regjeringen har ikke hørt på mitt råd», sa Myraune i oppslaget i Trønder-Avisa, der overskrifta er: «Høyreordfører glad for Tydelegare kan det vel kanskje ikkje seiast at òg i Høgre sine eigne rekker såg ein at den kursen ein var inne på for kommunane, bar heilt gale av stad. Representanten Trine Skei Grande snakka om grendademokrati, snakka nedlatande om dei mindre kommunane med ein arroganse som faktisk ikkje er vanleg frå den kanten – Trine snakka om Senterparti-konservatisme. Men det er faktisk Senterpartiet som har gått i bresjen for dei kommunesamanslåingane som har vore. Eg ser få Venstre-ordførarar som tek til orde for kommunesamanslåing. Me har ein i mitt fylke. Eg har ikkje høyrt at han har vore høgt på barrikadane for kommunesamanslåing. Det har heller ikkje Høgre-ordførarar eller Framstegsparti-ordførarar. Dei sit med hendene i fanget og ropar på at Stortinget skal ta tak. Det synest Viss dei meiner at det er så negativt for eigen kommune at dei ikkje vil setje det på dagsordenen sjølv, burde dei kanskje spørje seg sjølv om det er det dei skal bruke tida på dei næraste åra. Representanten Hoksrud frå Framstegspartiet hadde ein svær tirade om samferdslepolitikken. Eg kan ikkje bruke meir av tida i dag til å melde meg fleire gonger, men eg vil berre seie at eg var i Vrådal i februar. Eg har køyrt Telemark både på kryss og tvers – for ikkje å seie heile landet på kryss og tvers og sett mange både gode og dårlege vegar. Og det er ikkje slik at alt forfallet som er i vegsektoren, har kome under denne regjeringa si tid i statsrådskontora. Me har lyfta budsjetta, og i fylkeskommunane er dei lyfta monaleg. Samferdsleramma er lyfta spesielt, men ikkje minst den generelle ramma som òg kan brukast til samferdsleinvesteringar. Og det gjer mange fylke. Ein brukar faktisk òg den generelle veksten i kommuneramma til å prioritere viktig infrastruktur i sitt fylke. Jeg skjønner at det oppslaget i Trønder-Avisa om den tiden jeg var ordfører på Frosta, har fått et fint oppslag i Kommunaldepartementet, og jeg har hørt det referert til tidligere. Det som fikk meg til å ta ordet i denne debatten, var da statsråden snakket så varmt om Leka. Nå kjenner jeg ordføreren på Leka ganske godt, og jeg vet jo hvorfor han avla Kommunaldepartementet et besøk for noen få uker siden. Det var ikke fordi nåværende regjering gir ham mer enn nok eller nok til å drifte kommunen. Det var nettopp fordi at han ikke så noen mulighet til å drifte kommunen med det denne regjeringa har gitt den. Så han har faktisk lukta på om han – ikke skulle taue Leka inn til fastlandet, men – skulle få tjenester fra fastlandet. Jeg var ikke fornøyd med tildelingen i 2005. Det er helt korrekt. Men vi berget i alle fall kommuneøkonomien uten å innføre eiendomsskatt. Nå er det Senterparti-ordfører i bygda, og de innfører eiendomsskatt fordi de må. De får ikke tildelt nok til å drifte kommunen. Så jeg synes ikke det er riktig at statsråden skryter av at nå er det så meget bedre enn før. Det som er saken, er at ja, det har kommet mer penger til kommunene, men det store er at det er blitt så mange flere pålagte oppgaver til kommunene. Det er en belastning for veldig mange kommuner rundt omkring i Norge. Når det gjelder kommunesammenslåinger, skal jeg ikke si så veldig mye om det. Det er en ganske vanskelig sak, og jeg skal innrømme at Senterpartiet i noen tilfeller har et poeng i den sammenhengen. Vi må huske på at vi må se på innbyggerne. Det er dem du skal serve. Det finnes en annen løsning. Jeg har bodd i Tyskland i mange år. Der hadde du forskjellige typer kommuner. Du hadde mindre kommuner med mindre ansvar, og du hadde store kommuner med stort ansvar. Det er på en måte det vi har gjort en god del av i Midt-Norge, hvor du har slått sammen kommuner, og hvor du har oppgaveløsning i fellesskap, og det er absolutt en måte å gjøre det på. Siden dette er mitt siste innlegg i denne salen, vil jeg gjerne få lov å minne om mitt første innlegg. ga jeg uttrykk for at jeg håpet at i denne perioden kunne det gamle begrepet «all makt i denne sal» komme tilbake. Dette er mitt siste innlegg, og jeg vil få lov å gi uttrykk for at jeg har registrert at all makt kom ikke tilbake i denne sal. Jeg skal forsøke ikke å trekke ut dette altfor langt, men det var nødvendig å ta ordet til deler av den historieskrivningen som ble gjort her. Først til dette vanskelige spørsmålet om kommunesammenslåing, som også er blitt et mantra fra Senterpartiets talere i dag. Det undrer meg at ikke Senterpartiet i sin refleksjon rundt ser at vi tross alt har et litt annet ansvar her og en annen tilnærming til det spørsmålet som rikspolitikere enn som lokalpolitikere. Det bør i hvert fall interessere såpass at man dveler ved tanken. Men kanskje er det nettopp erfaringen med regionreformen eller det som blir kalt forvaltningsreformen, og som endte opp med å flytte to tredjedeler av riksveiene over til fylkene og noe annet småtteri – det var det eneste som ble igjen etter den store regionreformen vi skulle få i Norge – som ligger bak. Så til tallene som statsråden stadig kommer tilbake til. Jeg står med tall fra statsrådens egen proposisjon pluss TBUs rapport fra 2012, og de tallene som representanten Tetzschner har referert flere ganger, er helt i overensstemmelse med de tallene som står i disse Der går det fram at det var smalhans i hele Kommune-Norge på hele 1990-tallet – gjennomsnittlig. Det var også tøffe år i 2001 og 2002, men deretter startet veksten igjen i kommunene. Så hadde den rød-grønne regjeringen et svært godt år i 2006, men etter det ligger man på samme nivå som Bondevik Så er det også grunn til å stille det samme spørsmålet som jeg stilte representantene her i en tidligere debatt: Hvorfor er det blitt slik at gjelden har økt så kolossalt i kommunene? Hvorfor er det blitt slik at stadig flere kommuner tyr til eiendomsskatt som de helst ikke vil ta i bruk? Og hvorfor er det slik at vi hver eneste dag, nærmest, leser i avisene at innbyggerne ikke får det tilbudet de syns de har krav på? Selvsagt er det en forklaring på at det ikke står så godt til i kommunene som særlig representanter fra Arbeiderpartiet har sagt at det gjør, og som de er så stolte av her i dag. Representanten Trine Skei Grande og jeg er født i samme region, vi er namdalinger begge to, i hvert fall i utgangspunktet. Jeg bor fortsatt i Vikna, hun har flyttet til Oslo. Vi har et felles utgangspunkt, en felles kultur, men vi er jammen meg veldig forskjellige når det gjelder oppfatningen av hvordan vi skal og spesielt lokaldemokratiet i dette landet. Venstre sier at de ønsker bedre tjenester og mer lokaldemokrati. Det betyr større kommuner. Det betyr også selvsagt tvangssammenslåing, som ikke nevnes særlig direkte av dem som står på talerstolen her. Hvorfor Hvorfor forklarer ikke Venstre og de andre partiene hvordan de vil ha det kartet seende ut? Det er viktig for folk flest å vite hvem som blir omfattet av den typen tvangssammenslåing som Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre her snakker varmt for. Hvorfor tør ikke Fremskrittspartiet, Venstre og Høyre å høre på folk? Det bor fortsatt millioner mennesker i de kommunene som iallfall Fremskrittspartiet har sagt at de skal tvangssammenslå. Hvorfor tør ikke Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre å høre på folk flest? Det at man rundt omkring i landet møter en situasjon der folk flest ikke ønsker å bli tvangssammenslått. De slår ring rundt kommunen de er beboere i, de er glad i de politikerne de velger, de oppfatter at de har gode tjenester stort sett rundt omkring i landet. Og så kan vi selvsagt videreutvikle tjenestene, vi kan gjøre ting bedre, og det kan også være slik at enkelte steder skal man gjøre endringer i struktur, men på frivillig basis. Det som jeg lurer på, er fortsatt: Hvorfor går man bort fra å høre på folk flest, hvorfor skal det bestemmes i denne sal? Til representanten Halleraker som sier at vi som rikspolitikere har et annet ansvar enn lokalpolitikere: Ja, Senterpartiet tror på lokalpolitikerne.

og kanskje også lengre vei til tjenester? Det blir interessant å se hvordan Venstres retorikk om lokaldemokratiet skal gå sammen med Fremskrittspartiets ønske om mer statliggjøring av tjenester. Det har vært økt satsing på kommunesektoren under den rød-grønne regjeringen – ingen tvil om det. Jeg husker veldig godt tilbake som lokalpolitiker da den tidligere kommunal- og regionalministeren, Erna Solberg, sto og møtte oss utenfor høyblokka utenfor statsministerens kontor og sa: ikke en krone mer til kommunene. Det er noe annet nå. I 2012 var det 300 kommuner med vekst i folketallet. Det var 101 flere enn i 2005 da vi overtok. Innenfor det distriktspolitiske virkeområdet var det i 2012 180 kommuner med vekst i folketallet, mot 84 da vi overtok i 2005. Kommunene satser, de bygger velferden, de sikrer at det blir flere som jobber i skolen, de har bygd ut barnehager, de sikrer at vi får flere hender i omsorgen, de tar tak i satsing på næringsutvikling og bolyst og gjør en kjempegod jobb etter mitt syn. Det skal vi være stolte av. Da forundrer det meg at man er så negativ til det som skjer ute i landet, og sier at distriktspolitikken ikke virker, og at man skal omgjøre tjenester til staten. Jeg hørte representanten Siv Jensen si at man fjernet en del av de store oppgavene fra kommunene med tanke på helse og skole, så kunne kommunene konsentrere seg om de virkelig viktige oppgavene. Og hva er de viktige oppgavene? For meg og Senterpartiet er det å ha gode velferdstjenester nær folk – det er det som er det viktige, og det har den rød-grønne regjeringen levert godt på. Representanten Trine Skei Grande har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Presidenten tillater seg å minne om at det er 25 saker til på dagsordenen i dag. Representanten Trine Skei Grande har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Presidenten tillater seg å minne om at det er 25 saker til på dagsordenen i dag. Jeg merker meg, president, at det gjør presidenten hver gang jeg tegner meg. Det var ikke meningen. Det er slik at Venstre til makten enn det er under dagens regjering. Hvis man flytter makt fra staten ned til kommunale ledd, blir det kortere ledd sjøl om det kanskje blir en og en halv kilometer lenger til kommunestyremøtet. Vi mener at vi lytter til de kommunene som jobber med dette, og det er faktisk en del ordførere i Venstre som også jobber med å få til større regioner rundt seg. En av dem som jobber aktivt med det, er f.eks. ordføreren vår i Hurdal, som ser at han ikke klarer å bygge opp fagmiljøet godt nok, han klarer ikke å løfte de store investeringene man trenger hvis man ikke er flere til å gjøre det, for det er nemlig slik at folk flest vil ha gode tjenester. Vi vil ikke ha tvangssammenslåing, vi vil at kommunene skal få mer makt og da få muligheten til å lage de regionene. Det har vi sett at de klarer i andre land.

å bedre fagmiljøene for de små kommunene som i dag ikke klarer å utføre de tjenestene de skal utføre. Samtidig ønsker vi at nye oppgaver skal tilføres kommunene fra staten og fylkeskommunen, slik at du får et bedre lokaldemokrati, at kommuner får reelle oppgaver å jobbe med, og ikke minst at de også får ressurser til å jobbe med disse. Nå er det sånn at KS også er positiv til sammenslåing. Mange kommuner er positive til sammenslåing – bare det ikke gjelder deres egen kommune. Nesten samtlige kommuner ser at det trengs endringer i kommunestrukturen i dag, og er villige til å se på endringer, men de er som sagt litt mer skeptiske når det gjelder deres egen kommune. At Senterpartiet ikke er store tilhengere av kommunesammenslåing, har jeg forståelse for. Et parti som har partiprogrammet sitt skrevet i runer, er ikke akkurat et parti som ser på utvikling og modernisering som det helt store. Men det som er viktig med kommunesammenslåinger, er at du allikevel får nærhet til tjenester, og du får et og bedre fagmiljø. Så er det en ting som ofte blir vektlagt; at du skal ha nærhet til rådhuset. Spør innbyggerne: Hvor mange ganger i året er du på rådhuset? Hvor mange ganger besøker du visse tjenester i kommunen? Spør også innbyggerne: Hvor går kommunegrensene dine – mellom deg og nabokommunen? Svaret uteblir veldig ofte. Det er det som er viktig. Det er veldig mye hjertet som styrer denne debatten, og så tenker en ikke på konsekvenser og hva som kan bli bedre med en kommunesammenslåing. Det som er viktig, er at kommunene får nye oppgaver, at de får penger som følger med disse oppgavene, og at de får et bedre og større fagmiljø, slik at de kan gi en mye bedre tjeneste til innbyggerne i

Me har ikkje spesielt mange, og me har heller ikkje spesielt små kommunar i Noreg, samanlikna med andre land. Ei storstilt sanering av kommunar endrar ikkje den norske geografien – dersom ein ikkje vil flytte folk eller tenester. Eg ynskjer at me skal byggje bruer og vegar til folk der dei bur, ikkje som førre regjering, som brukte det som lokkemiddel for at ein skulle slå seg saman. Stakkars folk i Bjarkøy – me såg korleis det gjekk – det har ikkje vorte mykje bru, men dei slo seg saman med Nyleg kom tal frå innbyggjarundersøkinga til Difi, som synte at brukarar av kommunale tenester i mindre kommunar er meir fornøgde med tenestene dei får, enn dei er i større. Men ut frå det som har vore sagt her i dag, vil eg tru at dei same representantane meiner at desse innbyggjarane ikkje har vett nok til å skjønne at dei burde vore meir misnøgde med tenestene dei får. Me har teke grep for å kartleggje kompetanseutfordringar i kommunesektoren. fekk nyleg ein rapport om kompetansesituasjonen, og utgreiinga syner at dagens kunnskap gir relativt liten grad av innsikt i korleis kommunane står rusta til å møte sentrale utviklingstrekk. Difor følgjer me opp det me gjer i direkte kommunikasjon med kommunane og gjennom meir forsking. Me er opptekne av at vi skal ha god kompetanse i kommunane, den kompetansen som finst i norske kommunar i dag, vert veldig undervurdert. Så håpar eg at me iallfall gjennom valkampen, om ikkje før, får vite kva for store oppgåver Venstre vil leggje til kommunane. Ein snakkar veldig mykje om makt og oppgåver til kommunane. Det ville òg vere interessant å få vite litt meir konkret kva det skal vere, og korleis ein vil få gjennomslag for dei forslaga saman med som både her og andre stader gir tydeleg uttrykk for at dei vil sentralisere makt, ifrå kommunane til staten. Ser me debatten her i samanheng med innstillingane som vart gjorde til distrikts- og regionalmeldinga og Nasjonal transportplan, der Høgre og Framstegspartiet meir eller mindre vil avvikle distriktspolitikken, gjer det meg ganske uroa for norske distrikt dersom dei skulle få Representanten Heidi Greni Jeg hadde ikke tenkt å forlenge debatten, men når representanten Morten Ørsal Johansen kunne fortelle at avstandene har blitt så mye mindre, må jeg virkelig ta fram kommunekartet som stortingskandidaten fra Fremskrittspartiet i Der var Holtålen, Røros, Tydal og Selbu kommuner sammenslått til en kommune – ikke noen stor enhet folketallsmessig, vi har fortsatt ikke passert 20 000 innbyggere, men kommunen blir da godt og vel like stor som Vestfold fylke. Det som